ønsker heller ikke en innelåsing – at en ser at arbeidsgiver, som kanskje kunne klart å ansette en person 100 pst. og betalt ham 100 pst. selv, nyter godt av et tilskudd fra staten. Derfor er dette også en side av det med lønnstilskudd som jeg ønsker å følge tett. Det har vært mange motforestillinger mot å oppskalere denne ordninga tidligere. Jeg føler også at dette er til stede nå i det som blir sagt, og i det som står i dokumentene fra regjeringa. Men vi får følge med og se om det blir et løft for disse menneskene. Tida vil vise det. Mitt andre spørsmål handler om varig tilrettelagt arbeid. Varig tilrettelagt arbeid har endelig fått en egen post på statsbudsjettet. Det har blitt tatt veldig godt imot. Samtidig kom det nå fra regjeringa, i Meld. St. 14 for 2014–2015 om kommunesentraliseringa, at regjeringa ønsker å utrede en ny finansiering og forvaltning, hvor en overfører dette fra delvis statlig ansvar til å bli et fullstendig kommunalt ansvar. Hvordan stiller Kristelig Folkeparti seg til en sånn utvikling av ordninga med varig tilrettelagt arbeid? Takk for spørsmålet. Jeg la merke til

for arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten.» osv. Då lurer eg på korleis ein skal tolka dette med karantene i f.eks. den delen av arbeidslivet som daglegvarehandelen er, der ein har ulike avdelingar og folk kan jobba i frukta, i kassa, eller på lageret, og i hotell, der ein har ulike avdelingar: Ein kan vera i oppvasken den eine staden og ein kan ha reinhaldet den andre Korleis skal ein forstå denne paragrafen? Kan ein risikera at folk vil gå utan fast tilsetjing i minst tre år pluss tre år – og kanskje ikkje får bustadlån? Nei, det kan en ikke. Karantenetida vil være slik at når året er gått, vil bedriften måtte ta stilling til om en ønsker å ansette fast. fast. Hvis en da ikke ønsker å ansette personen som er inne på vilkår om generell adgang, fast, betyr det at en får 12 måneders karantene. Så kan en igjen velge å ansette en ny på generell adgang. Det betyr, som jeg sa i mitt innlegg, at i stedet for at en kanskje går tre – i dag fire – år før en får den faste stillingen, presser en arbeidsgiver til å måtte ta stilling til om en ønsker å ansette fast allerede etter ett år.

tjener på denne utviklinga i arbeidslivet. Vi tjener på kombinasjonen av å tjene bra og ha gode lønns- og arbeidsvilkår og ha tilgang på billige tjenester – tjenester laget av folk på lav lønn i utlandet, eller produsert i Norge av folk som arbeider for langt lavere inntekt enn tariff. Det er en akselererende utvikling med større forskjeller i arbeidsinntekt. Når vi i tillegg har økende forskjeller i arbeidsfrie inntekter mellom ulike grupper,

innen EU/EØS-landene. Fra 2004, med østutvidelsen, fikk vi en radikal økning i arbeidsinnvandringa. Per Rune Henriksen fra Arbeiderpartiet beskrev utviklinga innenfor sitt fag, tømrerfaget, og situasjonen til sine tidligere arbeidskollegaer på en god måte. Vi i Senterpartiet beskriver i våre generelle merknader styrken i det norske arbeidslivet. Vi beskriver styrken med høy sysselsettingsgrad, høy gjennomsnittlig arbeidstid per person i yrkesaktiv alder – viktige forutsetninger for finansiering av universelle offentlige rettigheter framover. I meldingsdelen av denne proposisjonen er det etter Senterpartiets vurdering underkommunisert at som følge av økt arbeidsinnvandring er vi nå inne i en utvikling med fallende sysselsettingsgrad og lavere gjennomsnittlig arbeidstid per person i yrkesaktiv alder. Senterpartiet mener at det bare gjør vondt verre hvis vi prøver å løse framtidas utfordringer knyttet til

landets innbyggere skal kunne ta del i det norske arbeidslivet på norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en formidabel politisk oppgave, som Senterpartiet vil prioritere svært høyt. Som mange her i dag har beskrevet ut fra erfaring, utfordrer EØS-innvandringa lønnsdannelsen i Norge negativt, spesielt i yrker der en ikke trenger å mestre norsk som arbeidsspråk. Senterpartiet mener at Stortinget for å unngå dette må vedta lovverk som regulerer tilbudet av utenlandsk arbeidskraft, og vi fremmer derfor forslag om at Stortinget ber regjeringa om å arbeide for reguleringer med formål å avgrense arbeidsinnvandringa fra EØS-området. Svake grupper i arbeidslivet i dag taper når tilgangen på billig, ung og flittig arbeidskraft – og jeg kan ikke få understreket nok dette med flittig arbeidskraft – som kommer gjennom arbeidsinnvandringa, er så stor som den er i dag. Dette må vi snakke høyt om. Det skulle vært gjort for lenge siden av flere partier. Senterpartiet mener at vi trenger langt sterkere virkemidler for å øke etterspørselen etter de gruppene av folk som taper i arbeidslivet. Her er ordningene med lønnstilskudd viktig. Jeg håper at de vage formuleringene som kommer i meldingsdelen, blir gitt et helt annet innhold, slik at det kan bli noe ut av det. det. Ellers: Når det gjelder ordningen med varig tilrettelagt arbeid, den såkalte VTA-ordninga, er det viktig at den fortsatt blir statlig delfinansiert og er en statlig ordning. Det er veldig sentralt, og en veldig kjær ordning for de mange som har glede av det. Det er en galopperende vekst i bemanningsselskapene, og stadig flere som har kontraktsformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. oppdrag. Det viser nå at Stortinget må ta fatt i definisjonen av «fast ansettelse» og «midlertidig ansettelse», og en må også gjøre kontraktsformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag ulovlig. Det er svært viktig at vi gjør det, for vi kan ikke ha det uvesenet som utvikler seg nå, at folk får inntrykk av at det er en fast ansettelse, og så er realitetene noe helt annet. Det skulle vært unødvendig at vi skal definere fast ansettelse, men det er det nå behov for.

Hvordan, rent praktisk, ønsker representanten Lundteigen å holde andre arbeidstakere fra Europa utenfor Norge? Det er ikke korrekt det som blir sagt. Jeg ønsker ikke å holde arbeidstakere utenfor Norden ute fra det norske arbeidsmarkedet. Det vi sier, er at vi vil regulere arbeidsinnvandringa. Vi vil ha et annet system enn det som er i dag, hvor det er fri arbeidsinnvandring. Vi ønsker å ha forhold som er slik at de som kommer og ønsker å komme til Norge, har en sikkerhet for at de har arbeid når de kommer hit. Dermed kan vi også sikre at det ikke medvirker til at vi forstyrrer det norske arbeidsmarkedet på en måte som gjør at de grupper som i dag blir presset nedover i lønns- og arbeidsbetingelser, blir utsatt for en slik adferd. For det er det jo ingen som her i denne sal har sagt at de ønsker, det bare blir sånn som følge av den frie arbeidsinnvandringa etter EØS-avtalen. Slik jeg har forstått Senterpartiet, ønsker man å gå inn for et aktivitetstilbud og ikke en aktivitetsplikt.

mottok sosialhjelp i kommunene, skulle få anledning til å gå igjennom et tilbud hvor en kunne få avklart sin arbeidsevne. Dermed skulle en nå det målet at de som ikke hadde arbeidsevne, skulle kvalifisere for uføretrygd, og de som hadde arbeidsevne – til enten hel- eller deltid – skulle få et tilbud der. Det er dette – som for så vidt også regjeringa er noe inne på, det å øke tilbudet av den type arbeidsplasser for den type mennesker – som er viktig. Senterpartiet ser det ikke som annet enn at vi ikke greier å viktig. Senterpartiet ser det ikke som annet enn at vi ikke greier å få det til uten at det offentlige er en slags fødselshjelper overfor de arbeidsgivere som er interessert i å gjøre det, slik at summen av arbeidsinnsats – og det offentliges innsats – skal medvirke til at den arbeidskaren eller -kvinnen som det gjelder, skal kunne få en inntekt som en kan leve av. Det er en ordning som bør utvikles, og det er en mye mer positiv ordning enn å begynne å snakke om juridisk plikt

at innvandringen fra verden utenfor Europa skal begrenses. Hvordan kan representanten fra Senterpartiet mene at arbeidssøkere fra våre viktigste handelspartnere er vanskeligere å integrere enn folk fra andre land? Det å ha full sysselsetting henger sjølsagt sammen med lønnsomheten i næringslivet. Vi har nå vært i en situasjon hvor den norske krona har fått en lavere verdi, og jeg regner også med at Fremskrittspartiet her i salen er enig med sin leder, Siv Jensen, som har sagt at det er veldig bra at vi har egen valuta som da kunne brukes som såkalt naturlig stabilisator for å sikre aktiviteten i Norge. Derfor tok vi inn valutaspørsmålet, EØS-avtalen i dette, på samme måte som Siv Jensen og regjeringa har tatt det inn. Når det så gjelder arbeidsinnvandringa utenfor EØS-området, er den klart regulert. Det er klare regler for hvem som får arbeidstillatelse i Norge utenfor EØS-området. Det er ingen i denne salen som har gått inn for å forandre en regulering av den arbeidsinnvandringa. Der står Senterpartiet trygt, som de andre partiene.

både for den enkelte og for samfunnet. Når en ser spesielt på de gode erfaringene man har i Drammen vedrørende aktivitetsplikt, og man ser at det fungerer, færre går på sosialhjelp og flere kommer seg i jobb, ønsker virkelig ikke Senterpartiet å videreføre slike gode resultater i resten av landet? Det er ingen som tar skade av å arbeide litt, og de færreste tar skade av å arbeide hardt Men det vi snakker om nå, er aktivitet. En må jo forstå folks situasjon, en må få utøve litt klokskap, en må jo utøve litt menneskekunnskap. Det nytter ikke å tvinge folk hvis en ikke er motivert for det sjøl. Jeg syns det viser at den juridiske aktivitetsplikten overser den livssituasjonen som disse menneskene er i. Når en reiser rundt og snakker med dem, er det en gruppe som har opplevd ganske vanskelige ting. Jeg mener da at vi bør prøve å opptre med en menneskelig varme og prøve å medvirke til at de får en arbeidsmulighet, for de fleste har noe godt i seg og ønsker å utvikle det dersom en får mulighet til det. Det er mye mer konstruktivt enn å snakke om juridisk aktivitetsplikt.
Neste taler er representanten

at Senterpartiet er oppteke av opne dører, og at Senterpartiet har mykje til felles med Venstre. Men med ordbruken i denne innstillinga kan eg vanskeleg sjå kva vi har til felles i alle fall på dette punktet. På den andre sida sa Framstegsparti-statsråd Solveig Horne til Aftenposten den 16. mars: «Jeg mener at innvandring er bra for samfunnet. Vi ville ikke klart oss uten den innvandringen vi har. Hadde vi ikke hatt den arbeidsinnvandringen, ville det vært vanskeligere å gjøre det som er viktig for landet.»

det er en enorm ressurs. Det er en enorm ressurs som vi må bruke – en enorm mulighet – men det vil kreve ganske offensive tiltak å få til en endring. Når det så gjelder partiet Venstre, tror jeg Slagsvold Vedum tenkte på det gamle Venstre, ikke dagens nyliberalistiske Venstre. Eg har forstått at Senterpartiet fekk nok av det gamle Venstre, sidan dei braut ut av det i 1920. Eg vil åtvare mot at vi skal skape ei motsetning mellom det å ta imot menneske som kjem til Noreg og ønskjer å arbeide, og det å inkludere fleire norske statsborgarar i arbeidslivet. Dette er eit openbert tilfelle der vi skal seie ja takk, begge delar, for talet på arbeidsplassar er jo ikkje eit nullsumspel, tvert imot har vi vekst i økonomien vår, og vi har hatt det i mange år. Eg må seie at eg undrar på kven det er Senterpartiet har snakka med rundt omkring i landet, når dei no har denne faktisk mest restriktive haldninga til arbeidsinnvandring i Stortinget. Gardsbruk, kyrkjer, sjukehus, legekontor og butikkar over heile landet har teke imot mange dyktige arbeidsinnvandrarar frå Sverige, Tyskland og Frankrike dei siste åra. Eg trur ikkje dei ville klart seg utan, men det er mogleg Senterpartiet har ei anna oppfatning. Det er ikke bare at de er dyktige, de er også svært flittige. Det er svært mange av de arbeidsinnvandrerne som kommer til Norge fra EØS-området, som er utrolig gode arbeidsfolk. De gjør en fantastisk god innsats, og Senterpartiet ønsker å ta imot dem og inkludere dem. Men vi har gjennom erfaring sett og lært at det er en fordel å ha virkemidler som gjør at en har rimelig kontroll over situasjonen i en totalitet, for det som utvikler seg i dag i det norske arbeidsmarkedet, er at en rekke grupper får en svakere stand og stilling. Vi ser det på ungdommen, som ikke utdanner seg i en rekke fag som trengs for å bygge Norge. Sånn kan det ikke være, etter Senterpartiets syn. For Venstre er det ikke noe problem, men der har vi en uenighet. Replikkordskiftet er omme. Noreg har ei relativt låg arbeidsløyse, og det har vi

t.d. dei anslagsvis 40 000 under 30 år som verken er i jobb, under utdanning eller del av Nav-systemet – eller blant dei 650 000 som står heilt eller delvis utanfor arbeidslivet gjennom å nytte seg av ulike ordningar i Nav. Mange vil aldri kome i arbeid, og det å vere sjuk – kortvarig eller langvarig – er ikkje noko ein skal skamme seg over. Tvert imot er det jo nettopp derfor vi har eit sosialt slik at alle skal få moglegheit til å leve verdige liv uavhengig av personlege forhold. Samtidig må vi innrømme at vi ikkje er gode nok til å inkludere dei i arbeidslivet som kunne gjort ein innsats med betre tilrettelegging. Noko av dette handlar om eit stivbeint regelverk, som kan vere til hinder for at folk får sjansen til å prøve seg. Noko handlar om støtteordningar, som ikkje i tilstrekkeleg grad oppmuntrar til aktivitet. I dag gjer Stortinget viktige vedtak for å sikre at vi kan inkludere fleire i arbeidslivet. I meldingsdelen av Prop. 39 L er det ein god og grundig gjennomgang av verkemiddel vi har i arbeidsmarknadspolitikken, og eg oppfattar det slik at stort sett alle forslaga og skildringane som regjeringa her kjem med, samlar brei støtte i Stortinget. Meir kontroversielt har forslaget om å gje ein generell tilgang til mellombels tilsetting Venstre er for dette. Vi meiner det vil gje større moglegheit til at fleire får prøvd seg i arbeidslivet, får vist kva dei er gode for og forhåpentleg få ein fast jobb etter kvart. Forslaga er ramma inn av strenge reglar kva gjeld prosentvis del av arbeidsstokken, og kva gjeld føresegner om karantene, så potensialet for misbruk er etter Venstres syn minimalt. Samtidig har vi vore opptekne av at vegen til fast jobb bør bli kortare enn det han er i dag. Derfor har vi i mange år vore kritiske til den såkalla fireårsregelen og ønskjer å stramme inn den. Det får vi gjennomslag for i dag. Dette er eit syn som Venstre og Kristeleg Folkeparti har stått aleine om i Stortinget, og det er derfor gledeleg at eit fleirtal i dag seier at dei som er mellombels tilsette, i vikariat, på generelt grunnlag – dei to i kombinasjon, eller i kombinasjon med ei prosjektstilling ha krav på fast jobb etter tre år. Dette var eit viktig krav frå Venstres side då vi gjekk inn i forhandlingar om ei ny arbeidsmiljølov. Eit anna viktig krav for oss, som vi i dag får gjennomslag for, er at vi må få bukt med mellombelse stillingar i staten. Der høvet til å bruke mellombelse tilsetjingar har vore svært «smal» etter arbeidsmiljøloven, har den vore desto større i staten. Det handlar både om lovverket, dvs. tenestemannslova og universitets- og høgskulelova, men også om for dårleg arbeidsgjevarpraksis. I dag ber stortingsfleirtalet om at regjeringa – gjennom dei to utvala som er sette ned – skal kome til Stortinget med forslag som minskar bruken av mellombelse stillingar i staten. Dette er viktig for å skape større likskap mellom sektorane i arbeidslivet, både kva gjeld regelverk og kva gjeld praksis. Eit forslag som Venstre derimot har vore meir skeptisk til, er innføringa av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar. Ikkje fordi vi ikkje trur at aktivitet kan vere bra, men fordi dette er ei ordning som kommunane har ansvaret for, og vårt generelle utgangspunkt er at vi har tillit til lokaldemokratiet. Vi har likevel, som del av forliket mellom Venstre, Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti, gått med på at aktivitet ikkje berre skal vere ei moglegheit, men at det skal vere hovudregelen. føler oss tilstrekkeleg trygge gjennom dei viktige merknadene som er komne på plass, der vi sikrar stor lokal handlefridom i gjennomføringa av aktivitet, der vi sikrar at finansieringa av eventuelle ekstrautgifter for kommunane skal følgje med, og der vi sikrar at byråkratiet rundt dette blir halde på eit absolutt minimum. Då står det sjølvsagt berre att å håpe – og det gjer vi – at tiltaket som no blir vedteke, vil ha gode resultat, og at flest mogleg kjem seg ut i ordinært arbeid eller utdanning etter kort tid. Det trur eg vi alle er einige om. Venstre meiner at desse to sakene sett i samanheng, Prop. 48 L og Prop. 39 L, legg eit godt grunnlag for eit meir moderne arbeidsliv, der vi jobbar for å redusere utanforskapen, der fleksibiliteten på den enkelte arbeidsplass blir styrkt, og der det sosiale tryggingsnettet rundt dei som fell utanfor,

skape en uklar arbeidsmiljølov som blir vanskelig å forstå, bruke og håndheve. Synes representanten Rotevatn at resultatet fra forhandlingene med tre år for noen, men ikke for alle, er å foretrekke, eller ville representanten fortsatt helst sett at flertallet i dag vedtok én regel for alle og strammet inn fireårsregelen til en treårsregel, slik Arbeiderpartiet foreslår? Representanten føretrekkjer sitt eige partiprogram.

Stortinget. Vi har brukt forhandlingsposisjonen vår til å sikre fleirtal for ei innstramming. Går det like langt som Venstre i utgangspunktet ønskte? Nei, det gjer det ikkje, men det sikrar at vegen til fast arbeid blir kortare. Ikkje minst sikrar det at dei som driv og sjonglerer mellom ulike heimlar for det som i realiteten er eit fast behov, etter tre år blir pålagde å gjere det til ei fast stilling. Det er Venstre godt fornøgd med, og vi er godt fornøgde med at Arbeidarpartiet har snudd, sjølv om det skjedde i aller siste sving. til ei fast stilling. Det er Venstre godt fornøgd med, og vi er godt fornøgde med at Arbeidarpartiet har snudd, sjølv om det skjedde i aller siste sving. Vi skrev allerede i arbeidslivsmeldingen at det var behov for å se på fireårsregelen, og nå foreslår vi en treårsregel for alle. Det blir enkelt å forstå, enkelt å bruke og bedre rettigheter for alle midlertidig ansatte. Venstre mente før og under forhandlingene at alle midlertidig ansatte skulle ha den samme årsregelen for når økt stillingsvern slår inn, og da to år. Mener representanten Rotevatn at forhandlingsløsningen Venstre nå har fått i stand med tre år for noen, fire år for andre – et rotete regelverk som blir vanskeligere å forstå – er en bedre løsning enn én regel for alle, der alle midlertidig ansatte, uansett grunnlag, får tre år slik Arbeiderpartiet

kunne kome med sitt syn på denne saka før vi var ferdigforhandla, kan berre Arbeidarpartiet svare på sjølv. Eg trur eg veit kva svaret er. Det er heller ikkje sikkert at Arbeidarpartiet sitt forslag gjeld for alle. Det gjeld for ein heimel til i den paragrafen det er snakk om. Det vi er opptekne av, er å sørgje for at vegen til fast jobb blir kortare. Det blir gjort no, og så blir døra inn opnare. Det er framleis Arbeidarpartiet imot, og det brukar dei mykje energi på å kjempe mot. Dei seier til og med at dei skal reversere det, og det er ein av mange gode grunnar til at fleirtalet som er i denne

Stadig flere blir ansatt i bemanningsselskaper. Svært mange fra Øst-Europa får en fot innenfor det norske arbeidslivet gjennom bemanningsselskaper. Stadig flere opplever folk fra bemanningsselskaper på sin arbeidsplass. Det er selskaper som leier inn folk, leier ut folk og ikke har noen egen produksjon. Så har det utviklet seg en ansettelsesform i disse bemanningsselskapene som er fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag – fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Er dette en lovlig form for fast ansettelse etter Venstres syn?

ikkje bør vere hovudvegen inn i arbeidslivet for folk. Eg registrerer jo at med dei lovendringane vi no gjer, er det særleg ein bransje som har vore skeptisk, og det er nettopp bemanningsbransjen, grunna dei endringane ein gjer rundt mellombelse stillingar, og sørgjer for at det blir ein veg inn i det ordinære arbeidslivet utanom bemanningsbransjen. Det er ikkje med det sagt at bemanningsbransjen er eit problem i seg sjølv, men eg trur vi alle er einige om at hovudvegen inn i arbeidslivet bør vere gjennom ordinær tilsetting. Så det at folk får jobb, det synest eg er fint. At dei får jobb gjennom bemanningsselskap er fint, men det aller beste er om dei kjem inn på ordinært vis. Det er mange som snakker om fast tilsetting, og at det skal være hovedregelen. Det er få som snakker om at en ved fast tilsetting har også en prøvetid, som gjør det til en veldig god ordning. Men mitt spørsmål var om det som nå utvikler seg i et rasende tempo, nemlig at det er folk i bemanningsselskapene som får en arbeidskontrakt som heter fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. Statsråden har tidligere sagt at han ikke ønsker å behandle dette politisk, få en politisk avklaring. Statsråden har sagt at det må opp for domstolene. I domstolene opplever en at de som kommer opp i en situasjon som dette fra bemanningsselskapenes side, inngår forlik, så det kommer ikke opp der. Så mitt spørsmål er igjen: Er fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag å karakterisere som fast ansettelse etter Venstres definisjon? Eg trur det går fram av representanten Lundteigens eige spørsmål at dette ville det vore ein fordel å få ei juridisk avklaring på, gjerne gjennom domstolsapparatet, der ein gjer slikt. Men når det er sagt: Eg er i og for seg einig i at dette er ei problemstilling som det er verdt å gå nærmare inn på. Den har ikkje vore så veldig mykje omtalt før dei siste par månadene, men eg vil seie det sånn at eg er einig i at dette er noko ein bør sjå på, men primært burde dette fått ei rettsleg avklaring før ein eventuelt gjer noko politisk. Når det gjeld prøvetid, som representanten Lundteigen er innom i byrjinga av replikken sin, så er jo det viktig, men eg trur det er grunn til å understreke at det er er noko anna enn dei heimlane som finst for mellombelse tilsettingar i arbeidsmiljølova i dag og den heimelen som blir lagt til i bokstav f. Det som veldig mange bedrifter seier, er at dei kjem til å tilsette fleire, ta større sjansar, utvide, satse, dersom dei får høve til å tilsette fleire, slik dei no får av stortingsfleirtalet. Det trur eg er bra for næringslivet, og det trur eg er bra for dei arbeidstakarane

det gjøres etter vårt syn ikke gjennom en arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere, men tvert imot ved å styrke ordninger som vi vet virker, som kvalifiseringsprogrammet, som gir tett, individuell oppfølging og noe mer å rutte med for dem som deltar i det. Jeg lurer på hvilke virkemidler som er utløst lokalt, som gjør at Venstre har fått tro på at det likevel er riktig å gå inn for en
plikt til å tilby, er ikkje berre arbeid; det kan vere andre ting – det kan vere utdanning, det kan være ulike tiltak, det kan vere avrusing, det kan vere jobbsøking. Men det er også rett, som eg nemnde i mitt hovudinnlegg, at vi i Venstre i utgangspunktet var skeptiske til det forslaget som kom, og det var hovudsakleg ut frå vårt syn på lokaldemokratiet. Dette er jo ei ordning som er finansiert av kommunane, og vi ønskjer størst mogleg handlefridom for dei, med omsyn til korleis dei vil stille vilkår, slik mange gjer i dag. Så ser vi at veldig mange kommunar har stor suksess med nettopp å tilby aktivitet, så det er ingenting gale med det; det er tvert imot veldig bra. I forhandlingar må ein gje og ta. Dette er noko vi har valt å gå med på og stemme for. Det er grunngjeve i at vi no får stor handlefridom lokalt med omsyn til korleis ein skal gjennomføre det, at Stortinget seier tydeleg at det ikkje skal føre til auka byråkrati, og at Stortinget forpliktar seg til å finansiere eventuelle meirutgifter. Då er det noko Venstre kan stå for. Man har full anledning i dag til å utøve skjønn når det gjelder krav om aktivitet eller andre krav knyttet til sosialhjelpsutbetaling. Det jeg da lurer på, er: Hvis man ikke evner å stå i de forpliktelsene man blir gitt – hvis man har rusbehandling som forpliktelse og ikke evner å følge opp, hvis man har utdanning og stryker til eksamen, og hvis man har andre forpliktelser som å skulle plukke søppel i gatene, men ikke møter opp en dag – er det da hensiktsmessig å få trekk i

i dag står kommunane fritt til å påleggje aktivitetsplikt, og dei står fritt til å påleggje sanksjonar ved brot på aktivitetsplikta. Det vi gjer no, er eigentleg berre éin ting, og det er å snu hovudregelen, slik at regelen er at ein skal tilby aktivitet og så heller grunngje unntaka, og unntak kan ein absolutt tenkje seg. Mange vil ikkje kunne vere i aktivitet, ut frå ulike psykiske eller fysiske helseplager, skal dei då ikkje påleggjast aktivitet eller trekk i ei yting. Men for dei som kan, er aktivitet føremålstenleg. Då blir hovudregelen at det skal skje, og ein må grunngje det dersom ein ikkje skal gjere det. Men ein må sjølvsagt aldri kome dit at ein får eit slikt trekk i ytinga at det går ut over liv eller helse, eller at ein ikkje klarer å få oppfylt sine mest grunnleggjande behov, men det slår fleirtalet fast i innstillinga.

Vi har et godt arbeidsliv fordi vi har et velfungerende trepartssamarbeid som har fått virke over tid, og vi har et godt arbeidsliv fordi vi har hatt sterke fagforeninger. Vi har en sterk fagbevegelse som både har evnet å utjevne maktforholdene i arbeidslivet noe, og som har evnet å samle folk til felles krav om forbedring i deres arbeidsdag. Forskning og erfaring viser at når færre har fast jobb, blir også færre organisert – færre blir med i en fagforening. Derfor ser også SV veldig alvorlig på det forslaget som foreligger om midlertidige ansettelser, fordi det selvfølgelig for den enkelte og for veldig mange kan bety å få livet sitt satt på vent, både når det gjelder mulighet for boliglån, det å våge å få barn og det å ha en grunnleggende trygghet også om helsen skulle svikte eller morgendagen briste. Men det er også alvorlig med midlertidige ansettelser fordi en lavere organiseringsgrad blant folk

Vi kjøper ikke fortellingen om at midlertidige stillinger trengs for at flere skal få plass i arbeidslivet. Derfor foreslår vi en gjennomgang av virkemiddelapparatet for at personer med nedsatt arbeidsevne faktisk skal få komme inn, og jeg vil oppfordre alle som ønsker et mangfoldig arbeidsliv, til heller å støtte det.

skal få plass i arbeidslivet – fordi det er feilaktig, fordi det ikke vil føre til flere jobber, bare at flere får midlertidig jobb. Fellesskapsløsninger må vi ha tydelige regler for, men vi må også ha et tillitsbasert system. SV har som mål at alle skal sikres inntekt og verdighet ved sykdom, ved hendelser i livet også når ting ikke går helt som tenkt. Da er det viktig at vi også har en fordeling av roller og oppgaver som er tydelig. Det er viktig at at det er leger og helsevesen som har mulighet til å gjøre vurderinger rundt den enkeltes helsesituasjon, og at det ikke overprøves av Nav. Det er viktig at Navs oppgave er å gi folk tett individuell oppfølging og tiltak tilpasset den enkelte. Og det er viktig at den enkelte møtes med tillit og respekt i de systemene som skal hjelpe en ut i arbeidslivet. Det lønner seg alltid å jobbe. Derfor må syke mennesker møtes med hjelp og ikke med mistenkeliggjøring. Det har ingen hensikt å stille krav til mennesker om vilje hvis spørsmålet om å yte er knyttet til helse og til evne.

og utøver velferden der folk bor. Representanten Kirsti Bergstø har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Velferdskontrakt ble beskrevet i en melding fra den rød-grønne regjeringen: «Regjeringen vil gjennom bruken av begrepet velferdskontrakt understreke at det skal være en sammenheng mellom rettigheter og plikter.» Videre står det: «Rettigheter vil medføre økonomisk sikkerhet, forutsigbarhet og individuelt tilpassede tiltak og oppfølging. Plikter betyr deltakelse i tilpassede tiltak som både kan motivere for og fremme overgangen til aktivitet og arbeidsliv og ansvar for egen livssituasjon. Pliktene skal også sikre at de som kan arbeide ikke blir passive stønadsmottakere.» I flertallsmerknaden står det til dette: overholdelse av plikter må kunne få konsekvenser.» Og: «Passiv utbetaling av midlertidige stønader skal være unntaket, ikke regelen.» Hvor hult synes representanten Bergstø at SVs motstand mot aktivitetsplikt virker i dette perspektivet?

skritt i livet. Det er også mange som er i arbeid, men som faktisk har behov for å søke om supplerende ytelser.

og som jeg vil løfte fram og oppfordre til å styrke i framtiden. Det var et svar på alt annet enn det jeg spurte om, men jeg får bare tolke det dit hen at velferdskontrakt, som de rød-grønne skrøt av, er noe som ikke lenger gjelder for Sosialistisk Venstreparti – eller, for øvrig, for Arbeiderpartiet eller Senterpartiet. Én ting vi har hørt mye fra de rød-grønne, er at midlertidige ansettelser har en springbretteffekt på grunn av dagens regelverk. Det har ingenting å gjøre med at man senker terskelen inn til jobb – det har bare med at dagens regelverk er utformet akkurat slik som det er i dag. Hvorfor går da SV med på et forslag om å endre dagens regelverk? Er ikke partiet redd for at springbretteffekten vil reduseres? Jeg kan berolige representanten Heggelund med at SV fremdeles vil at folk skal yte etter evne og få etter behov. Det er en del av vår velferdskontrakt. Så er det spørsmål om midlertidighet. Vi i SV har programfestet at vi ønsker at mennesker som har hatt midlertidig stilling i to år, skal få mulighet til fast ansettelse, selvfølgelig etter de kriteriene som står i loven i dag når det gjelder Det mener vi ville vært bra. Vi støtter en treårsregel for alle fordi vi ønsker å ha ryddige regelverk, som folk kan forholde seg til. Vi mener at det viktigste er å nå målet om at færre skal være midlertidig ansatt, og at flest mulig skal ha sikkerhet og trygghet i arbeidslivet. Det håper vi å kunne oppnå flertall for. Spørsmålet mitt handler om aktivitetsplikt. Én ting jeg er helt enig med representanten

Men det jeg lurer på, er om representanten Bergstø er enig med tidligere sosialpolitisk talskvinne i SV, Karin Andersen, som har kalt aktivitetsplikten for tvangsarbeid.

liv. Det er nettopp det at slike enkle slutninger trekkes, som gjør meg spesielt kritisk til denne ordningen. Sosialhjelpen er til for at man skal ha mulighet til å ha et verdig liv også når livet er vanskelig og økonomien svikter. Slik det opprinnelige forslaget var utformet, var det absolutt en oppskrift på tvangsarbeid. Kristelig Folkeparti og Venstre

mitt. Det ble hevdet fra representanten Bergstø at vi har gjort så store endringer når det gjelder aktivitetsplikten. Da lurer jeg på: Hvilke endringer mener representanten Bergstø at Stortinget har gjort når det gjelder utformingen av selve aktivitetsplikten? Det er det ene. Det andre går på: Når man kaller det tvangsarbeid, mener da representanten Bergstø at Sosialistisk Venstreparti i kommuner som har innført dette, bedriver

ville vært opptatt av å redusere bruken av midlertidighet. Sett i lys av spesielt innlegget til representanten fra SV, som var meget kritisk til bruk av midlertidighet, forstår jeg ikke hvorfor SV unnlater å være med på flertallsmerknadene om å redusere bruken av midlertidighet i

Det er det det handler om. Så ser vi fram til å kunne skjerpe regelverket for statlig ansatte, i håp om å kunne dempe bruken av midlertidig arbeidskraft i akademia og blant tjenestemenn som i dag i altfor stor grad lever med den usikkerheten. Det er noe som vi ønsker, og som vi også har programfestet i SV.

svar sa representanten at ein har eit anna utgangspunkt og andre premissar. Kva for utgangspunkt og premissar i merknaden om å få bukt med bruken av mellombelse stillingar i staten er SV ueinig i? Kan representanten peike på ein einaste ting som SV er ueinig i

hver eneste dag. Det at vi ikke har gått inn på enhver formulering som det i seg selv kanskje kunne vært mulig å gå inn på, betyr ikke at SV har en annen politikk. Vi ønsker å kjempe mot midlertidige stillinger der de finnes, og der de utgjør et problem og gir en mangel på trygghet og sikkerhet i arbeidsfolks liv.

I samme tidsperiode trenger vi 90 000 flere fagarbeidere enn vi i dag klarer å produsere. Hvordan skal vi legge opp til en arbeidsmarkedspolitikk som sørger for at flere får muligheten til å være på innsiden av arbeidslivet, ha de kvalitetene, ha de kvalifikasjonene som er nødvendig for å møte morgendagens arbeidsliv? Hvordan ruster vi Norge for fremtiden? Da trenger vi å tenke nytt, og vi trenger å tenke nytt, og vi trenger å tenke annerledes. Ser vi samtidig inn i den samme tidskula, vil i 2025 – hvis befolkningen øker fra 5,1 til 6,1 millioner – 17 pst. av befolkningen være innvandrere. Halvparten av dem vil være fra land som Latin-Amerika, Sør-Amerika, Afrika og Asia, altså land som i utgangspunktet står langt fra Norge – manglende språk, manglende relevant arbeidserfaring i forhold til det norske arbeidsmarkedet. Hvilken dør skal vi ta de menneskene igjennom når de står foran to dører? Skal vi kjøre dem inn Nav-døra og si at vi ikke skal bruke dem i det norske arbeidslivet, eller skal vi kjøre – ønsker å gjøre terskelen lavere for at flere får muligheten til å delta inn gjennom arbeidslivsdøra. Vi trenger deres kompetanse. Vi trenger deres bidrag for å ha et godt og bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden. Jeg møter mange innvandrere, ungdommer med hull i CV-en og folk som har møtt utfordringer i sitt liv, som kommer bort til meg og sier: Jeg skulle så gjerne ha hatt en arena og vist meg frem på, fått vist meg frem og vist at jeg faktisk er god nok selv om jeg har hull i min CV, selv om jeg har hatt utfordringer i mitt liv. Den arenaen ønsker vi å legge bedre til rette for ved å ha en oppmyking av

Så registrerer jeg at opposisjonen – den rød-grønne regjeringen – sa da man var i posisjon, at vi ønsker å bruke arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd inn mot midlertidige ansettelser. Hvis man altså tar ungdommen som har falt ut, som sitter nede i kjellerstua, spiller PlayStation, og som ønsker å ta tak i livet sitt, så er det greit for de rød-grønne partiene at man går opp fra kjellerstua, går ned på Nav, står seks måneder i seks måneder i kø på Nav, for så å få muligheten til å gå ut i en midlertidig ansettelse. Da det er greit at en er midlertidig ansatt i fire år. Men hvis den samme ungdommen går opp den samme kjellertrappa, ut til bedriften på hjørnet og spør om å få vist seg frem, så er man uenig i at man skal få lov til å vise seg frem i ett år. Det er en logikk som jeg ikke skjønner. Det er en logikk jeg ikke forstår. Representanten Holen Bjørdal sa i sitt innlegg at vi prøvde å gjemme vekk arbeidsmarkedspolitikken. Nei, jeg er stolt over den arbeidsmarkedspolitikken som denne regjeringen har lagt frem i denne proposisjonen og synliggjort. Vi var ikke fornøyd med den meldingen som ble levert. Det var en melding der man skulle vurdere og utrede en rekke tiltak videre. Hvordan skal en melding følges opp? jeg spør representanten Holen Bjørdal. Jo, i så fall skulle det ha tatt enda lengre tid, for da skulle man ha laget en proposisjon som skulle ha vært ute på høring, mens vi gjør det i samme operasjon for å ha konkrete forslag på bordet, for å bedre hverdagen for dem som trenger hjelp inn mot arbeidslivet, raskere. Derfor er jeg stolt over at vi nå legger på plass et varig lønnstilskudd, at vi øker

mennesker som Steffen, som er funksjonshemmet, som er lam fra brystet og ned, får en tilrettelagt arbeidsplass så han kan være varig på den arbeidsplassen. Steffen ser frem til å bli ansatt på ordinære vilkår, har fått det tilrettelagte utstyret som skal til for at han skal kunne fungere i arbeidshverdagen sin hver eneste dag. Det kaller jeg inkluderingspolitikk, som jeg er stolt over. Det er et taktskifte i forhold til det som var tidligere. Og det er for det hjelper flere som er i hans situasjon, inn i varig arbeid og inn i en god arbeidssituasjon. Et varig lønnstilskudd – jeg snakket om det i opposisjon flere ganger. Nå leverer denne regjeringen. Mennesker som står i fare for å havne permanent på uføretrygd, kan nå få med seg et varig

som vedtas her i dag. Vi ivaretar det som har blitt etterlyst her. Hva er det den rød-grønne regjeringen kom med? Jo, den rød-grønne regjeringen kom også med mye bra. Derfor viderefører vi jobbstrategien. Derfor har vi styrket, forbedret og videreført det som går på oppfølgingsplan for arbeid med psykisk helse. Kiwi er en av de butikkene som driver med jobbmestrende oppfølging på en god måte – jeg besøkte en butikk på Raufoss for kort tid tilbake – der folk med sterke psykiske lidelser får muligheten til å prøve seg innen arbeidslivet, får bli i arbeidslivet. Det er et tiltak vi er enige om, og som vi viderefører, og som vi vil styrke innsatsen på. Jeg er glad for at vi også får på plass også får på plass nytt tiltak, arbeidsforberedende tiltak, for noen mennesker trenger lengre tid på å bli kvalifisert, få den nødvendige tryggheten, få de nødvendige kvalifikasjonene for å gå videre inn mot det ordinære arbeidslivet. Den overgangen bedrer vi istedenfor at man skal bli innelåst enten i varig tilrettelagt arbeid eller at man ikke kommer seg ordentlig ut i arbeidslivet fordi perioden er for kort i forhold til dagens oppfølging og avklaring. Vi slipper flere aktører til, flere talentutviklere. Hvert enkelt menneske har et talent. Nå blir det flere talentutviklere som er med og tar tak i mennesker for å hjelpe dem inn mot arbeidslivet. Derfor er jeg glad for at vi har en politikk som tredobler innsatsen mot sosiale entreprenører, som gjør en fantastisk innsats – at man er offensiv på det området. området. Jeg registrerer også at mange partier i denne sal – og jeg respekterer det – er uenig i midlertidige ansettelser. At man har valgt å være uenig i midlertidige ansettelser og syns at det er et dårlig tiltak, det respekterer jeg. Jeg syns det er et godt tiltak. Men jeg hører også at de samme politiske partiene som er imot, syns traineeordningen er en veldig god ordning og syns at vi bør ha mer av det. Hva er en traineeordning? Det er en midlertidig ansettelse til dårligere lønnsvilkår enn midlertidige ansettelser. Hvorfor er man for det

Hvis statsråden er enig i at det er en uhørt ansettelsesform, kan vi presisere lovverket. Det ber et mindretall om i innstillingen. Vil statsråden bidra til at vi får slutt på den uverdige ansettelsesformen som nå er i ferd med å utvikle seg? For det første var det ikke denne regjeringen som innførte begrepet «fast ansettelse uten garantilønn». garantilønn». Det var en del av arbeidsmiljøloven som var vedtatt, og som ble opprettholdt av de rød-grønne. Hvis det var sånn at lovgiver på det tidspunkt så at dette var et problem, hvorfor endret ikke forrige regjering de lovene? Hvorfor presiserte ikke forrige regjering de uklarhetene i loven, hvis det er uklarheter i loven? Mitt poeng – og jeg har også svart representanten Lundteigen på akkurat det samme spørsmålet tidligere i dag – er at vi har en dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har bedt partene i arbeidslivet bl.a. om å dokumentere omfanget av det. Jeg venter på dokumentasjon fra partene på det og har hatt møter både med Fellesforbundet og med arbeidsgiversiden. Så mener jeg oppriktig at hvis man mener det er uklarheter i lovverket, og at noe er i strid med loven – som det har blitt reist spørsmål om – så er det faktisk sånn at det er domstolene som avgjør lovfortolkning, avgjør om det er i strid med loven eller ikke. Først når man har fått det så er det faktisk sånn at det er domstolene som avgjør lovfortolkning, avgjør om det er i strid med loven eller ikke. Først når man har fått det bekreftet, vil det være naturlig at lovgiver går inn og presiserer, ut fra det som er en politisk målsetting og et ønske. Dette er en merkelig forståelse av maktfordelingsprinsippet: Hvis en politisk mener at en lov skal være sånn eller sånn, skal en først vente på

viktig og riktig å kunne få dokumentasjon når man ber partene om å dokumentere hvordan situasjonen faktisk er, og hvordan loven brukes. Dette er ganske overraskende, for nå sier faktisk statsråden at dette er en lovlig ansettelsesform i dag, og da begriper ikke jeg hva statsråden har ment når han tidligere har sagt at denne ansettelsesformen må prøves rettslig. De fleste politikere som har uttalt seg og engasjert seg i dette spørsmålet, mener at vi etter dagens lov har to mulige ansettelsesformer. Det ene er en fast ansettelse, og det andre er en midlertidig ansettelse. Hvor finner statsråden hjemmel for at den praksisen som har utviklet seg, er lovlig? Det er fullt lovlig i dag å være fast ansatt med provisjonslønn. Forsikringsbransjen bruker det i stor grad. ingenting i arbeidsmiljøloven som hindrer det, og jeg er for at man kan være fast ansatt på provisjonslønn i næringer. Nå må representanten Andersen høre hva jeg sier: Hvis man mener at dette er i strid med loven, må man prøve det for domstolen. Det er domstolen som er den rette instansen til å avgjøre om det er i strid med loven eller ikke. Det har jeg sagt hele tiden og står fortsatt fast på det. det. Det er også innenfor maktfordelingsprinsippet, og det regner jeg med at også representanten Andersen kjenner godt til.

fordi den er billig for bemanningsselskapene, og det er kontraktsformen «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag». Jeg har ikke opplevd en eneste i denne salen som definerer fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag som å komme innenfor definisjonen for kjernen ved fast ansettelse er jo at en har en plikt til å møte på arbeid. En har en plikt til å møte på arbeid hver dag. Jeg ber om statsrådens forståelse: Er dette fast ansettelse? Det juridiske spørsmålet er det domstolene som må avgjøre. Jeg er ingen jurist, som kan avgjøre det, og det vet representanten Lundteigen, som heller ikke kan si med hånda på hjertet at han er den rette instansen til å bedømme loven med hensyn til det han tar opp. Da kan jeg ikke forstå det annerledes enn at statsråden på vegne av regjeringa mener at fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag er definert som fast ansettelse. For å få avklart om det er i tråd med loven

Neste taler er representanten Dag Terje Andersen,

Jeg registrerer at her har statsråden begått to svære løftebrudd, og det gjorde han veldig fort. Det å sette alle tiltakene ut på anbud er helt unødvendig for å kjede tiltakene, for å få et mangfold av tiltak og for å inngå avtaler med andre, små leverandører. Det kan man fint gjøre gjennom prekvalifisering og lengre kontrakter. Det man risikerer, derimot, kontrakter. Det man risikerer, derimot, er at man slår ut alle de små, og at det ikke blir mangfold, men enfold i attføringsbransjen, og at den kompetansen vi har brukt millioner av kroner på å bygge opp, nå slås ut. Hvordan vil statsråden… Presidenten minner om taletiden. Jeg oppfattet bare ett spørsmål, og hva det andre løftebruddet er, fikk jeg ikke helt klart for meg. Når det gjelder å sette det ut på anbud, har vi satt oppfølgingstiltaket og avklaringstiltaket ut på anbud. og avklaringstiltaket ut på anbud. Jeg mener at det er rett å gjøre det. Jeg mener at det slipper til flere aktører, som kan bli med og kvalifisere folk tilbake til arbeidslivet og gi tettere oppfølging. Så er det ikke riktig, som representanten Andersen sier, at alle tiltakene er ute på anbud. Det er de to tiltakene som er satt ut på anbud. Som også representanten Andersen vet, har vi to likelydende tiltak, der det ene oppfølgings- og avklaringstiltaket allerede var ute på anbud.

representanten Holen Bjørdal på en god måte var inne på, skuffet da Meld. St. 46 for 2012–2013 ble trukket, og vi synes også det er lite konkret i det som nå er lagt fram. Statsråden var i innlegget sitt inne på valget folk har, om de skal gå inn Nav-døra eller inn arbeidslivsdøra. Vår ambisjon er at også Nav-døra skal være en dør ut i arbeidslivet

veldig generelt, at det er 600 000 som står på utsida av arbeidslivet. Jeg tror det er farlig å ha en debatt bare på det slagordplanet, for blant de 600 000 er det bl.a. noen som er sykmeldt en uke. Det er noen som kanskje er ledig i en uke eller to, på vei fra én jobb til en annen jobb. Når en virkelig begynner å analysere den gruppa, ser en at en sånn generell uttalelse ikke dekker de mangfoldige behovene som er i den gruppa, hvis vi skal få resultater framover. Til og med det svenske begrepet «utanförskap» er adoptert av den norske borgerligheten for å kopiere svenskenes tilnærming på det området, som vi har sett dårlige resultater av. Jeg synes det er feil å underkommunisere det faktum at det aller viktigste tallet i Norge er faktisk hvor stor del av befolkningen i yrkesaktiv alder som er i jobb, og der er vi blant de beste i Europa. Det tyder på at vi har mange gode resultater som vi skal bygge videre på. Så må vi ha spesielle løsninger for dem som har spesielle utfordringer på arbeidsmarkedet. Det er da jeg synes at den stadige omtalen av de 600 000 – og så ferdig med det – er stigmatiserende for den delen av de 600 000 som faktisk ikke har noe annet alternativ enn å motta ytelser, som i et raust velferdssamfunn skal kunne mottas uten å bli stigmatisert av politiske myndigheter. Noen ganger kan en få inntrykk av at det er viktig for statsråden å være tøff mot de svake, men for vår del er vi opptatt av å tilnærme oss de utfordringene vi har, på en respektfull og ordentlig måte, og det skal ikke være grunn for dem som helt rettmessig mottar ytelser, til å skamme seg over det.

Arbeidsmarkedstiltak ble kuttet, og det ble kuttet spesielt etter regjeringas forslag om arbeidsmarkedstiltak for dem med størst utfordringer på arbeidsmarkedet, og kommunenes økonomi ble kuttet. Det er kommunene som har sosialhjelpsbiten av dette. Da er det et spørsmål ikke bare om å ha plikt, men faktisk om å ha noe å være aktiv i. Så til Så til det aller verste av forslagene i de to sakene vi i dag har til behandling, som er midlertidige ansettelser. Jeg synes det verste med det forslaget er at vi diskuterer det under den saken som vi diskuterer nå. Jeg synes det er utrolig spekulativt at statsråden tar et forslag om midlertidighet inn i arbeidsmiljøloven og prøver å tar et forslag om midlertidighet inn i arbeidsmiljøloven og prøver å kamuflere det som et tiltak for de svake på arbeidsmarkedet. Det er nesten utrolig. Vi vet fra de land som har prøvd dette før, at det ikke virker. Det blir ikke flere jobber. Flere av jobbene blir midlertidige. Ja, det kan vises til noen eksempler på at folk som har en midlertidig Ja, det kan vises til noen eksempler på at folk som har en midlertidig jobb, faktisk får en fast jobb, men det er et eksempel på at dagens arbeidsmiljølov er veldig fleksibel, og at det fungerer. I de landene som har åpnet for generell adgang til midlertidige ansettelser, som det nå blir åpnet adgang til, har til og med OECD – det er ikke akkurat sosialismens høyborg i Europa – dokumentert at selv om de trodde på det, virker det ikke. Det gir ikke flere jobber. Det er flere av jobbene som blir midlertidige. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Sverige for å se resultatene av den politikken – med 80 pst. arbeidsledighet da den nye regjeringa overtok,

men terskelen ut blir lavere. Jeg synes representantene fra Virke var veldig ærlige da de sa at dette er ikke først og fremst noe vi tror kommer til å gi dem som står utenfor arbeidsmarkedet, mulighet de ellers ikke ville fått, men det er ubehaget med å måtte si opp folk etter prøvetid eller når oppdragene forsvinner, som er argumentet for å ha midlertidige ansettelser – altså gjøre det lettere for arbeidsgiver å si folk Det gjelder ikke bare ungdom, som mange med rette er bekymret for. Det er flaut overfor ungdommen vår – det vedtaket som blir fattet i dag. Men det gjelder ikke bare dem. Det er 500 000 mennesker hvert år i Norge som begynner i ny jobb, og alle de kan bli møtt av en ny regel neste gang de skal inn i en ny jobb. Når jeg sier at jeg synes det er ille at den saken kommer i dette dokumentet som vi nå behandler, er det dokumentet som vi nå behandler, er det ut fra reaksjonene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, til Handikapforbundet og til Unge funksjonshemmede, som er opprørt over – de føler seg brukt – at statsråden skyver dem foran seg for å gjennomføre en generell svekkelse av arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. foreslår Arbeiderpartiet at vi går for en treårsgrense for alle sammen. Vi ser ingen grunn til å lage mer byråkrati med det nye regelverket som er foreslått. Så til utviklingen når det gjelder fast ansatte uten lønn mellom oppdrag. Det er slik, som andre har sagt, at statsråden abdiserer hvis han nekter å mene noe om en lov som er vedtatt politisk, og som politikerne har fortolket, hva den skal bety da loven ble vedtatt. Det må vi mene noe om politisk. Det er ganske dramatisk når NHO Service har lagt ut på sine hjemmesider en oppskrift på hvordan en skal utnytte arbeidsfolk på den måten som dette er i ferd med å utvikle seg på. Det er vi som vedtar lover. Det er vi som må presisere loven, hvis vi ser at dens intensjon ikke blir fulgt. Til slutt vil jeg si at The Economist har flere ganger vært i Norge, og de har brukt Norge som et eksempel internasjonalt på hvordan en kan få til et rettferdig samfunn med et trygt arbeidsliv og gode økonomiske resultater. Det skuffer meg at regjeringa jobber så intenst med å få til en endring på det. Det er regjeringa jobber så intenst med å få til en endring på det. Det er et overordnet mål å inkludere flere mennesker i arbeidslivet. De som er i stand til det, skal få muligheten til å forsørge seg selv. Dag Terje Andersen bagatelliserte at 650 000 mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Høyre synes det er svært At en så stor andel av den yrkesaktive befolkningen er på ulike helserelaterte ytelser, er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Altfor mange unge, innvandrere, funksjonshemmede eller personer med nedsatt arbeidsevne får ikke brukt arbeidskraften sin. Høyre vil senke terskelen inn i arbeidslivet for dem som står uten jobb. I meldingsdelen omtales incentiver, hvilke tiltak som har vist seg å ha effekt, og viktigheten av god, arbeidsrettet oppfølging. Samfunnets fremtidige bærekraft er avhengig av å få flere i jobb og færre på trygdeordninger. Vi må legge til rette slik at den enkelte får brukt sin arbeidskraft og restarbeidsevne, og få til mer skreddersøm i arbeidsrettede tilbud. Mange av tiltakene som omtales i Prop. 39 L, vil kreve videre oppfølging og konkretisering. I etterkant av Stortingets behandling vil konkrete forslag i meldingsdelen knyttet til endringer i arbeidsmarkedstiltakene sendes på høring. Det er viktig med en god dialog med brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, partene i arbeidslivet og Nav for å sikre at det satses riktig på det som virker. Regjeringen vil bruke det ordinære arbeidslivet mer i arbeidsmarkedspolitikken. Det innebærer mer bruk av virkemidler rettet inn mot etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. Mye av arbeidsmarkedspolitikken hittil har vært orientert mot tilbudssiden, f.eks. gjennom opplæring og kvalifisering av arbeidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Opplæring og kvalifisering bør i større grad kombineres og gjennomføres i det ordinære arbeidslivet, sånn som vi har sett med Telenor Open Mind og Ringer i Vannet i regi av NHO. Da trengs incentiver slik at arbeidsgivere kan motiveres til i større grad å ansette utsatte grupper i arbeidsmarkedet. Som en viktig del av strategien for å øke bruken av ordinært arbeidsliv ønsker regjeringen mer bruk av lønnstilskudd. Lønnstilskudd er blant de tiltakene som har hatt best effekt. I tillegg vil regjeringen lette adgangen til midlertidig ansettelse. En generell adgang til midlertidig ansettelse for en tidsbegrenset periode med strenge rammer gir flere med usikker arbeidsevne muligheten til å prøve seg i jobb. Midlertidig ansettelse kan i en del tilfeller fungere som et springbrett inn i arbeidslivet. Både økt bruk av lønnstilskudd og en lettere adgang til midlertidig ansettelse vil senke terskelen i arbeidslivet og gi personer som står utenfor, bedre muligheter til å få prøvd seg i jobb. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever det som nesten umulig å skaffe seg jobb, selv om de er kvalifisert. Til tross for flere år med IA-avtale, mange gode intensjoner, ulike tilretteleggingsordninger og arbeidsmarkedstiltak greier man ikke å snu den negative utviklingen. 43 pst. av dem med funksjonsnedsettelser som er i yrkesaktiv alder, er ikke i arbeid, mot 75 pst. av befolkningen ellers, som helhet. Slik har det altså vært de siste ti årene. Regjeringen ønsker en mer aktiv tilnærming, med bedre tilrettelegging på arbeidsplassene. Et nytt og enklere tilretteleggingstilskudd eller inkluderingstilskudd for ordinært arbeidsliv skal innføres. I tillegg skal det etableres en ny oppfølgings- og tilretteleggingsavtale som sikrer at både arbeidsgiver og tiltaksdeltaker får oppfølging og kontaktperson hos Nav. I arbeidsmarkedspolitikken er det viktig å bygge videre på det som virker. Det har en stund vært en trend med økt bruk av tiltaksplasser. Dessverre har ikke resultatene vært så gode som ønskelig. Altfor mange går mellom ulike tiltak istedenfor å komme i ordinære stillinger. Derfor skal arbeidsmarkedstiltakene forbedres og forenkles. Det er for mange nesten like og overlappende ordninger. Overlappende arbeidstiltak skal slås sammen. Tiltakene skal bli bedre og mer effektive. I arbeidet med å forbedre arbeidsmarkedstiltakene er det viktig å utvikle mer kunnskap og kompetanse om inkludering i ordinært arbeidsliv. Løpende praksisnær forsøksvirksomhet skal kombineres med systematisk og målrettet forskningsinnsats. Vi må få mer kunnskap om hva som virker i arbeidet med å få flere inn i ordinært arbeidsliv. Forslaget om å slå sammen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet – APS – og Kvalifisering i til et nytt arbeidsforberedende tiltak som kalles AFT, får støtte fra mange. Det nye tiltaket imøtekommer ønsket om et mer sømløst attføringsløp for deltakerne, i tett kontakt med det ordinære arbeidslivet, slik både fagfeltet og Stortinget lenge har vært opptatt av. Tiltaket må styrkes faglig og ressursmessig. Samtidig må det være en begrensning på tiltakslengden for å motvirke innlåsningseffekter. Det er viktig å satse på kvalitet og kompetanse i arbeidet med å få sårbare mennesker med sammensatte behov i jobb. Derfor har vi i merknadene sagt at vi vil at regjeringen særlig prioriterer økning av antall plasser til dette nye sammenslåtte tiltaket, Arbeidsforberedende trening. Forslag som vedtas i dag, er ikke drastiske. De er moderate og har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet og gi folk en ny sjanse til å få seg en jobb. I

Om man tar kritikerne på ordet, skulle man tro at regjeringen hadde vedtatt dommedag innenfor arbeidslivet. Fagbevegelsen gikk så langt at de gjennomførte streik mot endringene. Arbeiderpartiets Lise Christoffersen har påstått at Erna Solberg og Robert Eriksson har gått til angrep på folks rettigheter med hensyn til fast ansettelse og mener at en treffende tittel på regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven hadde vært «fra trygg til utrygg jobb», i stedet for «fra trygd til trygg jobb», som faktisk er regjeringens mål og hensikten med de endringene som vi nå gjør i arbeidsmiljøloven. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen gikk så langt at hun til og med mener at likestillingen blir skadelidende som følge av regjeringens forbedringer av arbeidsmiljøloven. Det finnes tydeligvis ingen grenser for alt som vil gå galt i arbeidslivet etter at Stortinget i dag vedtar en ny og mer tidsriktig arbeidsmiljølov, en ny og framtidsrettet arbeidsmiljølov for nye og bedre tider. Den viktigste og største årsaken til de endringer vi i regjeringspartiene nå vil vedta, sammen med våre gode samarbeidspartnere, Venstre og Kristelig Folkeparti, er å trygge næringslivet og sikre arbeidsplasser, slik at vi igjen får flere i jobb. jobb. Hovedmålet til regjeringen er å imøtekomme næringslivets behov og å få flere folk i arbeid, og hovedregelen i arbeidslivet er, har vært og vil fortsatt være fast ansettelse. Arbeiderpartiets forsøk på å lage et morsomt ordspill ved å kalle endringene «fra trygg til utrygg

Det er mange bedrifter og virksomheter, både offentlige og private – bortsett fra de statlige – som faktisk har et ønske om og et behov for mer fleksibilitet vedrørende midlertidige ansettelser. For eksempel ønsker hele 78 pst. av Abelias medlemmer innen forskning, innovasjon og gründerbedrifter endringer i reglene om midlertidige ansettelser. Før jul i 2014 besøkte arbeidsministeren og jeg en liten bedrift på Hamar som heter Making Making View er nettopp en slik gründerbedrift som har stort behov for midlertidig ansatte og ønsker regjeringens endringer hjertelig velkommen. De er bare fire ansatte, men er i ferd med å få store og viktige avtaler med internasjonale giganter som Audi, Google og YouTube. Følgelig er behovet for flere ansatte meget stort, men siden de er usikre på om de trenger flere ansatte permanent eller midlertidig, har resultatet blitt at de fire gründerne nå nærmest jobber døgnet rundt. Jeg vil påstå at det hadde vært bedre både for disse gründerne og for dem som ønsker en fot innenfor firmaet, om Making View hadde ansatt noen midlertidig, enn slik det er nå, at de ikke tar sjansen på å ansette noen i det hele tatt. Heldigvis vil disse viktige endringene som stortingsflertallet i dag vedtar vedrørende en modernisering av arbeidsmiljøloven, gjøre framtidsutsiktene for bedrifter som Making View lysere og enklere. Når jeg først er inne på stortingsflertallet, så ønsker jeg å takke vår regjeringspartner Høyre, jeg vil takke Venstre og Kristelig Folkeparti for et konstruktivt og godt samarbeid. Det er gledelig å se at de fire borgerlige partiene står samlet om disse viktige og framtidsrettede endringene som nå vedtas i arbeidsmiljøloven. I denne saken er det

Det er et dårlig forslag sett fra arbeidstakerhold, og det er et dårlig forslag sett fra arbeidsgiverhold, i hvert fall for den seriøse sorten. Dessverre kommer forslaget om generell adgang til midlertidige ansettelser til å bli vedtatt, tross alle protestene fra faglig hold og fra dem det gjelder. Mye har vært sagt om økt bruk av midlertidige

eller andre midlertidige stillinger. Nå sier ikke antallet klagesaker alt, antakelig er det mange som aldri leverer noen klage. Men for under én måned siden offentliggjorde Likestillingsombudet en ny undersøkelse utført av TNS Gallup som sier noe om omfanget av slik diskriminering av gravide. Rapporten er sørgelig lesning. Over halvparten av kvinnene i undersøkelsen oppgir at de har opplevd diskriminering i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon. Svært mange av disse kvinnene var ansatt i midlertidige stillinger. Én av fem har opplevd at de ikke har fått forlengelse av arbeidsforholdet. Dette skjer med dagens lovgivning. Det skal ikke rare fantasien til for å skjønne hva som vil skje når det blir generell adgang til midlertidige ansettelser. Vi vet hvem det er som oftest jobber i midlertidige stillinger. Vi vet hvem det er som oftest blir gravide i overgangen fra en midlertidig stilling til en annen. Det er kvinner.

De siste tallene viser en fruktbarhetsrate på 1,78 – den laveste siden 2002. Nå kommer det nye tall om et par dager, så får vi se. Men det er kanskje ikke så rart at fødselsraten går ned. For bak disse tallene skjuler det seg virkelige liv. Vi kan jo selv prøve å forestille oss hvordan det er å vente barn og så oppleve å miste jobben – ingen god start på livet som nybakt forelder akkurat. Igjen ser vi at regjering og stortingsflertall gjør det motsatte av det som utfordringene på arbeidsmarkedet og i samfunnet for øvrig tilsier. Igjen ser vi en suveren avvisning av tunge høringsinstanser med innsikt i arbeidsmarked og diskriminering av gravide, og igjen er jeg mest forundret – det må jeg innrømme – over regjeringas støttepartier her. 28. januar var det generalstreik. Samme dag la Facebook. Den startet på følgende måte: «Dere er her i dag for å markere at dere ønsker faste ansettelser, trygt arbeidsliv og sier nei til mer søndagsarbeid. La meg slå det helt fast: Dette er noe vi deler fullt ut!» I avtalen mellom regjeringa og støttepartiene står det at «det blir generell adgang til midlertidige ansettelser, slik regjeringen har foreslått». For å sukre pillen litt skal det forskes. Det kan hende – det har vi hørt her i dag – at beslutningen blir reversert hvis resultatet blir annerledes enn forventet. Da lurer jeg på hva det er man egentlig forventer – at Norge skal være helt annerledes enn alle andre land? Det er ikke nødvendig å forske. Det er bare å se til Sverige, som har gått opp løypa før oss. Der er andelen midlertidig ansatte kvinner hele 18,6 pst., mot 10,3 pst. i Norge. Norge. Er det virkelig et poeng å få den samme utviklinga her? Forstå det den som kan, og prøv å forklare det til unge, nyutdanna kvinner som mest av alt ønsker seg en fast jobb, lån til bolig og kanskje å stifte familie. Det kan vise seg å bli vanskeligere heretter. Helt på tampen, til Tor André Johnsen, som framhevet regjeringas gode hensikter: Det hjelper ikke mye, det, når all erfaring viser at resultatet blir det motsatte.

men også opplevelsen av å være med på å bygge landet. Alle mennesker har behov for å bli sett, oppleve mestring og bli verdsatt. Mange ungdommer har ikke denne opplevelsen, men har falt ut av fellesskapet. Det kan være mange grunner til det – én kan være familiære forhold, en annen kan være negative opplevelser i skolehverdagen, en tredje kan være rusproblemer. I situasjoner der en faller utenfor, er det viktig å kunne komme tilbake. Statsministeren har ved flere anledninger trukket frem dem med hull i cv-en – mennesker som har et ønske om å arbeide, men som mangler utdanning eller arbeidserfaring. I Norge har vi bruk for denne arbeidskraften, det er bare å se på hvilke utfordringer vi har i fremtiden når det gjelder å utdanne flere innenfor yrkesfag. Regjeringen ønsker å arbeide for et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle, og som sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. For å nå dette målet er regjeringens satsing på arbeidslinjen viktig. Når regjeringen ønsker å stille krav om aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, er det å ta unge mennesker på alvor. Aktivitetsplikt gir unge mennesker en mer forutsigbar hverdag, men letter også overgangen til arbeidslivet. Alternativet er en mer uforutsigbar hverdag, med få eller ingen aktiviteter. Er det å ta unge mennesker på alvor? Min egen erfaring som sosialarbeider og fra arbeid med ungdom forteller meg at mange ønsker en aktivitet. Utfordringen har ofte vært at det ikke finnes meningsfylte aktiviteter. Det har medført at det har tatt lengre tid å komme inn på arbeidsmarkedet. Jeg tror det helt avgjørende er det samspillet som utvikles mellom sosialarbeideren og den ungdommen som man arbeider med. Forslaget om aktivitetsplikt innebærer en tettere oppfølging av stønadsmottakerne. Det er avgjørende og viktig. Den enkelte kommune vil organisere aktiviseringen og følge opp hver og én. Jeg mener at det er viktig å merke seg at man skal følges tettere. Det gir også mulighet til å arbeide med de utfordringene som hindrer yrkesdeltakelse, som kan være f.eks. rus eller psykiske problemer. Mange har sammensatte utfordringer. Aktivitetsplikten kan være knyttet til kommunale tiltak, men kan også innebære deltakelse i statlige tiltak eller tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre. For regjeringen er det viktig at det skapes gode aktivitetstilbud, og at alle som ønsker å delta i disse, får være med. Vi har alle en felles forpliktelse til å stille opp for dem som ønsker å komme i arbeid. Arbeidsplassen er ofte et sted der man bygger sosiale relasjoner og opplever mestring. Vilkår om aktivitet skal ha som mål at stønadsmottakeren skal bli helt eller delvis selvforsørget. Aktiviteten skal styrke stønadsmottakerens mulighet for arbeid eller utdanning. Den skal være arbeidsrettet og meningsfull for den enkelte. Fremtidens arbeidsmarked er mer krevende enn i dag, med større krav til formalkompetanse og språkkunnskap. Skal vi lykkes med å få flere unge mennesker inn i arbeidslivet, må vi ta grep og utvikle tiltak som er målrettet.

at dette ikke skaper flere arbeidsplasser, så da må jo en forflytning fra faste jobber til midlertidighet være det vi går inn i. Så til høy turnover og økt bruk av midlertidige ansettelser. Hva kan dette føre til? Jo, mindre kompetanse, både for den enkelte og for bedrifter, og mindre innovasjon. innovasjon. Og det hemmer likestilling, noe også Fremskrittspartiets likestillingsminister understreker – bare så det også er sagt til Fremskrittspartiets Johnsen og hans innlegg her i stad. Det kan også øke helserisikoen, slik Arbeidstilsynet påpeker, og gjøre det lettere å være useriøs og dermed drive med arbeidslivskriminalitet. Kombinasjonen av økt usikkerhet om hvor lenge man har jobb, og usikkerhet

jobb. Spørsmålet var om de skulle inn Nav-døra eller løsarbeiderdøra. Fast ansettelse var ikke et tema engang, det var ikke nevnt at det kunne skje. Så til utfordringen med hull i cv-en. Jeg er enig i at det er krevende å søke jobb hvis man har hull i cv-en, men med regjeringens politikk vil flere måtte innstille seg på den situasjonen. situasjonen. Skal flere måtte gå fra jobb til jobb hver tolvte måned, vil de også måtte finne seg i at de blir stående i en kø og vente, og få nye hull med seg på den veien. Statsråden viser til at de med nedsatt arbeidsevne

Men statsråden hevder at med hans politikk blir det nå bedre for dem med funksjonshemninger i arbeidslivet. Da synes jeg det er veldig rart at organisasjonene som representerer dem, sier nei til regjeringens politikk. Og da kan det ikke være tilfellet, det som blir hevdet fra statsråden – heller ikke på det

over sitt eget liv. Diagnosen skulle ikke ha kontroll. Hun gikk til Nav, og der ble hun tilbudt et av de vanligste tiltakene Nav bruker for å få folk tilbake. I realiteten er det en midlertidig stilling. Utfordringen med den midlertidige stillingen er at det er en midlertidig stilling uten lønn, fordi man går på ytelse, og den er uten kontrakt. Det er en type midlertidig stilling de rød-grønne partiene synes er helt greit. Faktum er at da jeg kritiserte innretningen av det tiltaket i Dagsavisen for en tid tilbake, fikk jeg beskjed av Arbeiderpartiet om at jeg måtte roe meg ned, for dette var et vanlig brukt tiltak. Så denne type midlertidig stilling er helt ok for de rød-grønne, men hvis man får en midlertidig stilling med kontrakt og med lønn, er det en rasering av norsk arbeidsliv! Hvor er troverdigheten i et sånt argument? Jeg spør fordi jeg ikke forstår det, jeg skal være så ærlig; jeg forstår ikke hvor troverdigheten i et sånt argument er. Skjult midlertidighet – helt ok, viktig tiltak. De som kritiserer innretningen av det, må roe seg ned. Midlertidighet med kontrakt og med lønn – rasering av norsk arbeidsliv slik vi kjenner det. Det henger ikke på greip. Det henger ikke på greip. Det henger overhodet ikke på greip. Det blir harselert med at vi ønsker å drive følgeforskning på dette for å se hvordan det virker å senke terskelen inn til arbeid for dem som står utenfor. Det er jo noe kunnskapspartier – partier som er opptatt av å samle inn kunnskap – gjør. Men den forskningen som finnes på midlertidige ansettelser, er tydeligvis tilstrekkelig for de rød-grønne partiene, til tross for at den er gjort i land med andre regelverk enn det vi har i Norge, og som har en annen arbeidsmarkedssituasjon. Men det er godt nok for de rød-grønne. Så var de kanskje ikke kunnskapspartier allikevel.

ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Endringene i arbeidsmiljøloven er negative for kvinner. Det mener iallfall de som jobber med likestilling i det daglige. Også arbeidsministerens regjeringskollega, likestillingsministeren, er bekymret for det samme, og hun krever at saken konsekvensutredes fra et likestillingsperspektiv. Vi ser ingen spor etter dette. dette. Som representanten Christoffersen sa: Det kom nylig en rapport fra Likestillingsombudet om at gravide utsettes for diskriminering i arbeidslivet. Gravide som er midlertidig ansatt, er mer utsatt for diskriminering enn dem med fast jobb. Kvinners yrkesdeltakelse bidrar på lik linje med inntektene fra olje og gass til vår felles velferd, samtidig som den er avgjørende for at kvinner skal kunne leve økonomisk uavhengig. Dette diskuteres nesten ikke lenger – på godt og vondt. Mer midlertidighet bidrar ikke til at flere kan oppleve økonomisk selvstendighet. Graviditetsdiskriminering i arbeidslivet lever i beste velgående til tross for at loven er på kvinners side. Likestillings- og diskrimineringsombudet, arbeidstakerorganisasjoner og media bekrefter det. Mange diskriminerte tar kontakt, og det er grunn til å ta tak i denne diskrimineringen. Mer midlertidighet vil bety mer diskriminering.

I rapporten om graviditetsdiskriminering fra Likestillings- og diskrimineringsombudet framgår det at den klart største andelen av saker som gjelder forskjellsbehandling på grunn av graviditet eller fødselspermisjon, gjelder ansettelser, spesielt fornyelse eller forlengelse av vikariater vikariater og andre midlertidige stillinger. I en situasjon der fødselsratene går ned, burde sånne opplysninger gjøre at vi legger enda mer til rette for å sikre at kvinner kan kombinere barnefødsler og trygghet for arbeid, og ikke legge enda mer usikkerhet på kvinnene. Barrierer for kvinner i arbeidslivet videreføres og forsterkes uten at det ser ut til å få oppmerksomhet fra regjeringen Solberg. Vi trenger en regjering som styrker kvinners rettigheter. Vi trenger derfor et lovverk som bidrar til det. Forslaget om mer midlertidighet er ikke det. Dette er nok en sak som setter norsk likestilling i revers.

at det legges litt til rette for at de skal komme seg ut i aktivitet – det være seg jobbsøking, kompetanseheving eller annet meningsfullt arbeid for en selv. Jeg var med da Høyre og de andre borgerlige partiene i Trondheim innførte aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere tidlig på 1990-tallet, som den aller første kommunen i landet. Vi ønsket særlig å få unge sosialhjelpsmottakere over fra en passiv til en aktiv tilværelse. Det var ingen selvfølge at vi skulle få til dette pionerprosjektet. Arbeiderpartiet var selvfølgelig sterkt imot, men på toppen av det hele gikk LO til rettssak mot kommunen. LO mente at det å gi ungdommer på sosialhjelp meningsfylte arbeidsoppgaver var tariffstridig. Tariffstridig! Rettssak! Arbeidsretten dømte selvsagt i favør av kommunen, men ikke minst i favør av de menneskene kommunen ønsket å hjelpe. I dag finnes aktivitetsplikt knyttet til sosialhjelp både i Trondheim og andre steder. På Jobbhuset i Trondheim sier de til Adresseavisen at her skjer det mirakler. Unge mennesker som har ramlet ut av studie- eller arbeidsliv, og som ber om sosialhjelp, sendes rett på Jobbhuset – ingen papirmølle, men rett på Jobbhuset for å levere søknaden, komme seg i aktivitet og få oppfølging. Som en fra Nav sier om Jobbhuset: Det er det som skal til. Et vanlig Nav-kontor greier ikke dette. Det finnes tiltak for ungdom, men de får ikke den daglige oppfølgingen. Denne daglige oppfølgingen er i dag et gode som bare er forbeholdt noen av dem som har eller søker om sosialhjelp. Alle sosialhjelpsmottakere er sikret penger til livsopphold, men i dag vedtar Stortinget også at de samme menneskene skal sikres en meningsfylt aktivitet og dermed en bedre mulighet til å komme seg bort fra sosialhjelp og over i jobb eller utdanning. Kommunene skal lage tilbud som passer lokalt, og kostnadene skal dekkes – ingen nye rapporteringskrav, enkelt og ubyråkratisk. Når man leser merknadene om hvorfor Arbeiderpartiet går imot at alle på sosialhjelp skal få aktivitetstilbud, ja, så kan man få inntrykk av at motstanden er begrunnet i en form for omsorg for kommunen mer enn for sosialhjelpsmottakeren.

debatten i dag. Vi har eit økonomisk samarbeid, EØS, med ein union, EU, som skaper stor arbeidsløyse og naud, og som sender folk på flukt for å finna arbeid. Berre frå Aust-Europa var det i fjor nesten 160 000, og altfor mange av dei har det slik at dei ikkje tør å ta opp uverdige arbeids- og livsvilkår og sosial dumping på arbeid fordi dei er så laust knytte til arbeidslivet. Trass iherdig innsats frå store delar av fagrørsla er organisasjonsgraden låg mellom desse menneska, altfor låg. Elin Ørjasæter tok nyleg til orde for eit gjennomorganisert arbeidsliv i ein artikkel i Aftenposten den 2. mars, «EØS endrer norsk arbeidsliv»: der alle har forhandlingsmakt. Slik er det ikke lenger. Det er for mange som tilbyr sin arbeidskraft til en altfor lav pris. Lønnsgulvet eksisterer ikke slik det gjorde før. LO og NHO har verktøyene, i form av tariffavtaler som kan allmenngjøres, altså gjelde for alle bedrifter i en hel bransje. LO og NHO har også felles interesser i høy produktivitet og lovlige forhold. Et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er vår garanti mot at deler av arbeidslivet kastes tilbake til norsk 20-tall. Det er på tide å organisere seg, selv for en gammel liberalist.»

Eg fryktar for at meir bruk av mellombels tilsetjing vil medføra det motsette fordi makttilhøva er så ulike mellom partane, og at det vil svekkja fagrørsla i deira kamp for å laga det golvet som arbeidslivet treng for at vi ikkje skal utvikla oss i ei retning som vi ikkje kan leva med. Når jeg i dag tar ordet i denne debatten, er det

jeg begynner å bli lei av at regjeringen legger fram forslag på forslag som gjør at vi går fra å være et av verdens mest likestilte land, et foregangsland for mange, til et Norge som ikke lenger kan fronte innovative og spennende løsninger for et kjønnslikestilt arbeidsliv. I dag vedtar Stortinget at Norge skal bekles med flere midlertidige ansatte, dvs. mindre forutsigbarhet for den enkelte og ikke minst for familiene. I et likestillingsperspektiv vil det ramme kvinner spesielt. Forutsigbarhet i arbeidsforhold og arbeidstidsordninger som tar hensyn til omsorgsforpliktelser, sammen med gode barnehager avgjørende for et likestilt samfunn. Arbeidsminister Robert Eriksson hevder at endringene vi vedtar i dag, skal bidra til et mer familievennlig arbeidsliv. Hadde han trodd på det selv, ville han ha tort å gjennomføre den likestillingskonsekvensutredningen hans kollega statsråd Horne ba om. Det er nettopp de strukturelle føringene med et regulert arbeidsliv, faste stillinger, gode permisjonsordninger og barnetilsynsordninger som har gjort at Norge har høy sysselsetting og relativt høye fødselstall. Forutsigbarhet i arbeidsforholdet og arbeidstidsordninger som tar hensyn til omsorgsforpliktelser, er betydningsfullt for et samfunn. Jeg mener at forslagene til oppmyking av arbeidstidsreglene vil bidra til å opprettholde kjønnsrollene, ikke til økt likestilling. Det må i dag være lov til å undre seg over hvor likestillingsministeren har vært i diskusjonene om endringene i arbeidsmiljøloven. Norge er

faller ut av videregående skole eller ikke fullfører og består i alle fag. Selv om det ikke trenger å være en katastrofe for den eleven det gjelder, er det dessverre en sterk sammenheng mellom dem som dropper ut av skolen og dem vi ser igjen på utenforskapstatistikken senere. Overvekten av de elevene det gjelder her, er gutter som ikke klarer å fullføre alle fagene, som har for høyt fravær, og etter hvert blir det så mye å ta igjen at de ramler ut av utdanningsløpet. En av våre viktigste oppgaver er å møte den gutten som har falt ut av skolen med mange muligheter, for at han ikke også skal falle ut av samfunnet. Allerede har regjeringen gjort det mulig å fullføre videregående skole også etter at man har fylt 25 år, og både lærlingklausul og økt lærlingtilskudd gjør at flere av elevene som går på fagutdanningene, nå får læreplass og dermed også fullfører. Likevel er det mer som må gjøres. Når jeg har hørt på Arbeiderpartiet i denne debatten, høres det ut som om det viktigste for dem er å snakke ned hvor mange dette faktisk gjelder. gjelder. Da er det heldigvis slik at vi har et flertall av de fire borgerlige partiene, som ble valgt for å ta dette på alvor, etter en valgkamp hvor debatten ofte handlet om dette var et problem eller ikke. En av dem som jeg mener man skal lytte til, er Eddi Eidsvåg. Han har blitt heftig vist til i disse debattene, nettopp fordi han jobber med Pøbelprosjektet, med disse guttene som jeg snakker om, som har falt ut av skolen. Han har sagt ganske klart – han har blitt skjelt ut ganske kraftig – at det er verre å legge seg ut med fagforeninger og LO enn med bedehusmiljøene i Sauda. Det er noe han heldigvis trosser når han fortsetter å fremføre sitt budskap. Vi må senke terskelen, vi må gjøre det første trappetrinnet inn i arbeidslivet lavere enn i dag, slik at flere, særlig av dem som har droppet ut av skolen, tar det skrittet. Arbeiderpartiet hadde en gang et slagord som lød: Arbeid til alle er jobb nr. én. Problemet er at for å få arbeid til alle må det bli lettere å få jobb nr. én. Det er det de fire borgerlige partiene nå sørger for, til Arbeiderpartiets heftige

slik at en del får jobb når de har vært midlertidig ansatt, men hele poenget med denne endringen er jo at det skal bli lettere å si opp folk. Det er det som er resultatet. Det viser forskning fra alle land. Det avfeier regjeringspartiene helt glatt og sier: Her har du anekdoten min, blås i forskningen, det virker sånn som vi sier! Men det gjør faktisk ikke det, og den nyere forskningen viser også at dette fører til en todeling av arbeidslivet, fordi det svekker også fagbevegelsens makt, som er i stand til å fordele både makt og penger i samfunnet på en mer rettferdig måte. Så dette peker i en veldig skummel retning, som heller ikke er produktiv for et land. Det har vært mye diskusjon om tvangsarbeid for sosialhjelp. Jeg har vært kritisk til det, til det utgangspunktet som regjeringen hadde. For det er jo ikke sånn at folk får hjelp når de kommer til sosialkontoret, eller til Nav. De står i kø i årevis for å få hjelp. De kommunene som har gjort dette, og det har de hatt plikt til i alle år, har gjort dette med vett og forstand. De har lyktes, så det er fullt mulig innenfor dagens lovverk å få til dette.

null. Nå vet vi at skatteinntektene i kommunesektoren sviktet med nesten 3 mrd. kr i fjor, de svikter nå, det ligger an til nesten 4 mrd. kr, og jeg lurer på: Hvor er de menneskene som skal hjelpe dem som nå skal tvinges til et eller annet arbeid for sosialhjelp? Ikke er det flere folk i Nav til å følge dem opp, og ikke er det flere folk i kommunene til å følge dem opp.

Derfor har SV fremmet forslag om tiltak, om flere tiltak, og at disse ungdommene som dere snakker om, skulle få rett til tiltak. Men det har dere altså stemt ned, og dere har også stemt ned forslaget om at de som har fått uføretrygd, også skal ha rett til tiltak hvis de blir friske og vil tilbake i jobb.

som er helt uten sikkerhet dersom noe skulle skje dem, for fellesskapet som går glipp av enorme summer hvert år som skulle vært brukt på investeringer i samfunnet, og for næringene som rammes. De seriøse utkonkurreres. Fagarbeidere blir ikke lenger attraktiv arbeidskraft. Hvis noen lurer på hvorfor det er vanskelig å rekruttere ungdom til yrkesfag, og det kan det virke som om noen i regjeringen gjør, så er det kanskje fordi disse ungdommene skjønner mer enn Det er ikke attraktivt å utdanne seg til yrker hvor arbeidslivet preges av useriøsitet. I dag gjør regjeringen en uholdbar situasjon enda verre. Vi vet at midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å avdekke kriminalitet. Det sier Økokrim, Kripos, Arbeidstilsynet og Nav. De advarer faktisk mot mer midlertidighet i arbeidslivet. arbeidslivet. Når regjeringen nå likestiller faste ansettelser og midlertidige ansettelser, vil vi se en utvikling med færre fast ansatte og flere midlertidig ansatte. Allerede med dagens regelverk har vi 200 000 midlertidig ansatte. 200 000 er for mange i dag. Vi burde ha gjort det vanskeligere, ikke lettere, med midlertidighet. Nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen har sagt at han betrakter regjeringens lettelser knyttet til midlertidighet som en gavepakke til den useriøse delen av norsk arbeidsliv. Jeg er enig med Hans Christian Gabrielsen i LO. Han frykter også at økt midlertidighet kan føre til mer arbeidslivskriminalitet. I rapporten om arbeidslivskriminalitet i Norge heter det: «I de senere år har rettsutviklingen åpnet for utvidet bruk av midlertidige ansettelser, vikarer og så videre. Slike forhold svekker den faste tilknytningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kan bidra til å gjøre det mer krevende å avdekke og etterforske arbeidsmarkedskriminalitet.» Det er altså dette vi for en time siden hørte Robert Eriksson stå her oppe og beskrive som trygge, gode arenaer for å vise seg fram. Det er altså dette vi vil ha mer av med denne regjeringen. Slik går det når dogmatiske partiprogrammer med gammel politikk er det som skal få styre Norge inn i framtiden. OECD, som flere har nevnt, hadde den samme meningen som regjeringen i mange tiår. De har snudd i møte med fakta og virkeligheten – det er synd denne regjeringen ikke har den samme

Midlertidig ansettelse gir arbeidserfaring, og ved midlertidig ansettelse må du komme deg «opp om morran». Norge er i omstilling. Arbeidstakere skal finne veien fra gamle næringer til nye næringer, fra ulønnsomme bedrifter til lønnsomme bedrifter. Arbeidsmiljøloven er de facto Norges Da er det kanskje noe i veien med loven og ikke med dem som bryter loven, og desto sterkere grunn er det da til å se nærmere på hvordan denne loven fungerer. La oss slå fast: Hovedprinsippet er at fast ansettelse fortsatt skal være regelen i norsk arbeidsliv. Men ved å åpne for en mulighet for inntil tolv måneders midlertidig ansettelse,

så dagens lys med en annen næringsstruktur enn det vi har i Norge i dag. Vi har gått fra et industrisamfunn til et tjenesteytende samfunn. Arbeidsmiljøloven er langt på vei designet for industriens behov og ikke for dagens arbeidsliv, der det er krav til fleksibilitet fra arbeidstakernes side og ikke minst et næringsliv som på en måte står i en evig omstrukturering. Da må vi tilpasse lovverket til den situasjonen som bedriftene står oppe i, og ikke legge stein til byrden i en knallhard konkurransesituasjon som det private næringsliv står i.

Vi står overfor store og nødvendige omstillinger i samfunnet og i samfunnets økonomi. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre gjør arbeidslivet mer fleksibelt og tilpasningsdyktig, slik at vi i tiden som kommer får mer ut av vår aller viktigste ressurs, nemlig arbeidskraften. Åtte år med reformtørke under de rød-grønne og passivitet overfor framtidsutfordringene er nå over. Gårsdagens regler er ikke alltid svaret på morgendagens utfordringer. Dette er en viktig og ansvarlig omstilling for å møte morgendagens utfordringer. Det er med andre ord et stort og overordnet bakteppe for denne saken. Samtidig har saken en dyp sosial og menneskelig side. Det dreier seg om å få folk fra trygd til trygg jobb. Troen på at alle vil og kan bidra er dypt rotfestet i Høyres ideologi. Vi bygger mye av vår politikk på dette optimistiske og positive menneskesynet. Motivasjonen hos alle til å bidra til beste for seg selv, sine nærmeste og sine omgivelser er for oss en viktig drivkraft i politikkutviklingen. Men i dag er det for mange som ikke får muligheten til å realisere dette. Nesten hver femte person i alderen 18–67 år mottar i dag en helserelatert ytelse. Bak disse tallene ligger det mange knuste drømmer. Det er viktig å slå fast at hovedregelen i norsk arbeidsliv fortsatt er faste ansettelser. Slik skal det være også i Dette handler om å gi mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet, en sjanse til å vise hva de er gode for, og samle gode erfaringer fra arbeidslivet med sikte på å få en fast og en trygg jobb.

Mye er bra der, men er det nok? Endringene i dag vil trekke regjeringas visjoner og mål i motsatt retning, noe Arbeidstilsynets rapport bekrefter. Regjeringas iver etter å realisere sin egen ideologi er nemlig større enn viljen til ikke å redusere fagorganisasjoners makt, jf. Truls’ sitat fra rapporten fra Arbeidstilsynet. Dette er nytt, må vite. vite. Jeg har det også sånn av og til. Noen ganger hender det at jeg tar ut en gammel kjole fra skapet, så ser jeg på den og sier til meg selv: Kari, den er ny. Kari, den er ny, sier jeg gjerne en gang til. Det kunne være – ja, det er slett ikke utenkelig – at jeg hadde trodd på det selv. Det er ikke bare det at standpunktet kalles nytt, det er det de ansatte vil ha, sier regjeringa, selv om de samme ansatte har gått i tog og sagt nei takk. Det er som i gamle dager da mine barn var små og jeg i en sammenheng kunne komme til å si: Ja, men det liker du jo, og fikk til svar: Nei det gjør jeg ikke. – Jo, det gjør du da. – Nei, det gjør jeg ikke. Da snudde jeg meg bort og smilte og visste bedre – akkurat sånn som regjeringa gjør. De har nemlig noen ideologiske mål å gjennomføre. Det vi ser, har en klar politisk skillelinje.

skaper ulikevekt i forholdet mellom arbeidsgiverorganisasjonene og ledere – arbeidsgivere – når det gjelder makt. Det er bekymringsfullt, og det bidrar til å svekke evnen og mulighetene til i fellesskap å ta tak i den største utfordringa: et stadig mer velorganisert svart arbeidsliv, som begge parter, både høyre- og venstresida, er enige om må tas på alvor. Og vi må ha kraftfulle virkemidler. Regjeringa har valgt å ikke bruke så kraftfulle virkemidler som Arbeiderpartiet vil bruke.

Det sier Nav sjøl i sine rapporter, og de advarer f.eks. mot kutt i ytelser. Så sosialt arbeid nytter. Kvalifiseringsprogrammet nytter, det har vært forskning på at det har blitt brukt altfor lite, og kvalifisering går over litt tid. Det er veldig viktig, for mange av dem som sliter med å få plass i arbeidslivet i dag, mangler kompetanse. Den kompetansen må de få. Det tar av og til litt tid, men den tålmodigheten trenger man å ha, og det fungerer, for folk kommer i arbeid. Overgangsstønaden med plikt til å være i aktivitet virker så det griner, det er arbeidslinja så det holder, men den vil regjeringen kutte ned til ett år. Hvis man skal kunne forsørge et barn når man er alene, trenger man ofte å kvalifisere seg i litt mer enn ett år for å få en jobb det er mulig å gjennomføre det med. Da synes regjeringen plutselig at tre års utdanning er altfor mye. veldig rart når de samtidig er så opptatt av at andre skal fullføre utdanningen. Selvfølgelig må man være opptatt av at alle skal få fullføre utdanningen, også de som trenger litt hjelp fra det offentlige for å gjennomføre det. Den ordningen virker faktisk enda bedre for kvinner av utenlandsk opprinnelse enn for norske. Jeg har sett med forundring på hvorfor regjeringen ikke vil ha den.

men regjeringen har ikke bidratt med en eneste krone for å gjøre dette mulig. Jobbsjansen virker. Det er et tiltak for innvandrerkvinner som går ut på at man til og med oppsøker dem der de er, kanskje i et miljø hvor det ikke er vanlig at kvinner er i arbeid. Og det funker. Men regjeringen øker ingenting på de

alle advarsler fra LO, fra Unio og fra YS, og regjeringen har konsekvent nektet å lytte til alle de uttalelser som på rekke og rad har advart mot å innføre endringene i bl.a. adgangen til midlertidige ansettelser. Det er et problem at regjeringen ikke lytter til råd, men problemet blir dessverre størst for dem som

yrkesliv, ønsker fast ansettelse og mulighet til å starte etablering av bolig og familie i trygge rammer. Regjeringen lytter ikke til dem heller. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sier rett ut at adgangen til midlertidige ansettelser ikke er riktig løsning for at flere funksjonshemmede skal komme i arbeid. Regjeringen lytter ikke. Jeg hørte i debatten her tidligere at statsråd Eriksson sa at regjeringen hadde lyttet. Da må man få lov å spørre seg: Hva hørte de? Jeg tror de hørte sin egen stemme. De lyttet kun til seg selv, og de lyttet kun til sine egne svar. Regjeringens forslag til endringer i denne saken er intet annet enn et realt slag i ansiktet på de arbeidstakerne som ønsker et seriøst og stabilt arbeidsliv. Det er en trist dag for utviklingen av et moderne og godt arbeidsliv i Norge. Så kan man helt til slutt reflektere litt over representanten Arve Kambes kommentar fra denne talerstolen tidligere i dag da han mente at disse to debattene vi nå har hatt, var stor ståhei for ingenting. Det forteller meg litt om den holdningen høyresiden i denne salen har når det kommer til vanlige arbeidsfolks rettigheter i arbeidslivet. Så kom det også en avklaring fra statsråd Eriksson: Fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag er helt ok. At vi har en regjering som forsvarer en slik ansettelsesform, er mer enn betenkelig. Det burde være utenkelig. Dei som stod utanfor Stortinget den 28. januar, fekk nok ei ganske surrealistisk oppleving då «Eg har ein draum» ljoma frå høgtalarane. Det

som manglar grunnlag i faglege råd og forsking. I ryggsekken har ikkje arbeidsministeren ein einaste rapport som støttar den politikken som han er skremd ut for å forsvare, for noko slikt finst ikkje. Sjølv frå sitt eige departement får han melding om at ein ikkje har funne effekt på sysselsetjingsnivået generelt, det aukar berre høvet til mellombels tilsetjing. Folk streika i eit omfang som vi ikkje har Organisasjonane til gruppene regjeringa hevdar dei vil hjelpe, gjev regjeringa ei kald skulder, og regjeringspartia stuper på meiningsmålingane. Likevel står dei fast på politikken sin og hevdar at folk ikkje veit sitt eige beste. Ein skulle kanskje tru at summen av motstanden mot politikken fekk regjeringa til å vakle litt, i alle tilfelle tenkje litt ekstra etter om dette verkeleg var vegen å gå, men arbeidsministeren er like standhaftig, han vik ikkje ein tomme. Tvert imot seier han til media at han tek ikkje omsyn til streiken i det heile. Eg synest det skin igjennom i regjeringa at dei meiner denne streiken ikkje hadde legitimitet, at folk ikkje forstod kvifor dei streika – hadde dei berre forstått sitt eige beste, hadde dei omfamna politikken til regjeringa. Det er ein type ovanfrå-og-ned-haldning som har vore forsøkt eit heilt år utan hell. Problemet er ikkje at regjeringa ikkje har kommunisert godt nok, eller at folk ikkje forstår. Problemet er at folk forstår, og at dei ikkje likar det dei ser. Å gjere faste stillingar mellombelse er eit effektivt grep mot fagorganisering, som igjen svekkjer lønsnivået i bransjar med stor konkurranse om arbeidet. Den oppmjukande effekten blir derfor dobbel – ikkje berre det å stå aleine, men også mangelen på ein føreseieleg og trygg økonomi, gjer arbeidstakarane mjukare i møte med eit «take it or leave it». Noreg har ikkje råd til ei regjering og ein arbeidsminister som går til kamp mot ein og ein halv million arbeidstakarar, særleg ikkje når regjeringa så tydeleg manglar både fakta og støtte frå dei svake gruppene dei hevdar å ville hjelpe. EØS-avtalen legger et betydelig press på norsk arbeidsliv. Vi ser at useriøse aktører utnytter utenlandsk arbeidskraft og driver sosial dumping. Vi ser en bemanningsbransje som driver fram et arbeidsliv som vi etter SVs syn ikke er tjent med å ha, der vi har konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det avgjørende å avklare: Hva er det som regnes som midlertidig, og hva er det som regnes som fast arbeid? Kan man si at man har jobb når man verken har lønn eller kontrakt som sier noe om hvor mye man skal jobbe, og når ingen av de grunnleggende forholdene man regner som viktige i et arbeidsforhold, er regulert? Det er også ille at den kollektive søksmålsretten blir fjernet. Det er det vernet som de svakeste av de svake har. Det er nettopp de utenlandske arbeidstakerne som var en del av grunnlaget for innføringen av den kollektive søksmålsretten – de som aldri våger eller evner å stå opp for seg selv, fordi motmakten alltid vil være så veldig mye sterkere. SV vil ta et oppgjør med bemanningsbransjen. Vi vil ta et oppgjør med fri

Vi mener at det er Det norske storting og partene i arbeidslivet som skal legge grunnlaget for hvordan arbeidslivet skal se ut, ikke EU. Vi ønsker ikke et arbeidsliv der vi ser at ILO-konvensjon, tariffavtale og norsk arbeidslivslovgivning settes til side for EU. Det har tidligere i debatten blitt uttrykt overraskelse over at likestilling blir fremmet som argument mot endringene i arbeidsmiljøloven. Jeg vil uttrykke overraskelse over den overraskelsen, tatt i betraktning at Likestillings- og diskrimineringsombudet har vært tydelig på, de kvinnedominerte fagforeningene har vært tydelige på – og til og med BLD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, har vært tydelig på – at konsekvensene rundt likestilling er for dårlig utredet. Likestilling kommer ikke av seg selv, slettes ikke i arbeidslivet heller.

I dag åpner vi enda en dør inn til arbeidslivet for dem som står utenfor og vil inn. Vi sørger for at flere kan få den viktigste sjansen – den første sjansen til å vise seg fram i arbeidslivet. Men hva sier Arbeiderpartiet? Jo, denne døren bør forbli stengt. Og hvis den åpnes, har Arbeiderpartiet følgende lovnad, dersom de skulle komme til makten: Døren skal da umiddelbart låses igjen, og nøklene skal kastes langt vekk. Det er uansvarlig av partiet å konkludere med at de vil reversere noe de ennå ikke engang har sett resultatene av. Vi er vitne til et parti som i mangel av egen politikk og egne alternativer bruker sin energi på å avlyse andres. En av de største samfunnsutfordringene vi har i Norge i dag, er at for mange står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Minoriteter, og særlig kvinner med minoritetsbakgrunn, er overrepresentert i denne statistikken. Ofte – veldig ofte – er det for disse personene helt avgjørende å få den første sjansen. Vi vet at akkurat som skole er den beste integreringsarenaen for barn, fungerer arbeidslivet på samme måte for voksne. Jeg har snakket med mange mennesker som er fortvilet over å stå utenfor arbeidslivet. De har ikke den luksusen at de kan velge mellom en fast jobb eller en midlertidig jobb. De har ikke den luksusen at de kan velge mellom å få boliglån eller ikke. De må tenke på om pengene kommer til å holde hele måneden for å få husholdningen til å gå rundt. Selv Arbeiderpartiet og de rød-grønne må jo være enig i at det er bedre med én fot innenfor arbeidslivet enn begge føtter utenfor. Men hva ser vi her i dag? Jo, de er negative – på autopilot. Å være imot dette er både usosialt og tegn på ideologiske skylapper. Jeg skulle ønske at vi i dag hadde hatt et arbeiderparti som også brydde seg om alle de som står utenfor arbeidslivet. I stedet er partiet opptatt av å stenge dørene, sette på bremseklossene og trekke stigen opp etter seg. La det

Hvis den midlertidig ansatte ikke blir tilbudt fast stilling, kan ikke virksomheten ansette en ny person til å utføre de samme oppgavene før det har gått ett år. Midlertidig ansettelse er ikke noe mål i seg selv, men et av flere virkemidler for å inkludere flere i arbeidslivet. Regjeringen vil ha en moderne og fleksibel arbeidsmiljølov med virkemidler som er tilpasset menneskene i dagens De siste månedene har det vært mye villedende og freidig retorikk fra venstresiden om hva som kommer til å skje hvis regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven blir vedtatt. LO har prøvd å skremme med at regjeringen vil ha oss tilbake til løsarbeidersamfunnet, hvor arbeidsfolk sto med lua i hånden. Regjeringen har også blitt beskyldt for å tildekke fakta – at det som egentlig ligger i forslaget, er å åpne for frislipp av midlertidige stillinger, mer pålagt overtid og mer søndagsarbeid. Det har faktisk vært ganske overraskende å oppleve så massiv, villedende retorikk og så mye usannheter. Usannheter blir ikke mer sanne om de gjentas flere ganger. Flere som har deltatt i den offentlige debatten, har prøvd å skape forvirring om regjeringens budskap. Generalsekretæren i Forskerforbundet er en av dem. Hun skrev i et innlegg i Dagbladet nylig: «Forslaget til ny arbeidsmiljølov er dårlig nytt for alle som vil ha ned midlertidigheten blant forskere og undervisere i akademia.» Hun oppfordret stortingspolitikere som er tilhengere av faste jobber, til å stemme mot regjeringens forslag. Slike forvirrende og sammenblandede budskap har det vært mye av. Hvem er ikke tilhenger av faste jobber? Regjeringen er også det. Fast ansettelse er hovedregelen og skal fortsatt være hovedregelen i arbeidslivet. Det å kjempe mot statlig sektors misbruk av midlertidige kontrakters varighet og samtidig være opptatt av at flere skal få prøve seg og få en fot innenfor arbeidslivet, er ikke motstridende. Flertallspartiene vil ikke ha et arbeidsliv med midlertidighet i årevis, slik vi ofte ser i de statlige institusjonene og i akademia. Derfor er vi fornøyd med at det nylig ble nedsatt et lovutvalg som skal vurdere om tjenestemannsloven kan fornyes og forenkles. Tjenestemannsloven er fra 1983, og arbeidsliv og statlig sektor har endret seg mye de siste 30 årene. I merknad ber flertallspartiene regjeringen sørge for at utvalget vurderer tjenestemannslovens bestemmelser om midlertidig ansettelse, og viser til at bruken av midlertidig ansettelse er størst i statlig sektor. Det er ønskelig å redusere bruken av de lengste midlertidige ansettelsene i staten. Høyre er opptatt av å hegne om arbeidsmiljøloven. Loven er viktig for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Den skal sikre tryggere arbeidsforhold, likebehandling og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg blir litt forundret over hvor enkelte representanter fra Høyre henter kunnskapen fra. 20. mars kom det en ny forskningsrapport fra Fafo, og den sammenliknet arbeidsmarkedet i de nordiske land når det gjelder midlertidige ansettelser. Det som er helt klart der, er at i Norge, som har strenge regler for midlertidige ansettelser, har man langt større sjanse for å få fast stilling dersom man er arbeidsledig enn man har dersom man er midlertidig ansatt i Sverige. Tallene er helt klare

med ulike lover i arbeidsmarkeder som er veldig like. Regjeringspartiene tar dessverre feil.

resultater. Jeg lurer på hvilken verden denne opposisjonen lever i. Er det ingen fra denne opposisjonen som har barn i den alderen da de søker jobb? Jeg har to barn i den alderen, og de har jammen søkt på opp mot 100 faste jobber. De får ikke fast jobb – men de fikk begge to en midlertidig jobb. Og etter at den midlertidige stillingstiden var over,

Og dette er ungdommer uten hull i CV-en. Dette er ungdommer som ikke har en funksjonsnedsettelse. Allikevel trenger de å gå via en midlertidig stilling. Da blir det viktig at vi får flest mulig slike stillinger til å prøve seg på i arbeidslivet. Jeg har hørt påstandene fra opposisjonen: Man får ikke lån i en midlertidig stilling. Hvorfor sier de aldri at man ikke får lån uten en jobb? Det hører jeg aldri – og så er det ikke sant engang. Begge mine barn fikk lån til bolig i sine midlertidige stillinger. Man må slutte å si at det ikke er mulig å få lån i midlertidig stilling, for det er ikke riktig. Så har jeg lurt på hvorfor det er så innmari viktig for opposisjonen å holde folk ute. særlig vært opptatt av dem med rusproblemer og psykiske lidelser. Hvor mye har vi ikke snakket om R-en i LAR? Og hva er kritikken hele tiden? De får ikke lov til å delta i samfunnet, de kommer ikke innenfor for å være en del av det vi andre ser på som en vanlig hverdag. Da må de jo få den muligheten! Som arbeidsgiver trenger man å prøve ut folk. Jeg har vært arbeidsgiver selv. Jeg turte ikke å ta mange sjanser, men der jeg kunne ta inn vikarer, gjorde jeg det. Det var da jeg ble kjent med folk, og jeg ga dem fast stilling. Fast stilling er det arbeidsgivere ønsker seg aller mest, og det skal ligge i

alle dem som i dag står utenfor arbeidslivet. Disse bryr Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene seg om. Vi vil gi dem som står utenfor arbeidslivet, en sjanse ved å la dem få prøve seg. Det må være mye bedre enn ikke å komme inn i det hele tatt. Dette handler også om verdighet, det å få lov til å delta, det å føle at noen har bruk for det at bedrifter får muligheten til å prøve ut, det at bedrifter kan ta inn ekstrapersonell og -ansatte i en periode da eksempelvis ordre betyr at man trenger ekstra hjelp. Midlertidige ansettelser kan i et slikt tilfelle være en god løsning, istedenfor at man eventuelt skal pålegge fast ansatte ekstra mye overtid. Etter et slikt forhold vil man ofte ende med en fast ansettelse. Uansett

Mange av disse menneskene vil gjøre noe og bidra – og føle at de er verdt noe. Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene vil gjøre trappetrinnene inn til arbeidslivet lavere, slik at flere kan delta. I dag er trinnet inn til arbeidslivet – og, etter hvert, de faste stillingene– altfor høyt for enkelte. Vi vil ikke at mange utenfor arbeidslivet skal fortsette å snuble i den terskelen. Vi vil gjøre trinnet så lavt og overkommelig som mulig, slik at flere får muligheten.

Hvis vi tar feil, er det også 1,7 millioner organiserte arbeidstakere i Unio, i YS, i LO og i Akademikerne som tar feil, for i sine uttalelser knyttet til endringer i arbeidsmiljøloven er de krystallklare: De ønsker dem ikke. Forskningen tilsier at dette ikke kommer til å føre til flere fast ansatte, tvert imot flere midlertidig ansatte. Jeg trodde denne regjeringen var opptatt av kunnskap, for de hevder at de er kunnskapspartiene, men forskningen som ligger bak, og som på mange måter kan si oss noe om hvordan dette vil slå ut, tilsier at det høyrepartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har brukt av argumenter her i dag, er feil. Så til en annen sak, om dette med generell aktivitetsplikt for alle Det er vel oppgitt en kostnad på rundt en halv milliard kroner på det første forslaget fra Høyre. KS-toppene påpeker i tillegg at dette vil føre til mer byråkrati og mindre brukerrettet oppfølging fra Nav. Ja, sågar er det sånn at arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad sier at forslaget vil føre til mer byråkrati og mindre oppfølging. Når jeg er i min vanlige jobb, jobber jeg faktisk i Nav. Jeg tegner hver uke kontrakter på arbeidspraksisplasser og på hospiteringsplasser. Og la meg understreke for Stortinget: Vi snakker om kontrakter – en gjensidig kontrakt mellom arbeidsgiver, bruker/arbeidstaker og Nav. Når man snakker om at man får dårlig oppfølging fra Nav, er det faktisk sånn at man ikke får godkjent denne praksisen hvis man ikke har en tilretteleggingsgaranti som undertegnes av den Nav-ansatte, f.eks. meg, som da har et ansvar for å følge opp den enkelte som er utplassert i praksis. Så når noen representanter sier her fra denne talerstolen at det ikke er kontraktsfestet, er det feil. Til slutt: Arbeiderpartiet er for at man bruker skjønn når det gjelder aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, men å forplikte vil medføre byråkrati. I tillegg er det mange som faktisk ikke egner seg for å stå i jobb nå, men som kanskje etter hvert vil gjøre det.

hvis man blir det via Nav, men hvis man finner seg en egen jobb, utenom Nav, er det ikke greit å være midlertidig ansatt. Det er en underlig logikk. Det har også vært mange spesielle argumenter her i dag. Man har kunnet høre at vi nå skaper et løsarbeidersamfunn, noen mener at det er udemokratiske endringer vi gjør, det vil øke kriminaliteten, det vil gjøre at arbeidstakere blir stående med lua i hånden, vi raserer velferdsstaten, vi demonterer den norske modellen, vi vil drive med tvangsarbeid – det er ikke måte på til skremselspropaganda. Men det kanskje rareste argumentet vil jeg si er likestillingsargumentet – at det at vi nå gjør at flere mennesker skal få muligheten til å komme inn i arbeidslivet, vil svekke likestillingen. Enkelte av representantene fra Arbeiderpartiet har gått så langt som til å si at etter i dag kan ikke Norge lenger skryte av å være et likestilt land på grunn av at vi gjør noen forsiktige oppmykninger i arbeidsmiljøloven. Jeg er en sterk tilhenger av likestilling, men jeg trodde at et av de viktigste grepene for å ha likestilling er å sørge for at mennesker er økonomisk uavhengige, sånn at man kan foreta sine egne valg, uten å være avhengig av andre. andre. Er det noe vi legger til rette for i dag, er det at flere av dem som står utenfor arbeidslivet, nå skal kunne få seg en jobb og dermed være økonomisk selvstendig. Dermed vil det faktisk bidra til å styrke likestillingen. Det har også kommet andre argumenter, f.eks. at forslagene vi fremmer i dag – som vil hjelpe til med å få flere folk i arbeid – av en eller annen spesiell grunn vil føre til at vi vil miste skatteinntekter. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre tenker nytt og er villige til å justere og forbedre de ordningene man har. Det gjør vi fordi vi kjemper for at flere mennesker skal få muligheten til å få seg en jobb. Men jeg registrerer også at opposisjonen av taktiske grunner kjemper imot og velger å svikte de 650 000 menneskene som står utenfor arbeidslivet, og som virkelig ønsker og kunne trenge en jobb. Jeg har lyst til å kommentere noen av tingene som har blitt sagt. Jeg registrerer bl.a. at det

Jeg er uenig med OECD-rapporten på det området. Jeg regner med og legger til grunn at også opposisjonen og Arbeiderpartiet, når de bruker OECD-rapporten på den måten, ikke er enig med OECD i at man skal svekke stillingsvernet for fast ansatte. Det er jo det som gjør at koblingen ikke blir god nok når det gjelder overgangen til arbeid.

er vel virkelig et godt eksempel på at dette kan være et godt og riktig virkemiddel for å hjelpe flere med hull i CV-en og gi dem en arena til å prøve seg i arbeidslivet. Så til representanten Dag Terje Andersen, som sier at det er stigmatiserende å innføre en generell aktivitetsplikt: Jeg er uenig med representanten Dag Terje Andersen på dette punktet. Jeg mener at man kan møte mennesker på to måter: Det at man har forventninger til folk, er å ta folk på alvor. Det at man har tro på folk, er å ta folk på alvor. Det å stille krav til folk, viser at man har forventninger til dem og tro på dem. Det ikke å ha de forventningene, er å møte folk med likegyldighet. Jeg mener at det verste man kan gjøre, er å møte folk med likegyldighet. Det er stigmatiserende i mitt hode. Den stigmatiseringen ønsker ikke jeg å bidra til. Aktivitetsplikt gjelder ikke bare for den som mottar sosialhjelp. Det innebærer også et krav til kommunene om å legge til rette for meningsfull aktivitet og riktig sosialfaglig oppfølging, sånn at de menneskene kan komme raskere ut av en situasjon med passivitet og sosialhjelp. Ungdommer vi har møtt og snakket med, bl.a. i Fjell kommune, som nå praktiserer den ordningen som Stortinget i dag vedtar, sier at det var helt avgjørende for at de kom

representanten Lundteigen, som peiker på at vi må prioritere å få norske statsborgarar i jobb framfor EØS-innvandrarar, eller representanten Else-May Botten, frå Arbeidarpartiet, som seier at vi må velje mellom ungdom eller 72-åringar. Mitt syn er at arbeidsmarknaden ikkje er eit nullsumspel. Det er ikkje sånn at viss vi får ein ungdom i jobb, kan ikkje ein eldre arbeidstakar stå lenge i jobb. Det er ikkje sånn at dersom ein EØS-innvandrar får moglegheit til å jobbe i Noreg,

For litt sidan gjekk Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, på oppdrag frå arbeidstakarorganisasjonen Unio, gjennom den forskinga som finst – frå Noreg og frå andre land – på temaet «mellombelse tilsetjingar». Det var ein svær studie og ein svær gjennomgang. Der peika dei på ein del studiar som viser at oppmjuking av reglane for mellombelse stillingar Dei peiker på andre studiar, som viser at ei oppmjuking av regelverket fører til at fleire faste stillingar er resultatet. Men dei peiker også på studiar som ikkje bekreftar den same tendensen. Kva er så oppsummeringa av dette svære arbeidet? Jo, oppsummeringa er at forskinga ikkje gjev eintydige svar, og at dette i stor grad handlar om politikk og ikkje i så stor grad om forsking. Av og til er det sånn. Det er ein stor forskjell på den spanske og den norske arbeidsmarknaden. Det er forskjell på land i høgkonjunktur og land i lågkonjunktur. Det er forskjell på land med eit sterkt oppseiingsvern og land med eit svakt oppseiingsvern. Det vi må gjere, er å gjere våre eigne erfaringar. Det vi har av erfaringar med mellombelse stillingar i Noreg, er at dei er eit springbrett inn i fast jobb. No gjev stortingsfleirtalet ein ny heimel for å la folk få sjansen til å prøve seg. Vi skal følgje tett korleis utviklinga blir, Vi skal følgje tett korleis utviklinga blir, det skal det forskast på, og vi skal hauste erfaringar. Men når ein står i ein situasjon der ikkje all forsking viser korkje det eine eller det andre, kan ein velje slik som dei raud-grøne gjer, og sitje stille og la vere å gjere noko, eller ein kan velje slik som stortingsfleirtalet gjer, og prøve dei tiltaka vi har størst tru

hvor håpløst det som står i deres høringsuttalelser er, når det gjelder likestilling og konsekvenser for likestilling mellom menn og kvinner og konsekvenser for gravide kvinner i midlertidige stillinger. Det er en del man ikke liker her. Det kan vel kanskje være gjensidig. Jeg må si at jeg liker veldig dårlig når representanten Bente Stein Mathisen står her og sier at innleggene våre har inneholdt usannheter. Så jeg vil utfordre Bente Stein Mathisen nå hvis hun har ett minutt igjen av taletiden: Kom opp her og fortell hva som var usannheter i de innleggene som bl.a. jeg har holdt i denne saken! Jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte når det er snakk om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fordi det å ta folk på alvor, handler om å gi rettigheter, men samtidig også om å pålegge plikter. Det å se folk, å se folks muligheter handler om å ta folk på alvor. Det var akkurat det kvalifiseringsprogrammet som sosialhjelpsmottakere var innrettet mot den gangen det ble vedtatt med én viktig dimensjon i tillegg til det som foreslås her i dag, nemlig at viljen til aktivitet for kvalifisering også ble premiert i form av en høyere stønad. Det var Fremskrittspartiet imot. Det stemte de imot da kvalifiseringsstønaden ble innført, og det stemte de imot i flere budsjetter etter det. Jeg klarer ikke med min beste vilje å se hva som er bedre med pålagt aktivitetsplikt uten en krone ekstra enn det som Fremskrittspartiet i sin tid var med på å prøve å stemme ned, men som nå viser seg å virke nettopp fordi det er individuelt innrettet. Det er ikke mer enn to år siden aktivitetsplikten ble utredet forrige gang. Da var konklusjonen at aktivitetsplikt finnes. Den brukes. Den brukes der hvor kommunene og saksbehandlerne mener at det er hensiktsmessig. Det varierer litt mellom f.eks. store og små kommuner. Proba samfunnsanalyse, som skrev den rapporten, mente at det kanskje kunne komme av at i små kommuner er forholdene oversiktlige, og det er lettere å ha en tett individuell oppfølging av den enkelte. Så kan det hende at det at det varierer, kan komme av at det i Nav-kontoret er sånn at en del saksbehandlere har ansvaret for mellom 100 og 200 brukere. Sett inn pengene der…. Jeg må be om at man respekterer taletiden, særlig på denne tid i debatten.

Det er en veldig sterk uttalelse. Jeg er enig i at under de rød-grønne ble det ikke gjort nok for de menneskene som trenger bistand fra Nav. Virkemidlene var ikke gode nok. Men å karakterisere de av oss her som arbeider for å bedre forholdene for dem som trenger bistand fra fellesskapet på en sånn måte, er ganske sterkt. Jeg har ikke sett så mye penger fra den nåværende regjering og så mange flere stillinger og i det hele tatt så mye mer engasjement for det. Så vi kan jo se når det har gått ett år, om resultatet står i forhold til de skarpe uttalelsene. Ellers til representanten Rotevatn, som sa at han reagerte på en tendens til at en begynte å velge mellom ulike grupper, og at Senterpartiet står for et syn der en skulle skille på en sånn måte at en gjør en ekstrainnsats for norske borgere og ikke for alle borgere som er i Norge: Det som var mitt hovedinnlegg, og som er mitt innlegg, er at vi skal skolere de innbyggerne som er i Norge, bygge ut den arbeidskraften og muligheten som de har. At Senterpartiet går imot fri bevegelse av arbeidskraft over landegrensene, er et realt standpunkt. Jeg vil ha meg frabedt at det å gå inn for en regulering av arbeidskraftbevegelsen over landegrensene skal være noe upassende – noe uhøvisk. vårt skjønn et nødvendig virkemiddel for å sikre den totaliteten vi trenger. At det nye Venstre med representanten Rotevatn, som står for sin økonomiske liberalisme, reagerer imot det, er jeg ikke overrasket over. Men for oss er det viktig å gjøre dette. Ellers til nullsumspill: Det er helt opplagt at hvis du klarer å kjøre lønns- og arbeidsvilkår ned i Norge, så vil flere av oss som har stor kjøpekraft, etterspørre flere tjenester. Dermed blir det flere arbeidsplasser. Men det er ikke sånn vi ønsker det. Vi ønsker at alle skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, for alle skal kunne leve anstendig av et godt arbeid. Jeg har lyst til å kommentere Rotevatns innlegg, for representanten sa at man må legge egne erfaringer til grunn. Da

men også ta med seg i politikkutformingen det som kommer derifra. Jeg tror dagens sak hadde vært bedre og mer framtidsrettet lagt fram på bordet her i dag, om regjeringen hadde gjort det. Så til forskning. Jeg tenker at ut ifra det jeg har hørt i dag i debatten og tidligere, er Rotevatn og Eriksson gode på forskning, spesielt svogerforskning. Men når vi snakker om den forskningen som viser at økt midlertidighet ikke vil gi flere stillinger, så syns jeg de kanskje burde hørt litt mer etter. For hvor mange er det nå som kan si at denne datoen blir julaften framover fordi dette vedtaket gjorde at de fikk seg jobb? Kan statsråden si hvor mange av de 600 000 som står utenfor arbeidslivet, som skal få komme inn utenfor arbeidslivet, som skal få komme inn i arbeidslivet med dette? Hva slags forskning, hva slags tall har man å vise til her? Og på hvilke premisser? Skal de få en fot innenfor med sine kloke hoder og hender – med lavere lønn, løsere arbeidsforhold og mindre forpliktelser for arbeidsgiveren? Eller er det tryggere arbeidsliv, bedre fleksibilitet for arbeidstakeren, ikke arbeidsgiveren? Hvor er tyngden i den maktbalansen som man her legger opp til? Bente Stein Mathisen har hatt ordet to ganger tidligere, og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Det går på at regjeringen mener at det skal bli mer søndagsjobbing, det skal bli flere arbeidstimer, at man skal jobbe lenger, mer overtid. Det er ikke sant. Det er det samme antall søndager som man har med dagens lovverk, som ligger i det nye forslaget. Det er bare snakk om at man kan jobbe litt mer i grupper – altså, man kan ha flere søndager etter hverandre fri, mot at man da jobber tre søndager etter hverandre. Det samme gjelder overtid. Det er det jeg viste til, som har vært usannheter som har vært spredt de siste månedene. Neste taler er representanten Dag Terje Andersen, som er siste inntegnede. Han bærer et stort ansvar for å få avsluttet debatten. Det skulle tatt seg ut. Grunnen til at jeg vurderte det sånn at jeg måtte be om ordet helt oppsummerende, var statsrådens innlegg.

ved å peke på ansvar, men ikke på rettigheter. Aktivitetsplikten er én sånn ting. Men la meg understreke: Vi er for dagens form for aktivitetsplikt. Vi synes det er riktig å stille krav når det er det som kan bidra for dem det gjelder og deres utvikling. Ellers må jeg bare slå fast på slutten av debatten at det kommer til å bli vedtatt generell adgang til midlertidige ansettelser, og en rekke andre endringer i arbeidsmiljøloven som vi har diskutert tidligere i dag, mot de faglige råd statsråden har fått fra sitt eget departements underliggende etater. Vi har i løpet av debatten prøvd å få svar på om det i noe land finnes noe eksempel på at generell adgang til midlertidige ansettelser faktisk fører til at flere får jobb. Nei, det gjør altså ikke det – verken etter OECDs undersøkelser eller andre eksempler. Da kan jeg for så vidt avslutte med utgangspunkt i det representanten Rotevatn helt riktig sa, at det er stor forskjell på spansk og norsk arbeidsliv. Ja, det er en svær forskjell, ikke minst når det gjelder ledighetstall,

Rotevatn har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når representanten Else May Botten skuldar meg for «svogerforskning», er det ikkje meg ho skuldar for det, men Høgskolen i Oslo og Akershus og Arbeidsforskningsinstituttet der, som var dei eg viste til. Og viss ho absolutt vil ha referansar til dei konkrete forskingsrapportane, kan ho sjå på Faccini frå 2013, som viser at mellombels stillingar reduserer arbeidsløysa innanfor det dei har sett på, eller Nunziata og Staffolani frå 2007, som viser at det fører til fleire faste stillingar. Så er det ein del rapportar som ikkje viser det same, og då er jo poenget at all forsking viser ikkje noko eintydig her, og i den store gjennomgangen klarer ein ikkje å konkludere tydeleg i den eine eller andre retninga. Men då bør ein heller ikkje late som om det er tilfellet. Difor vil eg avslutte med noko som har vorte etterlyst: kva som er usanningane som verserer i debatten. Det har vore mykje utanfor dette huset. Men det er tre ting som har vore sagt i dag, og eg trur alt er sagt av representantar frå Arbeidarpartiet: All forsking viser at – nei, det er feil. Det blir meir pålagt overtid nei, det er feil. Ein ønskjer no å likestille mellombelse og faste stillingar – og det er iallfall feil. Da er neste og siste inntegnede taler representanten Erlend Wiborg, som er sakens ordfører og derfor fortsatt har en taletid på 3 minutter – inntil 3 minutter. Jeg forstår hintet fra presidenten. Jeg skal bare avslutte debatten rundt for likestillingsargumentet har jo ikke blitt brukt kun mot delen om midlertidige ansettelser. Likestillingsargumentet har også blitt brukt mot gjennomsnittsberegningen, det har blitt brukt mot turnusordningene, det har blitt brukt mot vetoretten som vi fjerner, osv. Mitt enkle spørsmål er da: Hvordan taper kvinner på at man innfører aktivitetsplikt? Hvordan taper kvinner på at man, hvis de selv ønsker det, kan jobbe mer i noen perioder i bytte mot mer fri i andre perioder? Hvordan taper kvinner på at lokale tillitsvalgte får mer makt og innflytelse på bekostning av sentrale tillitsvalgte? Det viser at det ikke er hold i

Men representanten Dag Terje Andersen snakket også om forskning og lurte på hvilken forskning som eksisterer. Alle er enig i at det er vanskelig å sammenligne forskning på tvers av landegrensene, fordi det er forskjellige regler som gjelder. Men vi kan gå til Norge. To av tre får fast ansettelse etter å ha vært midlertidig ansatt i to år. Det viser som sagt at midlertidige ansettelser er et Da er jeg glad for den loven vi vedtar i dag, og jeg legger også til grunn at den loven skal tolkes fleksibelt, til beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Men en god oppsummering av debatten kom da den tidligere statssekretæren i Arbeiderpartiet som jeg nevnte i sted, Stein Lier Hansen – jeg registrerer at ingen fra Arbeiderpartiet har kommentert hans utsagn – var tydelig i Dagsavisen. Han sa: «Jeg synes de overdriver saken veldig.» Da snakket han altså om Arbeiderpartiet og LO, og han fortsatte med: jeg synes endringene som foreslås er en modernisering som tilpasser loven til et mer moderne og fleksibelt samfunn». Det er det Stortinget gjør her i dag. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av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

Selv om ikke alle er enige i alt, er det min oppfatning at komiteens medlemmer har en grunnleggende respekt for hverandres synspunkter. Prop. 55 S handler om minstekrav med hensyn til styrking av arbeidstakermobiliteten mellom medlemsstatene gjennom bedring av opptjeningen og videreføringen av retten til supplerende pensjon. Formålet med direktivet er å gjøre det lettere for arbeidstakere å benytte retten til fri bevegelse og medvirke til mobilitet for arbeidstakere ved å redusere hindringene som oppstår som følge av visse regler om supplerende pensjonsrettigheter knyttet til et arbeidsforhold. På pensjonsområdet blir den sosiale tryggheten til arbeidstakerne sikret gjennom lovfestede trygdeordninger sammen med supplerende pensjonsordninger knyttet til arbeidsavtaler, noe som for øvrig stadig er mer vanlig i de europeiske landene. Det er på mange måter naturlig å se på Europa som ett arbeidsmarked der innbyggerne i de ulike landene finner seg arbeid på tvers av landegrenser. Når arbeidsløsheten øker i ett europeisk land, velger mange å flytte til et annet for å få seg arbeid. Dette gir mange familier et bedre liv. De senere årene har de europeiske landene hatt et tett samarbeid innen universitets- og høyskolesektoren for å samordne og utvikle felles forståelse for akademiske grader og karaktersystem. Dette gjør det lettere å søke arbeid i andre europeiske land fordi man kan sammenligne to utdanninger. Et godt eksempel er norske studenter som studerer medisin i Polen, og deretter vender tilbake til Norge for å praktisere. EØS er viktig for Norge, og vårt forhold til Europa handler om arbeidsplasser i Norge, men også om tilgangen til markedet i Europa for næringslivet. Det er viktig å ivareta arbeidstakernes mulighet til å søke arbeid i andre europeiske land, derfor bør hindringene i retten til fri bevegelse og mobilitet for arbeidstakerne reduseres. Det er viktig å understreke at direktivet bare skal gjelde for de arbeidstakerne som bytter jobb på tvers av landegrensene, og ikke ved jobbytte innenfor samme medlemsstat. Direktivet vil i liten grad påvirke eksisterende nasjonal lovgivning og nasjonale regler for supplerende pensjonsordninger, da de norske reglene i hovedsak er i samsvar med reglene i direktivet.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

stor enighet i komiteen, egentlig svært stor enighet. Så er det nok mulig at Rasmus Hansson, på vegne av Miljøpartiet De Grønne, og SV vil fremme noen forslag og begrunne de forslagene, men jeg skal ta for meg det som har vært næringskomiteens anliggende. La meg først først rette opp to feil i innstillingen. Ved en inkurie har Arbeiderpartiet falt ut av merknaden der det står: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, mener at veksten i oppdrettsnæringen må innrettes slik at det også i fremtiden er rom for et mangfold av aktører i næringen.» Der skal altså Arbeiderpartiet være inne, og da blir det en enstemmig komité på det området. Det betyr at en innstilling hvor det fra innstilling hvor det fra før av er stor grad av enighet, blir enda mer enstemmig. I tillegg skal Arbeiderpartiet inn på en merknad som lyder: «Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre understreker viktigheten av at fiskerienes interesser blir ivaretatt i forbindelse med utarbeidelsen av nye vilkår for vekst i oppdrettsnæringen.» Der skal altså Arbeiderpartiet inn. inn. Det gir meg anledning til å forklare hvorfor Fremskrittspartiet og Høyre ikke er inne på den merknaden. Det betyr ikke at vi er imot fiskerinæringen, men vi tar hensyn til det lokale selvstyret og de kommunale arealplanene som regulerer den næringen. Det er det viktig for oss å få fram, og derfor fant vi ut at det ikke var riktig å gå inn på den merknaden.

Likeledes er det viktig for bosetting langs hele kysten at man har en god aktivitet i næringen, og det betyr mye for næringsaktivitet langs kysten, også i de områdene som er næringssvake. Dette har som sagt stor betydning for verdiskaping, både nasjonalt og lokalt. Så er det sånn at produksjon av mat også Så er det sånn at produksjon av mat også har et klimaregnskap. Det å produsere laks og ørret i oppdrett er en klimavennlig måte å produsere mat på og bidrar positivt i klimaregnskapet. Det er det kanskje verdt å tenke litt på for Miljøpartiet De Grønne. Komiteen er veldig opptatt av at vekst skal skje på en miljømessig bærekraftig og god måte. Komiteen peker også på at næringen har noen utfordringer, noen større enn andre. Dette med lus er en stor utfordring, og der tar næringen allerede grep. Regjeringen tar også mange grep i så måte. Det samme gjelder rømming, sykdom og fare for spredning av sykdom. Da vi behandlet denne innstillingen i komiteen, viste vi også til at regjeringen hadde sendt ut på høring forslag til ny melding. Den ble avsluttet 10. januar, og forrige fredag kom regjeringen med en melding til Stortinget. Den debatten kommer på et senere tidspunkt, så jeg håper ikke at debatten i dag begynner å dreie seg om en melding som akkurat er kommet til Stortinget, og som Stortinget skal ha en grundig og god behandling av, men at vi forholder oss til det representantforslaget som er til debatt nå i dag. Havbruksnæringen er

Når de kan ha en tidshorisont på flere år, kan de utvikle teknologi og bli bedre. Og så er det viktig for Høyre å ha et teknologinøytralt prinsipp her. Det skal være slik at man skal stille strenge krav, men det å stille krav fra Stortinget til hvilken type teknologi som skal brukes, kan like gjerne gå galt som det kan gå bra.

påkjenningene den fikk der. Hvis den hadde vært fylt med fisk, så kan det godt hende – men vi vet ikke – at vi hadde hatt en ganske så trasig situasjon. Det er viktig fra Høyres side å påpeke at vi skal stille strenge krav. Det skal være forutsigbare rammer for næringen, da utvikler den seg best. Men teknologinøytralitet er et viktig prinsipp for Høyre, for da er det næringen og aktørene som velger de beste løsningene, og dem er prinsipp for Høyre, for da er det næringen og aktørene som velger de beste løsningene, og dem er det etter vår mening vanskelig å velge å vedta politisk. Havbruksnæringen er

En femdobling av biomassen, som er skissert av både forrige og sittende regjering, kan ikke medføre en femdobling av rømming, lus og klima- og miljøavtrykket. Som saksordføreren var inne på, la regjeringen før helgen fram sin stortingsmelding om havbruksnæringen. Vi skal ikke ta diskusjonen her nå, men likevel: Hovedbudskapet var at det skulle legges til rette for vekst for de aktørene som hadde kontroll på lusetallet. Regjeringen skisserer en trafikklysmodell, der de områdene som ligger under lusetallet, får grønt og dermed vekst, og de som ligger dårligere an, får enten gult, som ikke gir vekst, eller rødt, som permitterer deler av produksjonen. Trafikklysmodellen er en god modell så framt kravene er gode. Det er tydelig at Kristelig Folkeparti har en litt annen tilnærming i næringspolitikken enn Miljøpartiet De Grønne. Kristelig Folkeparti mener at staten skal sette strenge rammer for næringen, bl.a. knyttet til miljø- og klimaavtrykk. Så lenge aktørene holder seg innenfor disse rammene, skal det være anledning til drift og vekst. En eventuell statlig inngripen i næringen i form av stans av drift eller vekst, må skyldes manglende oppfylling av kravene som staten har stilt. Det som regjeringen legger opp til i havbruksmeldingen, er å gi motivasjon og gulrøtter for å satse på miljøteknologi. De som tar grep og leverer gode resultater på fastsatte miljøindikatorer, får vekst. Samtidig vil de som ikke bryr seg, få nedtrekk i produksjonen. Miljøpartiet De

Altså vil selskap som går foran som prakteksemplarer på miljø- og klimaansvar, som Miljøpartiet De Grønne er opptatt av, havne i samme kategori som de som ikke bryr seg. Det tror jeg ikke er en god idé, og jeg tror heller ikke det er intensjonen til Miljøpartiet De Grønne. Jeg anerkjenner miljøengasjementet til Miljøpartiet De Grønne. Det er utvilsomt et stort ønske om å tilpasse havbruksnæringen til miljøet – og ikke omvendt. Dette deler Kristelig Folkeparti fullt ut. Derfor ønsker vi heller å sette strengere krav til oppdrettere, og produksjonsnedtrekk eller stans for dem som ikke leverer i tråd med de indikatorene som vi senere skal diskutere. Men samtidig er det altså avgjørende å legge til rette for miljøteknologi og bærekraft. Det nytter ikke bare med pisk, som slår like hardt ut på alle, uavhengig av hva man gjør eller hvilke resultater man kan vise til. Vi må gi pisk til dem som ikke følger reglene, og gulrøtter til dem som er flinke. På den måten mener Kristelig Folkeparti at vi kan sette rammene som skal skape verdens beste og mest bærekraftige havbruksnæring. Oppdrettsnæringen er en stor og

men det må skje på en bærekraftig måte. Det er nevnt tidligere lus og rømming som de mest kjente og største utfordringene som næringen har. Men jeg tror også man i en framtidig vekst for oppdrettsnæringen må ta inn over seg at det vil bli arealkonflikter. Det er interesse mot skipsfart, det er interesse mot fiskerinæringen og andre arealkonflikter. Da mener Senterpartiet det er svært viktig at en har kommunene med på laget, og at en del av verdiskapingen blir liggende igjen i kommunen i form av arealavgift. I tillegg er det viktig for Senterpartiet at veksten i havbruksnæringen skjer på en måte som sikrer at vi har et mangfold av aktører – store, små, mellomstore. Oppdrettsnæringen har vist at det er en næring som har stor kapasitet til å finne og ta i bruk ny teknologi for å løse de utfordringene som den står overfor. Men det er også en næring som jeg oppfatter har behov for å bli holdt i et stramt grep, som har behov for å bli stilt strenge krav til. Jeg mener at et godt eksempel på hvordan havbruksnæringen evner å ta grep, er statistikken over antibiotikabruk i oppdrettsnæringen, som nå er

nemlig stabilitet i rammevilkårene. Jeg tenker det er viktig for næringen at vi evner på Stortinget å komme fram til et bredest mulig forlik om det som skal være rammevilkårene for en næring som faktisk er svært viktig for matproduksjonen i Norge og for landets framtidige skatteinntekter og verdiskaping.
Neste taler er representanten

økonomisk perspektiv, i et distriktsperspektiv eller i et miljøperspektiv. Men, altså, fortsatt vekst kan ikke skje uten vilkår. Jeg er glad for at en samlet komité mener det er grunn til å stille strengere vilkår enn i dag: at det er nødvendig med mer forskning og utviklingsarbeid for å løse miljøproblemene i havbruksnæringen at det handler om å stille krav om anlegg som mer vær og vind, og som kan minimalisere risikoen for at oppdrettsfisk rømmer at det handler om mer forskning på «tette» anlegg både på land og sjø at det handler om hvordan avlusingsmiddel forurenser annet havmiljø Alt dette sier altså en samlet komité – og det forplikter! Norge har særlige komparative fortrinn innen marine næringer. Som nasjon er vi i en særstilling ved at vi rår over store havområder som har vært – og er – grunnlaget for vår oljeavhengige økonomi. I tillegg forvalter vi rike fiskeressurser og har en kystlinje som er godt egnet for havbruk. Jeg ønsker ikke at vi skal skusle bort de naturgitte fortrinn som den norske kystsonen har for oppdrett i sjø, men jeg ser heller ikke bort fra at større deler av produksjonen bør foregå på anlegg på land. Med de ressursene Norge råder over, legger jeg også til grunn at vi bør utnytte våre marine matressurser til å bidra til verdens matvareproduksjon. Norske sjømatprodukter er etterspurt internasjonalt, og de fleste land har underdekning av egenprodusert sjømat. Som produsent av et høyverdig produkt har næringen ressurser til å bygge kompetanse og teknologi som bidrar til økt mattilgang i andre deler av verden. Dette, sammen med at havbruksnæringen i likhet med den øvrige sjømatsektoren er en viktig distriktsnæring, gjør det nødvendig med en videre havbrukssatsing – men altså på vilkår. vilkår. Arealavgift, som er nevnt av andre i debatten, vil vi komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av

Eg trur at viss ein skulle fø nordmenn berre på oppdrettsfisk, ville ein kunne fø Noreg gonger ti – det er altså ei gigantisk næring. Men ho har ikkje kome i berekraft enno, og det er det som er spørsmålet til Miljøpartiet Dei Grøne i denne saka: Korleis skal vi klare det? Eg synest det er ein litt rar tanke å tru at næringa kjem til å tilpasse seg utan at det kjem krav om det. Det som skjedde med industrien på 1980-talet, var jo nettopp at dei fekk strenge, knallharde krav med knallharde sanksjonar. Gjennom dei sanksjonane fekk vi den teknologiutviklinga som gjorde at også avfallet blei høgverdige produkt som i dag er hovudproduksjonen på fleire av industristadene i Noreg. Det er altså ein samanheng mellom det å stille strenge miljøkrav og det å få ein effektiv og konkurransedyktig industri. Det har vi ikkje i Noreg, det har vi ikkje klart enno i Noreg. Det kan vi sjå berre ved å ta ein titt på kor mykje pengar det blir brukt i næringa til forsking og utvikling – 1 pst. av omsetninga. Ifølgje samfunnsgeografien, der dei rangerer kva som er low tech og Så sjølv om næringa gjer masse interessant på teknologifronten og forskingsfronten, er dette veldig lite. Vi må på eit heilt anna nivå viss vi skal få den næringa vi sjølve ønskjer å ha, og som kan bli den økologiske nullutsleppsnæringa som vi ønskjer at ho skal bli. Det vil få stor påverknad både på prisar, på miljøet og på kvaliteten og vil sikre denne næringa ein plass i konkurransen internasjonalt. Målet er jo ei økologisk nullutsleppsnæring som lever i sameksistens med miljø og lokalsamfunn, og der eigarskap ikkje er knytt til stader langt unna kysten, stader langt unna kysten, men til kysten og til Noreg. Dette må ikkje bli ei næring som er prega av store utslepp og skadar på miljøet, driven av aktørar med hovudkontor langt, langt borte. Denne innramminga av næringa har vi enno ikkje klart å få til i Noreg. Når vi i SV kom med eit eige forslag, levert i dag tidleg, i denne saka,

problemet. Da kan vi begynne å få ei næring som kjem opp på det high tech-nivået vi ønskjer. Og da snakkar vi ikkje berre om laks og aure, som er det første vi tenkjer på når vi tenkjer oppdrett, og som utgjer 99 pst. av heile denne næringa. Da kan vi plutseleg sjå for oss eit heilt anna omfang av akvakulturnæringa, men da må premissen vere at ho skal vere i berekraft. Men det skjer ingenting viss ikkje vi som lovgjevarar stiller knallharde krav før vekst kan skje. Det er også noko av bakgrunnen for at Marine Harvest no har meldt seg ut av FHL. Det blir spekulert i kva grunnen er til at dei har meldt seg ut, men ifølgje deira eiga pressemelding er grunnen at dei meiner at krava frå FHL er for svake. Dei ønskjer mykje strengare krav både frå næringa sjølv og frå statlege myndigheiter, for dei ønskjer å få ei næring som ser framover, og som bevegar seg i retning av berekraft. Eg håper i alle fall at dei partia som meiner at vi skal ha eit utolmodig mål om ei berekraftig oppdrettsnæring, kan ta ein titt på det lause forslaget frå SV og støtte det, slik at vi markerer retning framover. Da oppfatter presidenten det dit hen at representanten Torgeir Knag Fylkesnes har tatt opp det forslaget han selv har referert Miljøpartiet De Grønne fremmer forslaget om miljøbasert vekststans i oppdrettsnæringen fordi veksten i oppdrettsnæringen er nøkkelen til både miljøproblemene næringen skaper, og til å få næringen til å ta disse problemene på alvor. Den dagen oppdrettsnæringen ikke får vokse før den har løst miljøproblemene sine, miljøproblemene. Gjennom de siste tiårene har norsk oppdrettsnæring om og om igjen forsikret at man bare om et lite øyeblikk vil ha løst miljøproblemene sine, og at det er ingen fare for verken villaks, sjøørret eller lokal fauna. Det er nå tusen ganger mer oppdrettslaks enn villaks langs norskekysten. Lakselusresistens, utslipp av lusemidler, avfall fra anleggene, rømming, manglende rapportering og muligheter for gjenfangst manglende sporing fortsetter å skade villaks, sjøørret, krepsdyr og økosystemer. Dessuten øker problemene med fiskevelferd. Så selv om lus og rømming som prosentandel av oppdrettsnæringen går ned, sørger altså veksten for at presset på kystens naturmiljø forblir uholdbart stort. Storting og regjeringer har om og om igjen varslet, og vedtatt, nullvisjoner, handlingsplaner, tiltak og forskrifter, men de har nektet å ta i bruk den typen tiltak og klare krav og reaksjoner som vi vet virker. Resultatet er så pass dårlig at diverse fiskeriministre burde rødme. Stortinget vet godt hvordan man rydder opp i næringer. Som representanten Fylkesnes nettopp påpekte, gjennomførte Norge fra slutten av 1970-tallet en flott renselsesprosess i norsk industri. Utslipp av alle typer forurensning sank dramatisk, og virkemidlet var klare krav, kontant håndheving og usentimentale reaksjoner. Resultatet var strålende og til glede for absolutt alle. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne å bruke det virkemidlet i oppdrettsnæringen som er det logiske i miljøperspektivet, og som snakker det språket oppdrettsnæringen vil forstå best: Stans veksten til miljøproblemene er løst! Vi er derfor skuffet over at næringskomiteen i så liten grad reflekterer over vårt forslag. Vi er særlig skuffet fordi jeg regner med at flere komitémedlemmer enn SV-representanten Fylkesnes har fått med seg at Marine Harvest fredag 20. mars meldte at de har meldt seg ut av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, bl.a. på grunn av det de kaller FHLs ukritiske vekstfokus. Marine Harvest skriver: Potensialet i næringen er enormt, men bransjen må ta utfordringen den står overfor, på alvor før den store veksten kan komme. Med andre ord: De i næringskomiteen som er bekymret for næringsperspektivet i å stille harde miljøkrav til oppdrettsnæringen, er i utakt med verdens største oppdretter. Vi håper derfor det vil komme en langt grundigere diskusjon om miljøsituasjonen i oppdrettsnæringen når stortingsmeldingen om oppdrett skal behandles. Det er oppmuntrende at den meldingen varsler en mer systematisk miljøstyring av næringen enn vi har sett fra tidligere regjeringer av ymse farge. Men det avgjørende blir fortsatt om det er vilje til å stille tilstrekkelig klare krav til at næringen ser seg tjent med å følge opp. For eksempel blir det foreslått et trafikklyssystem, som er en god idé i seg selv, men som får fint liten effekt hvis det i praksis står på grønt hele tida. Når det foreslås at tiltak ikke skal settes i verk før minst 30 pst. av villakspopulasjonen dør av luseinfeksjon, foreslås et virkemiddel som ikke vil virke. Og hvis avfall og rømming ikke engang skal inkluderes som miljøindikatorer, vil det bety at enda en regjering nøyer seg med å servere oppdrettsnæringen miljøkosmetikk. Jeg oppfordrer komiteen til å teste om disse indikatorene holder mål ved å bruke dem på den kritiske lusesituasjonen som vi hadde sommeren 2014. Hvis stortingsmeldingens foreslåtte system skal ha noen som helst forhåpning om å virke for framtida, burde miljøtilstanden i 2014 medført blodrødt lys langs store deler av kysten og omfattende nedslakting for å redusere lusepresset. Så når fiskeriministeren enda en gang fabler om femdobling av norsk oppdrettsnæring, håper jeg hun og komiteen også låner øre til verdens største og mest profesjonelle oppdretter, Marine Harvest, som altså sier – og jeg gjentar: Bransjen må ta utfordringene den står overfor, på alvor før den store veksten kan komme. Dette handler om å utvikle Norges nest største eksportnæring videre på en miljømessig bærekraftig måte. Ettersom næringskomiteen ikke har innstilt på at våre forslag skal stemmes over, fremmer jeg dem herved som løse forslag. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er sagt mye klokt om næringens betydning og

Vi må akseptere at oppdrettsnæringen til en viss grad påvirker miljøet rundt. Jeg mener at bærekraftig matproduksjon er noe av det mest fornuftige vi kan bruke norskekysten og havet til. Sist fredag la vi fram en ny stortingsmelding – Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Meldingen foreslår å knytte kapasitetsendringer i norsk lakse- og ørrettoppdrett til et modulbasert system med en handlingsregel i et system basert på en handlingsregel, hvor næringen skal få forutsigbarhet, og at en vil vite hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne få vekst, hvor ofte vekst skal vurderes og hva som skjer når miljøeffekten er akseptabel, moderat eller uakseptabel. Et system med fastsatte miljøindikatorer gir sterke incentiver til å drive miljømessig bærekraftig og til å investere i produksjonsteknologi og driftsformer som bidrar til at næringens miljømessige fotavtrykk ikke skal øke proporsjonalt med produksjonen. Havbruksnæringen påvirker miljøet på flere områder, og indikatorene som velges i fremtiden, må reflektere status innenfor et produksjonsområde for den aktuelle miljøpåvirkningen. Det må være en klar sammenheng mellom miljøpåvirkningen og endringer i produksjonskapasitet. Lus er i så måte en god indikator, for det er en klar sammenheng mellom antall laks og lusepresset på villfisken. Så har vi antydet, eller sagt, i meldingen at vi vil starte arbeidet med å se på om det i fremtiden også skal være en indikator på utslipp. Når det gjelder rømming, skal jeg i Bodø i morgen undertegne den avtalen som inkluderer inne i en ordning med et obligatorisk fond, og vi har en ny forskrift som skal sikre at vi får til mer effektiv oppfisking hvis vi har rømt fisk eller når det i elvene våre avdekkes at vi har et innslag av rømt fisk som er uakseptabelt. Det er blitt hevdet etter at vi la fram stortingsmeldingen, at regjeringen vil ofre hver tredje villaks. Selvsagt vil vi ikke det. Skal lyssignalet stå på grønt og næringen få vokse, må det være under 10 pst. dødelighet. Så er vi også klare på at gult lys, mellom 10 og 30 pst., ikke er en ønsket tilstand. Da vil vi også angripe situasjonen for å redusere lusepresset. Mange peker på landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø som løsninger for Jeg tror dette vil være en del av fremtidsløsningene, men ikke de eneste. Som politikere bør vi være åpne for ulike teknologiske løsninger og sørge for at utviklingen styres etter miljøtilstand, sånn som vi foreslår bl.a. i meldingen. Jeg mener vi skal tenke at vi i fremtiden skal ta i bruk nytt areal på land, men også lenger til havs når vi får til teknologiutvikling som gjør at det er mulig å ha mer robuste anlegg som tåler den påvirkningen det vil være å ligge lenger fra kysten. Nå ligger altså stortingsmeldingen til behandling, og vi kommer tilbake til det. Men la meg slå fast: Vi kan ikke gå på akkord med naturens tålegrenser når vi skal la denne viktige næringen få lov å utvikle seg videre. Vi trenger forutsigbarhet, men vi trenger også en større vektlegging av miljømessige bærekraftige rammebetingelser, og da ser ikke jeg noen grunn til at vi skal stanse næringens vekstmuligheter i tre år fremover. Så jeg er veldig enig i den påpekningen som komiteen har gjort, at vi enda mer må satse på forskning og innovasjon, enda mer må satse på forskning og innovasjon, og vi må også kunne ha en større forventning til at næringen selv ser betydningen av å satse mer på dette området. Og det er jo faktisk sånn at jo raskere vi greier å løse noen av de betydelige problemene i næringen i dag, jo raskere vil også næringen gi seg selv mulighet til å kunne vokse videre. Når representanten Hansson sier at statsråden fabler om en femdobling,

det vil nok være en vekst i mengden oppdrett og en miljøpåvirkning selv om en skulle ha vedtatt en stans her i Norge. Når en hører hvordan enkelte representanter i salen her rimelig ukritisk hyller et selskap som har mulighet til å ta veksten i utlandet, så er mitt spørsmål til fiskeriministeren om hun kan si noe om hvordan hun vurderer den totale miljøpåvirkningen dersom en har oppdrettsstans i Norge, men flytter aktiviteten ut av landet. Vil det være bra eller dårlig for miljøet etter hennes vurdering? Jeg tror ikke det uten videre ville være klokt for miljøet, for jeg mener at vi i dag har en oppdrettsnæring som møter veldig strenge krav fra myndighetene. Da det sist var utlyst vekst, under den rød-grønne regjeringen, den såkalte grønne konsesjonsrunden,

Ministeren kom med den påstanden at det skjer så mykje med omsyn til den teknologiske utviklinga. Min påstand er at det skjer altfor lite. Det er berre å sjå på kor lite som faktisk blir brukt på teknologiutvikling – på forsking og utvikling – 1 pst. av omsetninga nemnde eg i innlegget mitt. Det tech-næring. Vi veit jo at ein bruker ikkje meir på FoU enn ein treng. Spørsmålet mitt til ministeren er rett og slett: Korleis skal ministeren fremje meir forsking og utvikling i næringa, og korleis skal staten bidra? Vi har allerede i de to første budsjettene investert 110 mill. kr mer til sammen i marin Så bruker jeg enhver anledning til å utfordre næringen, og det som ligger i den meldingen som nå ligger til behandling i Stortinget, er tidenes incentiv til næringen. Uten at man investerer mer, og uten at man løser de store utfordringene som er knyttet til lus i dag, vil man ikke gi seg selv mulighet til å vokse. Et sterkere incentiv enn det til faktisk å investere mer vet jeg ikke om det er mulig å gi. Men jeg er – i likhet med representanten Knag Fylkesnes – utålmodig og mener at næringen, som tjener veldig gode penger for tida, faktisk burde ha investert enda mer i forskning og innovasjon. Der deler vi utolmod, og eg trur ikkje ein berre – moralsk – kan krevje at dei skal bruke meir på forsking og utvikling. Eg trur at den satsinga berre vil skje dersom det er nødvendig å gjere det,

for eg meiner at det skjer altfor lite. Eg meiner at vi bør både satse vesentleg meir nasjonalt i programmet på dette og stille enda strengare krav. Så mitt neste spørsmål er: Korleis kan dette oppnåast dersom det ikkje blir stilt hardare krav til næringa enn det det gjer i dag? Jeg tror at en blanding av pisk og gulrot – som det har vært sagt fra talerstolen her – er viktig for å få næringen til å mer. Jeg er overbevist om at en næring som har ambisjoner om å vokse videre, vil orientere seg mot hva slags muligheter man får for vekst. Som sagt, et sterkere signal enn det systemet som er presentert i de stortingsmeldingene som ligger i Stortinget nå, vet ikke jeg om. Så har jeg lyst til å si at i langtidsplanen for forskning, som regjeringen la fram i forbindelse med statsbudsjettet i fjor, er det pekt på at havet er et av de store områdene når det gjelder muliggjørende teknologier.

man skal klare å spore fisk, man skal få bukt med luseproblemene, man skal få bukt med resistensproblemene, og man skal få bukt med kjemikaliebruken. Nå står vi altså her i 2015, og man har ikke fått bukt med rømmingen, man har ikke fått bukt med luseproblemene, man har ikke fått bukt med kjemikaliebruken, man har ikke fått bukt med resistensen, og man kan fortsatt ikke spore fisk. Hva er det ved denne statsrådens virkemidler som kommer til å gjøre det motsatte, eller gjøre det som alle andre tidligere fiskeristatsråder har lovet, men ikke fått gjennomført – altså faktisk stanse disse problemene, som det ville vært en selvfølge å kreve av andre næringer at de skulle stanse, hvis de hadde noe tilsvarende? Jeg har lyst til å si at jeg er uenig i den beskrivelsen som Rasmus Hansson gir, at man står på stedet hvil. Næringen har altså vært igjennom en enorm vekst. Hvis en sammenligner andel fisk som rømmer, med andel fisk som står i sjøen i Norge til enhver tid,

jeg er også utålmodig, og næringen burde også være utålmodig på egne vegne, for uten at de investerer mer, kommer de heller ikke til å vokse mer. Statsråden svarer overhodet ikke på det spørsmålet jeg stiller, nemlig: På hvilken måte skal de tiltakene statsråden varsler, stanse de miljøproblemene som faktisk ikke er stanset? Hvordan skal hun hindre at de stormene som helt sikkert kommer i framtida, fører til nye rømminger? Hvordan skal hun sørge for at vi kan spore fisken? Hvordan skal hun stanse resistensproblemene? Hvordan skal hun stanse luseproblemene? Det er disse løftene, som er kommet om og om igjen opp gjennom de siste årene, som ingen har levert på. Spørsmålet er: Hvordan skal statsråden levere på dem?

Men problemet er det miljøtrykket som utøves på en laksebestand, og på et fjordsystem, som ikke vokser prosentvis, men som er utsatt for det samme miljøtrykket som tidligere. Er statsråden villig til å snu på flisa og si at det er miljøtilstanden i økosystemet langs kysten og i villaksstammene som skal være bestemmende for hva oppdrettsnæringen får lov til og ikke, og ikke prosentandeler i en oppdrettsnæring som hele tida får lov til å vokse? Jeg bestred den generaliseringen som jeg mener representanten Rasmus Hansson gjorde seg til talsmann for i sin forrige replikk. Jeg er den første statsråden som legger fram en melding og sier at det er bærekraften som skal bestemme om næringen skal kunne vokse videre. Det grønne lyset er den eneste måten som denne næringen skal kunne få lov til å utvikle seg videre på, hvis Stortinget er enig i det. Det betyr at for å få grønt lys må det være en akseptabel påvirkning på miljøet rundt. Det mener jeg er en god måte å nærme seg dette på i fremtiden. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og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

i henhold til de konvensjonene og avtalene vi har inngått internasjonalt. Skal vi framstå som verdens fremste sjømatnasjon, og skal vi framstå som verdens fremste forvaltere av sjømat, er det viktig at vi følger de avtalene vi har inngått med stater ute, og at vi går foran med et godt eksempel. Norge har siden 1976 vært medlem av CITES-konvensjonen, dvs. at vi har signert internasjonale avtaler som har som hensikt å kontrollere internasjonal handel med truede dyre- og plantearter med det mål å unngå overbeskatning. Komiteens flertall har gått gjennom saken og viser til svaret fra statsråden, som man slutter seg til. Når det gjelder forslagene, vil jeg vise til regjeringens konklusjon. Forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti, som går på etterprøvbarhet, er ivaretatt i dagens system med godkjente importlisenser, er flertallets mening. Forslag et forslag som går enda lenger enn de avtalene som Norge har sluttet seg til i dag, og vil for det første være ganske ressurskrevende og i siste instans antakelig vanskelig å verifisere, all den tid de nasjonene man her snakker om, nok ikke har den informasjonen som en etterspør. Flertallet konkluderer derfor med at CITES gir et godt beskyttelsesnivå, og foreslår derfor at forslaget vedlegges protokollen. Så vil jeg legge til at det er merknader fra mindretallet man går så langt at man mener at vi skal ha egne avtaler og egen framferd i denne saken når det gjelder produkter fra hai. Det vil vi fra Høyre advare mot. Det er faktisk sånn at vi, ut fra egen handel, f.eks. handel med selprodukter, har interesse av å følge de avtalene vi har signert ute,

går flertallet imot de to forslagene fra Kristelig Folkeparti, og foreslår at dokumentforslaget vedlegges protokollen. Norge har, som en av verdens fremste sjømatnasjoner, store ambisjoner når det kommer til bærekraftig fangst, utnyttelse og handel med sjømat. Vi har derfor ratifisert en rekke konvensjoner. I 1976 ratifiserte vi CITES-konvensjonen. Hensikten med denne konvensjonen er å kontrollere internasjonal handel med truede dyre- og plantearter for å unngå overbeskatning. Arbeiderpartiet mener omsetningen av haifinner er en trussel mot flere haibestander. Det er derfor nødvendig med en strengere regulering av importen av haiprodukter for å stanse import av ulovlige

Den mest utbredte praksisen for fangst av haifinneprodukter er «haifinning». De fleste haiene blir fisket med bruk av langline. Det foregår ved at en line på alt fra én kilometer til 100 kilometer, utstyrt med opptil 16 000 kroker, legges ut i havet og tas opp påfølgende morgen. Fangsten er svært variert og til tider meget brutal. Alt fra delfiner, sel, sjøfugl, småfisk og hai blir fanget på krokene.

Det utgjør omtrent 20 pst. av den totale haibestanden. Ved å utradere øverste del av næringskjeden skaper man enorme utfordringer nedover. Man skaper en skjevhet i økosystemet. Verdiene er enorme. Siden 2000 har den totale importverdien på haifinner vært på mellom 2,4 til

Derfor er det behov for strengere regulering av import av produkter fra hai for å stanse importen av ulovlige haiprodukter til det norske markedet. Kristelig Folkeparti mener derfor, sammen med Miljøpartiet De Grønne, at det må innføres krav om at haiprodukter som blir importert, må ha fullstendig artsinformasjon, noe som vil sikre at truede haiarter ikke når det norske markedet. Haiproduktene som blir importert, må også ha fullstendig og etterprøvbar informasjon vedrørende fangstmetode, sted, dato og tidspunkt for fangst. Som saksordføreren var inne på, peker posisjonen på CITES’ liste over utryddingstruede haiarter. utryddingstruede haiarter. Det er verdt å merke seg at det kun er åtte av nesten 100 utryddingstruede haiarter som er inkludert på CITES’ liste. De resterende haiartene mangler i stor grad vern mot overbeskatning, og Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne mener dermed at CITES ikke gir et godt nok beskyttelsesnivå. Det skjer også at haier, både truede og ikke-truede, blir fisket i områder som egentlig er verneområder, der haien ikke skal tas. Dette kan bl.a. forekomme i de tilfeller der haien er bifangst i forbindelse med annen fiskerivirksomhet, som f.eks. fiske av tunfisk med fangstmetoder som ikke er tillatt. Det er også noen områder som er vernet i gitte perioder av året. Derfor mener vi det er behov for at både tidspunkt og sted samt fangstmetode framkommer tydelig i forbindelse med import. Ved å stille krav i tråd med dette forslaget

Jeg opplever at representanten Hjemdal på en god måte gjorde rede for situasjonen i saken. For Senterpartiet koker dette ned til om vi er tilfreds med dagens situasjon, eller ser en behov for strengere regulering av import og behov for å stanse ulovlig import av haiprodukter. Det er et spørsmål som Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet

en av de viktigste. Senterpartiet har sans for forslagene fra Kristelig Folkeparti, men vi ser også de innvendingene som statsråden kommer med. Derfor har vi sammen med Arbeiderpartiet lagt fram et forslag der en ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak. Det skal ikke være hvilke som helst tiltak. Det skal være tiltak for å sikre strengere regulering av import av produkter fra for å stanse import av ulovlige haiprodukter til Norge. Bestillingen som ligger i forslaget, er klar, og jeg håper det er mulig å få flertall for det i salen i dag. Takk til sakens ordfører for gjennomgangen av saken. Norge er,

må jeg si meg enig med fiskeriministeren i at det må være proporsjonalitet mellom tiltakets omfang og det mål tiltaket søker å oppnå. Med hensyn til forslagsstillernes andre forslag: Jeg deler også fiskeriministerens oppfatning – og vurdering – av at dette vil være svært vanskelig å gjennomføre i praksis, f.eks. å spore fangstinformasjon direkte til den enkelte fisker et sted i Asia eller Stillehavet. I Venstre er vi opptatt av politiske løsninger som ikke øker byråkratiet. Blant annet med denne begrunnelsen ønsker Venstre ikke å støtte forslaget. Denne saken handler om at ulovlig framskaffede produkter av hai ikke importeres til Norge, og jeg har forholdt meg til nettopp det i komiteens behandling av Venstre har tillit til at ministeren med eksisterende regelverk vil forhindre ulovlig import av hai til Norge. Samtidig har Venstre funnet at forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for å sikre strengere reguleringer, vil styrke saken. Venstre støtter derfor forslag
fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for å sikre strengere regulering av import av produkter fra hai for å stanse import av ulovlige haiprodukter til Norge.» Representanten Blattmann har tatt opp det forslaget han refererte. Fangst av haifinneprodukter er

Haien er ein av dei mest trua skapningane vi har i havet, og ifølgje rødliste-organisasjonane er så mykje som en fjerdedel av dei 450–500 haiartane trua direkte av utrydding. Konvensjonen for handel med trua artar, CITES, har f.eks. berre åtte av trua artane på lista si, og Noreg har ingen restriksjonar på å importere haiprodukt til Noreg. Da må eg minne dei som framleis er i tvil i denne saka, om to viktige fiskeripolitiske tradisjonar som Noreg står i. For det første har etter kvart norsk forvaltning av fiskeressursane blitt Det har nettopp vore fordi vi har hatt ein knallhard kamp mot ulovleg, uregulert og urapportert fiske. Det er ein stolt tradisjon, ein tradisjon som også forpliktar oss i alle andre saker. Den andre tradisjonen er at vi i Noreg har brukt å tenkje sjølve. Det betyr at når internasjonale organisasjonar ikkje fungerer, eller når dei har inntatt standpunkt som står i strid kunnskap, våre forskarar, våre fiskarar og vår fiskeripolitikk, har vi hatt mot nok til å hevde vårt eige standpunkt. Å innføre eigne nasjonale regelverk der vi ser at internasjonal forvaltning ikkje er tilstrekkeleg, har vi gjort før, og det går fint an å gjere utan at det blir for komplisert. Så la oss enkelt og greitt seie nei takk til desse produkta og stemme for iallfall eitt av dei framlagte forslaga. Det kan bety ein forskjell. Haiane er nokre av dei eldste artane vi har her i verda. Dei eldste fossila strekkjer seg 450 millionar år tilbake. Dei har overlevd meteorar, istider og vulkanutbrot. Spørsmålet er om dei overlever mennesket. Akkurat her kan vi bidra positivt. SV kjem derfor primært til vulkanutbrot. Spørsmålet er om dei overlever mennesket. Akkurat her kan vi bidra positivt. SV kjem derfor primært til å støtte Kristeleg Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne sine forslag og sekunderært Arbeidarpartiet og Senterpartiet sitt forslag i denne saka. Verdens bestander av dyrearter er

med å utrydde svært mange arter. Det er framfor alt de store dyrene som er i faresonen – store pattedyr, store fugler, store krepsdyr, store skjell og store fisker. Disse artene utgjør som kjent til sammen de økosystemene som vi er avhengig av, og de store artene har nøkkelroller i sine økosystemer. Dessuten er de store dyrene en nokså viktig del av vårt bilde av natur. De er viktige fordi vi synes det er vakkert, spennende og verdifullt i naturen. En natur uten store dyr er på mange måter en fattig natur. Man kan jo tenke seg et hav uten haier, det er et fattig og uspennende hav. Alle representantene her er selvfølgelig enig i at vi må stanse denne artsutryddelsen, og de fleste vil nokså sikkert være enige om at vi også må ta nye skritt for å gjøre det i praksis.

men situasjonen er at Norge i dette tilfellet aktivt kan velge å gå lenger enn internasjonalt regelverk og vanlige metoder gjør, og dermed sette en ny standard som trekker den globale utviklingen med seg. Hvis man kan gjøre det, er det verdt å ta med seg litt træl for å få det til. CITES-konvensjonen, som mange har referert til, skal kontrollere internasjonal handel med truede dyre- og plantearter. Den skal kontrollere akkurat det som haifinneproduktene dreier seg om, som er en stor trussel mot disse ekstremt gamle og ekstremt spesialiserte artene, som definitivt går utryddelse i møte hvis ikke handelen kommer under kontroll. Som komiteen viser til, og som mange har påpekt, har altså CITES bare åtte åtte av de nesten hundre utrydningstruede haiartene på sin liste. Det skyldes formalistisk og politisk motstand fra land, inklusiv Norge, som prioriterer ymse prinsipielle og mer eller mindre reelle økonomiske interesser høyere enn å stanse utryddelsen av hai. Derfor er Miljøpartiet De Grønne veldig glad hvis vi ikke har misforstått noe – at vi nå i hvert fall kan få flertall for ett av forslagene, om å be regjeringen gå videre på dette. Vi er glad for at det i hvert fall anerkjennes at det er et problem når, som en del komitémedlemmer slår fast med referanse til fiskeriministeren, det å liste åtte av hundre arter utgjør et såkalt godt beskyttelsesnivå. Det er ikke denne typen faktastridige standpunkter som kommer til å bringe arbeidet for å redde truede dyrearter framover. Vi står altså overfor et eskalerende utryddelsesproblem, hvor vi må gjøre noe nytt for å løse det. Haifinnemarkedet eksisterer fordi det er lukrativt, og fordi det er elendig kontrollert, og det å gjøre det bedre kontrollert og mindre lukrativt er akkurat det som vil virke. Derfor er det veldig nødvendig at også Norge er villig til å prøve noe nytt. Miljøpartiet De Grønne kommer selvfølgelig derfor til å stemme for våre egne forslag og også for det forslaget som er fremmet av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som jeg forstår at Venstre vil støtte, og som jeg håper at flere partier vil støtte.
Da er det

Denne importen stammer i all hovedsak fra Danmark, Spania og New Zealand, som alle har ratifisert CITES-konvensjonen, og som anses å ha gode forvaltningsregimer. Ifølge FAO har fangsten av hai i det siste tiåret gått ned og er i dag på om lag 760 000 tonn. Hovedtyngden av haifisket foregår i tropiske farvann, Det indiske hav og i Stillehavet. De samlede fangstene av fisk har ligget på om lag 90 millioner tonn årlig de seneste årene. Komiteens mindretall gir inntrykk av at Norge ikke synes å være opptatt av haiforvaltning eller ikke tar på alvor tapet av biologisk mangfold. Av FNs generalforsamlings fiskeriresolusjon fremgår det at Norge og svært mange andre land også er opptatt av forvaltning og beskatning av hai og særlig spørsmål knyttet til Resolusjonen peker på en rekke tiltak som bør treffes av landene som fanger hai og ved omsetning av slike produkter – en omsetning som primært finner sted i enkelte asiatiske land. Den internasjonale handlingsplanen for haiforvaltning ble vedtatt i 1999, og FAO rapporterer både om fremskritt og utfordringer når det gjelder forsvarlig regulering av hai. Det er som kjent de regionale fiskeriorganisasjonene eller de berørte kyst- og flaggstatene som har ansvaret for å forvalte ressursene på en bærekraftig måte Jeg vil også understreke at når det gjelder forvaltning av haibestandene i våre farvann, treffer vi forsvarlige forvaltningstiltak og regulerer fisket basert på den faktiske biologiske tilstanden de enkelte haibestandene befinner seg i. I mitt skriftlige svar har jeg redegjort for hvorfor jeg mener innstillingens forslag 2 ikke er gjennomførbart fordi de etterspurte opplysningene i mange Det vil også stille svært store ressursmessige krav til Tollvesenet, som vil være den etaten som vil få i oppgave å etterprøve og verifisere en sånn dokumentasjon. Jeg kan ikke se at næringskomiteens mindretall i sin begrunnelse for forslaget har vurdert hvordan etterprøvbarhet skal kunne skje når nødvendig informasjon ikke vil la seg innhente.

Jeg vil understreke at de virkemidlene vi bruker i bekjempelse av overbeskatning og ulovlig fiske, må bygge på de samme prinsippene, samtidig som det må være samsvar mellom problemets art og de virkemidlene vi velger for å nå dette målet. Norge har vært ledende i arbeidet for å bekjempe overbeskatning og ulovlig fiske. I dette arbeidet har vi lagt avgjørende vekt på internasjonale løsninger og virkemidler for hvordan vi skal komme fram til gode løsninger. Det samme kravet må også gjelde med hensyn til

Her sitter Norge i førersetet, og her er fiskerimyndigheter, skattemyndigheter og tollmyndigheter involvert nettopp for å kunne bekjempe, avdekke og sørge for at det blir sanksjonert når det foregår ulovlig fiskeriaktivitet. Men jeg er opptatt av at de tiltakene og de ressursene vi skal sette inn, må stå i forhold til de resultatene det er mulig å oppnå.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalere og seks replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletiden, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt.

og mange ulike lag og organisasjonar ein formidabel innsats. Tilgjengeleg statistikk viser at me har nær dobla talet på fritidsbåtar sidan 1980. Samtidig er talet på omkomne i fritidsbåtulukker meir enn halvert – dette utan påbod om bruk av redningsvest. Undersøkingar viser no at 80 pst. brukar redningsvest. Det vitnar om at kunnskap og haldningsskapande arbeid verkar. Me er på rett veg. sett burde det vera unødvendig å innføra eit generelt vestpåbod og gjera det straffbart ikkje å bruka vest ein fin sommarsdag, når ein vil liggja på dekk og sola seg. Det er likevel slik at fleirtalet i komiteen ønskjer eit generelt vestpåbod. Komiteen er såleis delt i synet på behovet for eit generelt eller om proposisjonen om vestpåbod for barn, som regjeringa har lagt fram etter vedtak her i Stortinget i juni 2014, er tilstrekkeleg. Argumentasjonen for å stemma for forslaget frå SV om å innføra vestpåbod for barn er den same i dag som då forslaget fekk fleirtal her i Stortinget i juni i fjor. Erfaringa viser at ikkje alle brukar vest. Då er det viktig at me sikrar dei yngste, slik at dei ikkje blir eit offer for dei vaksne sin manglande kunnskap om sjøsikkerheit. Både proposisjonen, slik han ligg, og fleirtalet i komiteen sitt endringsforslag om eit generelt vestpåbod vil ha hol og manglar. Forslaget frå fleirtalet i komiteen inneber at det i fritidsbåtar med ei lengd på over åtte meter ikkje skal vera vestpåbod. Ein kan jo undra seg over kvifor ein må bruka vest

Det er eit stort paradoks når ein veit at det er menn mellom 30 og 50 år utan vest som oftast druknar. Heller ikkje når ein beveger seg mellom båtar og entrar fortøyde eller ankra fartøy, skal loven gjelda. Han skal heller ikkje ramma dei som er i båtar som har ei lengd på over åtte meter, og som kanskje køyrer båt i stor fart om natta, med dårlig sikt. Dette vitnar om at det aller viktigaste for å få ned talet på ulukker og drukningstilfelle, er det haldningsskapande arbeidet. Høgre meiner såleis at eit regelverk må vera haldningsskapande og ikkje kriminaliserande, slik fleirtalet vil. Det er ein samla komité samt ei rekkje aktørar som meiner at det aller viktigaste for å få ned ulukkesstatistikken og betra sikkerheita til sjøs, er det haldningsskapande arbeidet. Sånn sett er det kjekt at heile komiteen støttar opp under regjeringa sitt haldningsskapande arbeid. Så oppfattar eg det slik at forslaget frå fleirtalet i komiteen

Ja. Representanten Trellevik har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg har et enkelt og kort spørsmål til representanten Trellevik: Mener representanten at det forslaget som ligger, og som var bestillingen fra flertallet i fjor, treffer der man er nødt til å ta grep for å unngå de ulykkene vi dessverre ser?

8-forslaget. Det var ein god måte å koma vidare på, tenkjer eg, utan å måtta vedta eit generelt lovpåbod, for det å ha redningsvest på barn er eit haldningsskapande tiltak som me meiner kan bidra til å skapa betre haldningar blant både vaksne og barn, i og med at me då varetek sikkerheita til barnet på ein annan måte, ved at ein skal sjå etter barna, og ein er då ikkje underlagt foreldra sin dårlege kompetanse på

redningsvest. I så måte er vel ikke dette veldig generelt – det er innrettet mot barn. Så igjen: Hvordan opplever man da at man treffer med dette forslaget? Som sagt er det det haldningsskapande arbeidet som er best, og det forslaget som dei har fremja i komiteen, er heller ikkje noko særleg treffsikkert. Det har potensial til å treffa ein tredjedel av dei som druknar. Det er er over 100 som druknar kvart einaste år, og det forslaget som dei no har fremja, har eit potensial til å nå noko over 30 stk. Difor meiner me likevel at det er usedvanleg viktig å ha fokus på det haldningsskapande arbeidet. Sjølv om me i kveld vedtek at me skal ha eit påbod om redningsvest for alle, vil det likevel ramma så få at me er heilt nøydde til å ha eit sterkt fokus på førebyggjande arbeid. Og Høgre og regjeringa kjem til å jobba vidare med den delen av sjøsikkerheita, i tillegg til sjølvsagt å imøtekoma vedtaket om påbod som vert gjort her i Stortinget i dag.

Hva slags holdninger er det man skaper når man vedtar en lov som sier at kun unger må bruke vest? En kan ha en situasjon hvor det er en fin dag på sjøen, og foreldrene tenker at det er greit å kaste vesten, men sier til ungene at vest må de ha på – for de ønsker jo å være lovlydige, Ser ikke representanten Trellevik for seg at den holdningen en kan skape med et forslag kun for barn, er at vest er noe som først og fremst er viktig for barn? Jo, viss ein tolkar og les ting i verste meining, kan ein nok heilt sikkert få den same oppfatninga som representanten har – viss ikkje ein set seg inn i kva konsekvensane av eit slikt forslag eigentleg vil vera. Heile poenget er at ein skal vareta sikkerheita for barn og deira rett til og krav på å kunna opphalda seg i båt, sjølv om kompetansen på sjøsikkerheit hos foreldra eller dei vaksne ikkje er god nok. Og med eit vestpåbod for barn ville barn fått vareteke interessene sine på ein svært god måte, og eg tenkjer at det òg er med på å skapa gode haldningar, både hos vaksne og hos barn, med eit generelt vestpåbod for barn under 16 år.

I 2013 var det 34 som døde i fritidsbåtulykker og kano, og 27 av dem hadde ikke vest. Det viser at det er en høy andel av dem som drukner, som har latt vesten ligge igjen i båten. Hva sier disse tallene oss om hva vårt ansvar som politikere er, med hensyn til den enkeltes ansvar? Det er klart at hver enkelt har et ansvar for å ha på seg vesten, men hva er vårt ansvar? Da jeg så på disse tallene i fjor, ble det ganske klart for meg at vi må følge opp de faglige rådene vi i 2012 fikk fra et bredt sammensatt faglig utvalg, ledet av sjøfartsdirektøren. I rapporten deres ble det presisert at det enkelttiltaket som ville gi størst effekt på dødstallene for ulykker med fritidsbåt, var et påbud om plikt til å bruke flytemidler i båt som er i fart. Det var selvfølgelig flere ting som ble tatt opp, som å redusere promillegrensen, reduksjon av fart, egen opplæring til de raskeste båtene, holdningsskapende kampanjer osv. Men vi valgte å lytte til det klareste rådet, det om å ta i bruk flytemidler. Vi så også fort at vi har støtte i befolkningen, for Redningsselskapet, sammen med Ipsos MMI, gjennomførte sommeren 2013 en undersøkelse hvor de spurte 4 000 nordmenn om de syntes det var riktig eller galt med et vestpåbud i åpen båt i fart. Hele 71 pst. av mennene mente at det var riktig, og 94 pst. av kvinnene ønsket dette. Kvinner er også tydelige på at det er viktig for deres trivsel på sjøen, og at de føler seg tryggere når alle

innført og for å få et flertall. Derfor er jeg veldig glad for at Miljøpartiet De Grønne i dag signaliserer at de stiller seg bak dette forslaget. Og for å være helt ærlig tror jeg at det vil bli tatt positivt imot også i Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg tror ikke de kommer til å ligge våkne i natt på grunn av dette, jeg tror faktisk at alle er så opptatt av å få sjøsikkerheten best mulig at jeg kan følges godt opp av departementet. Vårt forslag er altså dette med påbudet, men også at de som skal ha ansvaret for å ha denne vesten, er enkeltpersonene. Og for dem som er under 15 år, mener vi at det påhviler båtfører ansvaret for å få dem til å ta på seg vesten. Det blir replikkordskifte.

og forslaget som no har vorte fremja, og som vert vedteke her i dag, har eit potensial til å omfatta ca. ein tredjedel av drukningstilfella. Då er mitt spørsmål: Kva andre forbod og påbod ser Arbeidarpartiet for seg skal innførast for at også dei resterande to tredjedelane skal verta omfatta av eit påbod eller forbod som reddar liv? Det denne saken omhandler, er jo fritidsbåter, og den innretningen som er foreslått fra ekspertutvalget, er rett og slett at påbudet skal gjelde for båter under åtte meter, utendørs og i er rett og slett at påbudet skal gjelde for båter under åtte meter, utendørs og i fart. Den innretningen er noe vi har valgt å forholde oss til, fordi vi mener at det er gode råd, og ikke minst at det er et stort antall som drukner grunnet det. I Fremskrittspartiet er vi selvfølgelig opptatt av sikkerhet til

båten med høy fart, og vi lurer på hva som menes om det, hvorfor disse åtte meterne. Selv om ekspertene har sagt det, finner vi den grensen litt kunstig. For fart dreper, både til lands og til vanns, og veldig ofte er det de raske båtene

Da er det

Det er ofte sånn at lovane ikkje fungerer sånn som det var meint, og ofte har dei utilsikta konsekvensar. Så om representanten kan seie meg: Den statistisk lille gruppa, menn over 50 år, som dominerer ulykkesstatistikken, kor dei viktigaste årsakene er alkohol, køyring om natta og fart, kven kan seie med sikkerheit at desse automatisk kjem til å bruke redningsvest etter at Stortinget har vedtatt ein lov om det?

Line Henriette Hjemdal

forhold. Nå ser det ut som det forslaget som Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet har fremmet i dag, får støtte. Det er litt interessant at man kommer med det forslaget, som tar for seg folks sikkerhet når det gjelder friluftsliv. I Norge har vi en god tradisjon for at vi har et rikt friluftsliv, og vi har også et litt krevende friluftsliv, som gir mange utfordringer. Det man har sett de siste årene, er jo bl.a. at det er veldig mange som har omkommet i de siste årene, er jo bl.a. at det er veldig mange som har omkommet i snøskredulykker. Det er rett og slett fordi atferden har endret seg – man går mer på toppene. Det som er interessant å registrere i så måte, er at for å forebygge det, er det bare holdningsskapende arbeid og bruk av media. Det siste var en reportasje i går der kronprinsen var på Ringvassøy utenfor Tromsø, og man fokuserte på det å forebygge farer i fjellet. Det tror jeg også hadde vært en god inngang til denne saken, for det er gjennom forebygging man kan få størst og riktigst effekt. I innstillingen er det pekt på mange interessante punkt, og en samlet komité skriver bl.a.: «En ulykke inntreffer ofte som følge av kombinasjon av høy hastighet, høy promille, kjøring i mørke og manglende bruk av flyteutstyr.» Hvis man har høy hastighet, høy promille, kjøring i mørke og manglende flyteutstyr, så tror jeg faktisk ikke at et lovpåbud kommer til å sørge for at disse har vest på seg. Har man allerede skjebnen på de punktene jeg har nevnt, med både mørke, fart og promille, tror jeg ikke akkurat at et vedtak om flyteutstyr er det som er lengst framme i pannebrasken. Det jeg tror kommer til å være viktig, er å treffe helt andre tiltak i form av det som er forebyggende. Det er jo et at de aller, aller fleste bruker flyteutstyr, og så er det noen som ikke gjør det. Om det blir flere som kommer til å bruke flyteutstyr fordi man har fått en lov i så måte, er jeg svært usikker på.

påbudet. Med andre ord: Man løser ikke hele problemet. Hele problemet kan man løse ved å gjøre mye mer i form av holdningsskapende arbeid, dersom man ønsker det. Det jeg frykter med et sånt påbud, er at hele

Og det er kanskje det viktigste. Det blir replikkordskifte. Det
interessant å høre hvordan man resonnerer her. Representanten Korsberg sier at det er viktig at man tar grep med hensyn til fart og promille og, for så vidt, redningsvestpåbud – at det er ulike områder man kan ta tak i – men løsningen er altså veldig Det har man drevet med i veldig mange år. Da lurer jeg på hvordan regjeringen har tenkt å hindre ulykker i år gjennom holdningsskapende arbeid. Hvilke kampanjer har regjeringen tenkt å sette i gang? Hva er pengebruken knyttet til dette? Hva er den store satsingen som vi andre eventuelt ikke har fått med oss? For dette er ikke noe nytt.

Det spørsmålet vil jeg anbefale at representanten stiller statsråden, som jeg tror bedre kan svare for hva regjeringen vil gjøre i så måte. Men at holdningsskapende arbeid er viktig, tror jeg alle er klar over. Som foreldre går man jo foran bør man i alle fall gjøre – med et godt eksempel når det gjelder sikkerhet. Det gjelder sikkerhet til sjøs, og det gjelder sikkerhet generelt – at man er en rollefigur og går foran med et godt eksempel. Jeg har vært på sjøen i ganske mange år, i fritidsbåt, og jeg har registrert at det er flere og flere som bruker redningsvest. Så det er mange som bidrar med gode kampanjer i så Det er veldig bra at flere bruker redningsvest, og det er veldig bra hvis vi klarer å få ned ulykkesstatistikken. Det tror jeg alle sammen i denne salen er enig i. Men jeg er veldig opptatt av å høre hvilke enkelttiltak representanten fra Fremskrittspartiet mener er viktigst. Er det kun holdningsskapende kampanjer man skal ha, eller har man forslag til andre

det innebærer. Dette gjør man også innenfor fiskerinæringen, bl.a., med kurs og sikkerhetsopplæring av fiskere. Det går ikke på et påbud om at de skal ha flyteplagg, eller den type ting, men det går rett og slett på generelle tiltak for å tenke sikkerhet 24 timer i døgnet. Da jeg kom på jobb i morges, hadde sikkerhetsseksjonen på Stortinget utdeling av materiell, hvor man ba oss tenke gjennom sikkerhetssituasjonen. Det er også et eksempel på at det går an å gjøre mye forebyggende med generelle

Så en kan jo spørre seg om representanten Korsberg mener at det forslaget som er lagt fram, er det beste, eller om det hadde vært mer ønskelig å videreføre dagens ordning, der det ikke er noe påbud om å ha på seg vest, og at det er opp til foreldrene å ta ansvar for dette. Men jeg antar at så lenge representanten Korsberg ikke sitter i regjering, og en har en fri vilje når en skriver sin innstilling, mener en

så måte. Så sier jeg jo dette med holdningsskapende arbeid. Lærer man barn gode rutiner for å tenke sikkerhet, er de den kommende generasjonen, som da skal lære sine barn det samme. Fra jeg begynte å ferdes på havet, til i dag, er det atskillig flere som bruker

Den typiske dødsulykken på sjøen skjer med menn over 40 år som er alene i båten. Departementet mener at et generelt påbud om bruk av flyteutstyr er lite treffsikkert for å få ned antallet drukninger i ulykkesstatistikken. Når en vet at den typiske dødsulykken skjer med menn over 40 år som er alene i båten, mener jeg regjeringen er lite treffsikker når de foreslår påbud for barn. Riktignok kan 40 år gamle menn være unge til sinns, men de føler seg neppe truffet av et påbud for barn under 16 år. Jeg mener derfor at et generelt påbud, som Kristelig Folkeparti er med på å fremme i dag, er mer treffsikkert for å motvirke dødsulykker enn det som departementet har foreslått. Det er allerede en enorm vilje i befolkningen til å innføre et generelt påbud om redningsvest. Som det er sagt tidligere i debatten, viser Redningsselskapets undersøkelse, der 4 000 nordmenn er blitt spurt om de synes det er riktig eller galt at det blir innført et påbud om å ha på redningsvest i åpen båt i fart, at 71 pst. av mennene mener det er riktig, og at så mange som pst. av oss kvinner mener det er riktig. Departementet hevder også at et generelt påbud om redningsvest vil kreve en enorm styrking av kontrollen til sjøs. Regjeringen hevder altså at respekten for lovverket forsvinner om man ikke samtidig styrker kontrollen. Det kan for så vidt være riktig. Men det er vanskelig for meg å forstå at et påbud for alle kan være vanskeligere å kontrollere enn et påbud kun for barn under 16 år. Selv mener jeg det er mye lettere å se om en person har på seg redningsvest eller ikke, enn om personen er over eller under 16 år. Kontrollbehovet blir altså større med regjeringens forslag, og det gjør at jeg nok en gang mener argumentene er best for et generelt påbud. Dessuten synes jeg at vi skal lytte til fagetatene og de største organisasjonene og forbundene innen dette området: Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Riksadvokaten, nødetatene og Kongelig Norsk Båtforbund. De er alle enige om at det bør være et generelt påbud om redningsvest. Det kan være greit å ha i bakhodet. I tillegg har Kristelig Folkeparti også i denne saken fremmet et forslag om å senke promillegrensen til sjøs. Dette er også i tråd med det ønsket som et klart flertall i arbeidsgruppen kom med i sin rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, fra 2012. arbeidsgruppen kom med i sin rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, fra 2012. Arbeidsgruppens rapport viste at 86 av de omkomne de siste ti årene har vært alkoholpåvirket. Det utgjør 26 pst. av de omkomne. Jeg er overbevist om at en skjerping av promillegrensen til sjøs for fritidsbåter vil ha samme effekt som den hadde for bil, der skjerpelsen gjorde at det ble skapt en klarere markering av at bilkjøring Så har vi også undersøkelsene fra Folkehelseinstituttet, som viser at man blir mer kritikkløs og risikovillig allerede ved en promille på mellom 0,5 og 1,0. Jeg mener vi i størst mulig grad bør begrense kritikkløs og risikovillig atferd ved føring av båt, og det mener jeg også er et sterkt argument for å skjerpe promillegrensen. Jeg tar dermed opp Kristelig Folkepartis forslag. Så varsler jeg også, fra Kristelig Folkepartis side, at Kristelig Folkeparti vil stemme for SVs forslag nr. 3. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg skal ikke snakke for eller imot redningsvest, men jeg skal snakke litt mer rundt begrepet «i fart». Jeg lurer veldig på om Kristelig Folkeparti ser at begrepet «i fart» er litt upresist, og på hvordan Kristelig Folkeparti ser for seg at det skal kunne håndheves. Hadde det ikke vært bedre å knytte det opp mot dagens regler om at det er maks 5 knop hvis det er 100 meter fra land, så hadde det i hvert fall vært litt enklere å forholde seg til? Takk for replikken. Når det gjelder fart, er det slik at det enkleste er jo å se om en båt beveger seg eller ikke, om den er i fart eller ikke i fart. fart. Dermed har vi da også forholdt oss til de tilrådinger som ekspertgruppen ga oss. Jeg sitter de dagene jeg ikke er i stortingssalen og ser utover utløpet av Glomma. Der er det en fartsbegrensning. Jeg kan se hvilke båter som overholder fartsbegrensningen, og hvilke båter som ikke gjør det. Det er lett å se farten, det. Det er lett å se farten, og det er lett å se når man ikke har fart, men bare lar seg føre med Glommas fart nedover og har slått av motoren, så det er en annen måte. Men fart er fart. Jeg vil si at svaret til representanten fra Kristelig Folkeparti beviser nettopp problemstillingen. Det er lett å se om

et viktig tiltak for å redde liv. For Kristelig Folkeparti handler denne saken om å redde liv, og som statistikken viser, kunne en tredjedel av dem som har omkommet, ha vært reddet hvis de hadde hatt på seg redningsvest.

nevnt, som det fremgår av forslaget, hva som skal være de ulike elementene. Men kan representanten Line Henriette Hjemdal gi meg en forståelse av hvordan dette lovverket skal håndteres av dem som skal kontrollere

barn og unge under 16 år, som regjeringen har fremmet, og som jeg regner med at representanten Korsberg fra Fremskrittspartiet vil stemme for i denne sal senere i dag. Replikkordskiftet er

og vært veldig opptatt av at dette påbudet trengs. Redningsvest redder liv. Et påbud vil føre til at flere benytter redningsvest, og når en nå kommer til å gå inn for at dette trer i kraft allerede fra 1. mai, vil vedtaket vi gjør i dag, sannsynligvis redde liv alt i sommer.

litt uklart for meg. Samtidig opplever jeg at det er en finurlig kreativitet i å finne problem med et sånt påbud. For det første har jeg tiltro til at politiet evner å gjøre disse skjønnsmessige vurderingene, og at en ikke nødvendigvis går etter grensetilfeller. Det kommer til å være nok klare brudd å slå ned på.

vil gjelde uavhengig av om det er unge under 16 år, eller om det er et generelt påbud som innføres. Det er et moment i denne saken som ikke har vært framme i debatten, og som jeg ønsker å løfte, og det er at i de situasjonene det skjer en ulykke – litt uavhengig av hvilket utfall den ulykken får, om det ender i tragedie, eller om det ender lykkelig – er

Derfor er det underlig å høre den debatten som foregår her. Når det gjelder forslaget fra Kristelig Folkeparti om promille, vil vi ikke stemme for det i dag, og vi vil heller ikke støtte forslaget fra SV. Jeg tenker at det er viktig å starte med de tiltakene som vi har fått klarest melding om vil ha effekt. Ytterligere utredninger kan sikkert ha noe for seg, men nå handler dette faktisk om at vi skal gjøre et vedtak som virker, og at det skal bli gjeldende allerede fra årets båtsesong. Til slutt vil jeg vise til representanten Fylkesnes fra SV. Jeg opplever at SV har stilt seg i et litt underlig selskap i denne saken. Det blir sagt til NTB i dag at å forby alt man er imot, og påby alt man er for, for, er ikke noe SV går inn for. Jeg gleder meg til å se partiet SV gjennomføre den linjen konsekvent i alle saker. Jeg synes at SV i denne saken har tatt et uansvarlig standpunkt, og jeg håper at man revurderer dette, fordi det er dette tiltaket som på kort sikt har best effekt. Det blir replikkordskifte.

Det sa man i Redningsselskapet, og det sa man i Norges Seilforbund, som man får tro også har litt fartstid. Det er altså det holdningsskapende arbeidet man har gjort over år, som gjør at antallet drukningsulykker har gått ned, fra et betydelig antall og til det lavere antallet som er nå. Man satser altså på at folk kan tenke selv. Når jeg går inn og ser på Senterpartiets verdigrunnlag, ser jeg at Senterpartiet

når en ferdes i naturen – og ellers i livet også. Men vi har mange eksempler på situasjoner der vi ønsker å bruke forbud/påbud. Det blir en konkret vurdering hver enkelt gang. Det er viktig å minne om at her handler det faktisk bare om hvordan et påbud skal innrettes – om det skal gjelde kun for unger, om det skal gjelde kun for den gruppen som faktisk bruker vest, eller om det også skal gjelde for dem som ikke er så flinke til å bruke vest. Det finnes allerede et påbud, nemlig påbudet om at en skal ha med seg vest om bord i båten. Det vi gjør nå, er at vi gjør et påbud som ikke alltid virker, til et påbud som vil ha langt større effekt, nemlig at vesten skal være på. Det betrakter vi som et lite, men effektivt inngrep. Det er

mens det ikke gjelder for de båtene som er på over åtte meter. Spørsmålet mitt til representanten fra Senterpartiet er da om risikoen for å drukne er mindre om man faller over bord fra en større båt. Dette har ikke noe med verken fattigdomskamp eller favorisering av de rike å gjøre. Vi har gjort den vurderingen at

det vil en selvsagt ikke. Det vil være forskjellige årsaker til det. Men det er jo underlig at partiet som snakker veldig mye om holdninger, greier å framstille det som at når det ikke er et lovpåbud, vil folk hive av seg vesten og nyte den såkalte friheten. Det har jeg ingen tro på. Jeg tror at loven skal virke sammen med det holdningsskapende arbeidet. Da vil folk i stor grad bruke vest når det ikke er påbudt, men når det er påbudt, vil en i enda større grad bruke

Sånn er det ikkje, og det synest eg er spesielt at senterpartirepresentanten ikkje ser. Det er ikkje SVs forslag vi behandlar i dag. SVs opphavlege forslag var at i opne båtar – uavhengig av lengdemeter – der det er barn til stades, skal også alle dei andre som er i båten, bruke vest. Så mitt spørsmål til representanten er: Kvar kjem åtte meter frå? Dette var jo berre ein illustrasjon frå

Så har vi naturligvis måttet gjøre avgrensninger, ut fra praktiske konsekvenser, når vi skulle fastsette rammene for et lovpåbud. Jeg antar at også SV er enig i at det å påby bruk av redningsvest i alle båter, uavhengig av størrelse, ville fått noen praktiske konsekvenser og hatt marginal effekt, så ett sted måtte grensen gå, på samme måten som vi har tatt stilling til at det skal gjelde i fart. Det kan oppstå farlige situasjoner også når båten ligger stille, men en har valgt å gå inn der som risikoen for hendelser er størst. Dette er et forslag som ble godt mottatt av bl.a. Redningsselskapet. Det kan tyde på at det er et godt forslag. Dessuten snudde Senterpartiet i tiggersaken. Replikkordskiftet er

Det er saken. Derfor er jeg glad for at det ser ut til å bli flertall her i salen i dag for et generelt påbud om å ha på seg flytevest/flyteutstyr i båten når båten er i fart – at det ikke bare skal gjelde barn. Flertallet i komiteen viser til at målet med et påbud er å få dem som i dag ikke bruker flyteutstyr, til å gjøre det. Venstre er en del av dette flertallet, og selv om vi strengt tatt mener at det er den enkeltes ansvar å sørge for egen sikkerhet, ser vi her et behov for et påbud. Godt voksne, og særlig menn, er de som er dårligst til å bruke flyteutstyr, og de som er overrepresentert i drukningsstatistikken. Det har vi hørt i dag, og det er bare å gjenta. Under komitéhøringen som ble avholdt om saken, ble det tydeliggjort – for meg i hvert fall – at flere liv kunne vært spart om flyteutstyr var blitt brukt. Jeg legger stor vekt på konkrete råd og oppfordringer fra Redningsselskapet og andre organisasjoner og instanser i denne saken. Så til departementets svar. Slik jeg leser det, er det etter departementets syn slik at alle som er om bord i båt, bør bruke flyteutstyr, mens et påbud om å ha på seg flyteutstyr kun bør på seg flyteutstyr kun bør rette seg mot barn og ungdom. Dette er jeg ikke enig i. Mange har sammenlignet dette med at et påbud om å ha på seg bilbelte i bilen bare skulle være rettet mot barn og ungdom. Jeg synes det er en relevant sammenligning. Faktum er jo at de fleste som i dag dessverre mister livet i båtulykker, er voksne. Derfor mener jeg at det bør handles deretter i lovverket når det gjelder kjøring av fritidsbåt. For på samme måte som vi i dag må ha bilbelte på når vi kjører i trafikken på veiene, må folk også ha på seg flytevest når det kjøres på sjøen – jeg bruker «kjøre» som begrep. I forbindelse med diskusjonen om at dette vil være en vesentlig innstramming, er dette et feil argument etter min mening. For det er allerede i dag påbud om å ha med flyteutstyr om bord i båt. Nå må bare flyteutstyret bæres når båten er i fart, for først av alt å redde liv. Når dette er sagt, må det selvsagt også arbeides proaktivt for å redusere ulykker og uansvarlig ferdsel på sjøen med fritidsbåt – gjennom arbeid med holdningsskapende tiltak. Derfor ber komiteen regjeringen intensivere det holdningsskapende arbeidet for å bedre sjøsikkerhetsarbeidet, samt påse at koordineringen av ressursene som brukes for å følge opp sjøsikkerheten, blir bedre. Det er særdeles viktig. Det blir replikkordskifte. Venstre er et liberalistisk parti. Det

det personlige ansvaret er ufravikelig, alle har ansvar for hverandre, politisk makt skal komme nedenfra – og slik kunne jeg ha fortsatt. Da må jeg egentlig bare låne Frank Bakke-Jensens ord fra i sted: Hvorfor slutter det liberalistiske partiet Venstre sin tankegang når man kommer om bord i en båt, og skal påby

ønsker et påbud, istedenfor at holdningsskapende arbeid skal være den eneste innretningen her. Vi ønsker begge deler, men når vi kommer til en så alvorlig sak som dette, synes vi at det er påkrevd å ta i bruk påbudet. Det er svaret. Replikkordskiftet er avsluttet. Dette er inga enkel sak, og det burde det heller ikkje vere for nokon. Flytevest styrkjer sikkerheita til Torgeir Knag Fylkesnes

Ein representant frå Arbeidarpartiet sa frå Stortingets talarstol at dersom eit påbod kan redde berre eitt liv, da er det verdt det. Men skal verkeleg Stortinget gjennomføre alle tiltak som kan hindre ulykker eller dødeleg sjukdom? Kva slags samfunn får vi da? Da ville ikkje berre flytevest ha vore påbode; det ville også f.eks. sykkelhjelm. I 2011 omkom tolv syklistar i Noreg, åtte av dei brukte ikkje hjelm, og to av dei kunne ha redda livet dersom dei hadde gjort det. Vi veit at solarium aukar sjansen for hud- og føflekkreft. Vi veit at røyking og alkohol drep. Vi veit at ekstremsport tar liv – berre i fjor døydde fire norske basehopparar. Dersom det handla om å bruke loven for å redde eitt liv, er det eit veldig stort tal på sikkerheitstiltak, forbod og påbod vi burde ha innført.

nokon forulykkar kvart år, men eg har ikkje høyrt om nokon som har føreslått å forby det, og ingen ville ha antyda at det ikkje å gå inn for å forby det, er å bere eit personleg ansvar for at desse menneska forulykkar. Det er ikkje slik i dag at alt som er farleg eller skadeleg, er forbode – ikkje eingong alt som er dumt, er det. Slik bør det heller ikkje vere. Dersom nokon sit i ei lita snekke og har lyst til å sole seg på heile kroppen, bør dei i kraft av si eiga fornuft få lov til det. Eit påbod blir særleg pussig dersom dei som sit i nemnde snekke, skal vere pålagde ved lov å ha på seg ein redningsvest, mens ein skjergardsjeep på over åtte meter skal få suse forbi i høg fart med ein rusa førar, ein mann over 40, utan at loven seier noko om det. Det er den praktiske konsekvensen av forslaget frå Arbeidarpartiet. Som SV-ar er eg for ein sterk offentleg sektor, eg er for ein effektiv og sterk stat, og eg er for lovar som ofte er strenge, som beskyttar alle, uavhengig av bakgrunn, uavhengig av klasse og uavhengig av kjønn. Men det er ikkje ein del av mi ideologiske overtyding at folk ikkje skal ha ansvar for seg sjølv; tvert imot meiner eg at fellesskap, reguleringar og det å dele er bra for alle, nettopp fordi det gjev folk ein større fridom til å leve sitt eige liv og ei større moglegheit til å ta vare på seg sjølv. Eg meiner vi bør vere svært varsame med å innføre forbod og påbod i spørsmål som handlar om kva enkeltmennesket gjer med seg sjølv og sitt eige liv. Men når min fridom set grensar for andre sin fridom, stiller saka seg annleis. Difor er eg for røykeloven, men imot å forby tobakk. Eg er for flytevest, men eg synest ikkje det skal vere politiets oppgåve å bøteleggje eit vakse menneske utan flytevest ein varm sommardag. Vi kan ikkje forby alt vi ikkje liker – akkurat den setninga har også høyresida brukt til det keisame gjennom tiår – men høyresidas parti går i bresjen for forbod mot det dei ikkje Tiggeforbodet er det verste eksemplet. I staden for å løyse fattigdomsproblemet skal dei fattige jagast. Det er ein forkasteleg form for sosial renovasjon – tilnærminga til kvinneundertrykking og klesplagg som burka og niqab er det same. Framstegspartiet ivrar for forbod. Eg meiner at ei prinsipiell tilnærming til desse spørsmåla er å vere konsekvent skeptisk til å bytte fridom mot sikkerheit og og like skeptisk til å setje grensar for den enkeltes fridom, med mindre det er nødvendig for å sikre andres. Den makta Stortinget har, skal ikkje brukast til å regulere bort dumskap eller eitkvart personleg ansvar. Eg tar med dette opp forslaget frå SV. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har tatt opp det forslaget han

Men viss avgrensinga handlar om å beskytte folk mot seg sjølv og sine eigne val – da er vi skeptiske. Da har jeg et oppfølgingsspørsmål når det gjelder det som går på innskrenking, som representanten snakker om. For er SV med på det forslaget som Høyre og Fremskrittspartiet nå legger fram – som egentlig er på bestilling fra et forslag SV kom med i vår – der man skal ha et påbud for personer under 16 år, hvor det er spesifikt nevnt båter under åtte meter, utendørs, og i fart? Skal det bort hvis SV skal være med på forslaget, eller er SV med på det forslaget som Høyre og Fremskrittspartiet har i dag? Det er det ganske viktig å få klarhet i. Eg er heilt einig i det. Det forslaget som kjem frå regjeringa, er slett ikkje SV sitt forslag, og det er heller ikkje det som var avtalen som blei inngått i juni. avtalen som blei inngått i juni. Avtalen i juni var at vi skulle få eit lovforslag som stilte krav om bruk av vest i båtar som var opne, der det ikkje berre gjeldt barn, men også dei vaksne som var til stades. Vi ønskte ei mykje større sak. Nokre har ønska å koke sikkerheit på sjøen ned til eitt spørsmål, og det er bruk av vest, medan vi veit at dette handlar om mange andre spørsmål. Vi ønskjer å reise fleire ting. Dei har også kome med i proposisjonen. Dessverre spørsmålet om promille avvist frå regjeringa si side. I spørsmålet om fart og sertifisering av folk som har raske båtar, blir det vist til ei sak som kanskje kjem eit stykke fram i tid. Derfor har vi også føreslått forslaget. Det er mange tiltak som kjem inn her – vestpåbod er eitt av dei. Men vi meiner grensa går ved å verne

Så den talen som vi nå har hørt, ville altså ikke være gjeldende hvis to foreldre hadde med sitt 14-15-årige barn, veldig godt svømmedyktig, om bord i båten. Det framstår som litt underlig. SV har levert et forslag om ytterligere utredning av en rekke ting, men en har altså unnlatt å legge inn forslag angående redningsvest, som denne saken opprinnelig startet med. Da er mitt spørsmål hvorfor SV støtter regjeringspartienes forslag, støtter regjeringspartienes forslag, som en er kritisk til, mens en altså har unnlatt å fremme sitt eget forslag, som en var opptatt av i vår. Her er det veldig mange ulike ting som representanten stiller spørsmål om. Berre for å ta representanten frå Venstre litt i forsvar: Her må ein skilje mellom liberalistisk og liberalt. Liberalistisk knyter seg til eit økonomisk system. Som sagt i innlegget mitt: SV er for ganske sterk skattlegging og ganske sterk regulering for å sikre vern for utsette grupper. Dette er ikkje ei slik sak, bortsett frå barn. Eg veit at Senterpartiet elles er opptatt av å verne barn spesielt, og kvifor blir det harselert slik over det i denne sal frå Senterpartiet akkurat i denne saka, kor opportunt er det? Men tilbake igjen til kanskje det viktigaste spørsmålet i innlegget frå representanten: Kjem vi til å støtte dette? Ja, vi meiner at der går det ei grense. Barn skal ha eit ekstra vern. Vi meiner at dersom vi verkeleg skal gripe tak i dei viktigaste årsakene, med omsyn til denne gruppa 50 pluss som er prega av alkohol, burde Senterpartiet, dersom ein verkeleg er opptatt av dei, støtte Kristeleg Folkeparti sitt forslag om promillegrense. Replikkordskiftet er over.

Vi går tur i skogen med skarpladde våpen, vi dykker til 30 meters dyp om natta, vi går på ski alene i fjellet midtvinters, og noen hopper utfor høye stup med rare dresser på seg. Staten pålegger oss ikke å bruke sikkerhetsutstyr når vi gjør disse tingene. Den ber oss bare å bruke hodet, og for øvrig ønsker den oss god tur. Å ferdes i naturen på naturens premisser og på eget ansvar er en god tradisjon, og den skal vi holde på. Men omkring 2 millioner nordmenn er på båttur i løpet av ett år. Vi har omtrent 850 000 fritidsbåter, og vi ferdes stadig mer på sjøen. Spørsmålet om et redningsvestpåbud angår altså veldig mange mennesker. Siden 1970 har antallet som omkommer på sjøen, heldigvis blitt halvert. Mye av den forbedringen tilskrives holdningsskapende arbeid. Men i 2014 druknet det likevel 34 personer fra fritidsbåter, og 27 av disse druknet fordi de ikke hadde vest. 34 omkomne er 34 for mange. Sannsynligheten for å omkomme om du havner i sjøen uten flyteutstyr, er tolv ganger større enn hvis du har flyteutstyr. Redningsvester gjør det åpenbart enklere å finne folk når ulykken inntreffer. Samfunnets omkostninger er som kjent store når det må letes etter folk som har forulykket uten redningsvest. Framfor alt kommer belastningen på pårørende, som mister noen som de kanskje ikke ville mistet hvis de hadde brukt redningsvest. Sannsynligheten for færre drukningsulykker og tragediene det fører med seg, er tunge argumenter for påbud om redningsvest. Mye erfaring tilsier dessuten at det har holdningsskapende virkning utover den direkte effekten av påbudet. Samtidig er det ingen tvil om at et generelt påbud om bruk av redningsvest for alle i båt mindre enn åtte meter som er i fart, kan bli et omfattende påbud og oppfattes som et ganske rigid inngrep. På blanke sommerdager er det nok opptil flere som vil gjøre seg opp sin egen mening om hvor bokstavelig de vil ta et slikt påbud, og faren er selvfølgelig til stede for at folk vil praktisere et fullt påbud relativt mye etter eget forgodtbefinnende. Det er vel derfor regjeringen etter forrige behandling har kommet tilbake til Stortinget med et forslag om å påby redningsvest bare for barn under 16 år. Vi ser dette som et ærlig forsøk på å myke opp et rigid påbud, men problemet med forslaget er at denne aldersgruppa allerede er flinkest til å bruke redningsvest. Den mest utsatte gruppa for drukningsulykker er som kjent menn over 40 år. Det vil si at et påbud for barn opp til 16 år bommer fullstendig på de gruppene som er mest utsatt. Sikkerhet til sjøs er først og fremst – og vil alltid være – et spørsmål om kunnskap, ansvar og vurderingsevne. Sikkerhetsutstyr vil hjelpe, men det vil aldri kunne erstatte det personlige ansvaret og den personlige kunnskapen. Derfor er det i Miljøpartiet De Grønne delte meninger om redningsvestpåbud. Men det å ta ansvar selv selv betyr også å ta ansvar for å lytte til folk og lytte til fagfolk. Vi vet at arbeidsgruppa, Redningsselskapet og politiet har vurdert fullt påbud og innvendingene mot fullt påbud, og de er svært klare på at et påbud vil virke og kan gjennomføres. Dessuten vil folk ha et påbud. Dette tar Miljøpartiet De Grønne ansvar for å ta på alvor. Vi støtter derfor forslaget om å endre småbåtloven § 23 slik at fullt påbud om bruk av redningsvest blir gjeldende. Det blir replikkordskifte. Det er

saka. Eg har gått inn i merknadene: «Det er ikke bare på sjøen at norsk friluftsliv innebærer risiko. Likevel er det rotfestet praksis i Norge at vi ikke har statlige sikkerhetspåbud eller forbud i friluftslivet – ikke engang i de aller mest risikofylte formene for friluftsliv.» Dette var meiningane til Miljøpartiet Dei Grøne for eit par dagar sidan, og eg lurer på kvifor Miljøpartiet Dei Grøne no har skifta meining.

hva man kan gjøre for å redusere disse dødstallene, kommer med svært sterke og entydige anbefalinger. Det vi gjør i Miljøpartiet De Grønne, er å ta ansvar ved å ta disse anbefalingene til etterretning. Derfor støtter vi forslaget om påbud. No var det slik at den rapporten som den førre regjeringa fekk utarbeidd, kom det veldig mange innspel til. Det var vel 19 høyringsinstansar som nytta høvet til å koma med

svært ivrig seiler lytter jeg definitivt til både Seilforbundet og alle andre som har forskjellige meninger. Som jeg også gjorde rede for, er det forskjellige meninger i Miljøpartiet De Grønne. Vi har ganske enkelt gjort en avveining, der sluttresultatet er basert på det vi oppfatter som de aller tyngste faglige anbefalingene, og der politiet også gjør det helt klart at forbudet er både ønskelig og gjennomførbart. Det er det som ligger til grunn for vårt standpunkt.

må få bestemme og bruke hodet selv. Det er jo fortsatt en god fjellvettregel som heter at man skal snu i tide, og at det ikke er for sent å snu, så jeg venter spent på voteringen senere i kveld. Men jeg lurer på hva som har skjedd i Miljøpartiet De Grønne, som nå vil ha et påbud som begrenser den frie at dette gjelder ikke bare på sjøen, som jeg hører Rasmus Hansson referere til flere ganger, det vil også gjelde for små innsjøer og små tjern. Hvorfor ikke i alle fall begrense påbudet til ikke å gjelde for robåter og små båter i innsjøer, tjern og f.eks. fjellvann? Jeg er veldig glad for at representanten har en presis og god oppfatning av hva Miljøpartiet De Grønne står for som det grønneste partiet i Norge. Norge. Jeg kan bare gjenta at vi har ikke noe dogmatisk syn på akkurat dette spørsmålet. Dette er en holdning som vi har tvilt oss fram til ved å avveie på den ene siden holdningen til ansvaret for egen ferdsel ute i naturen og på den andre siden det faktum at vi kan redde veldig mange liv ved å støtte dette inngrepet.

Regjeringen foreslår nå en ytterligere innskjerping av lovverket, som en følge av Stortingets vedtak i fjor. Vi har derfor lagt frem et forslag om påbud av flyteutstyr for barn og unge under 16 år. Regjeringens forslag baserer seg på en avveining av flere forhold. Jeg mener myndighetene bør være varsom med å regulere folks fritidsaktiviteter og naturopplevelser. Vi må ha respekt for den friheten nettopp naturopplevelser og rekreasjon gir oss. Jeg tror på frihet under ansvar, og av og til bør det være grenser for politikk. I dette ligger det også en erkjennelse av at det ikke er alt samfunnet kan og bør regulere seg ut av. En rekke aktiviteter vil medføre risiko, det gjelder bl.a. ute i naturen, både på land og til sjøs. I dag har vi et påbud om å ha flyteutstyr tilgjengelig for alle om bord i fritidsbåt. Dette påbudet balanserer på en god måte behovet vi som samfunn har for god sikkerhet om bord i fritidsbåt, samtidig som ansvaret for bruk fortsatt hviler på den enkelte. Med regjeringens forslag mener jeg vi har funnet en hensiktsmessig balanse. Barn og unge under 16 år kan ikke alltid forventes å ivareta sin egen sikkerhet på samme måte som voksne. De er også mer sårbare i en ulykkessituasjon. I undersøkelsen jeg refererte til innledningsvis, fremkommer det at så mange som 80 pst. sier at de bruker flyteutstyr «alltid» eller «nesten alltid» når de er i fritidsbåt. Selv om båtbruk alltid kan medføre risiko, er det ikke nødvendigvis slik at risikoen er av en slik karakter at det påkrever statlig regulering. Vi vet at båtbruk i Norge er veldig mangfoldig. Det betyr at generelle påbud også rammer dem som allerede utviser godt sjømannskap, eller dem som selv bedømmer at de ikke trenger å bruke flyteutstyr. Det viktigste som kan forebygge drukningsulykker, er at folk har kunnskap om sikkerhet til sjøs. Sjøfartsdirektoratet jobber derfor kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. Det samme gjør Redningsselskapet. Når det er sagt, er selvsagt ethvert dødsfall som følge av drukning ett for mye. Men vi vet at holdningsskapende arbeid gir resultater. Det er ikke minst viktig overfor unge båtbrukere. Et påbud for de yngste vil også være oppdragende og opplærende, slik at de forhåpentligvis fortsetter å bruke flyteutstyr som voksne. Derfor mener jeg regjeringens forslag vil øke oppmerksomheten om sikkerhet og bruk av flyteutstyr, samtidig som vi har respekt for voksne menneskers frihet til å bestemme

har bedre svømmeferdigheter enn barn og unge? Jeg tror jeg må minne representanten Botten på at regjeringens utgangspunkt var at vi ikke ønsket et påbud for noen grupper. Vi fikk en bestilling fra Stortinget om å fremme et forslag med et påbud knyttet til barn. Det har vi gjort. gjort. Så er det slik at barn er gode til å bruke flytevest, men dette vil sikre at alle barn må bruke det hele tiden. I en ulykkessituasjon vet vi at barn er mer sårbare. Det er utgangspunktet for den avveiningen vi har gjort. Men vårt utgangspunkt var altså at vi ikke ønsket et påbud, et standpunkt vi for øvrig har til felles med den rød-grønne regjeringen, som heller ikke innførte dette i løpet av sine åtte år i regjering.

altså mot Hovedredningssentralen, mot Kystvakten, mot Redningsselskapet, mot politiet og mot folkets røster, som faktisk har sagt tydelig fra i spørreundersøkelse at dette er de opptatt av å få gjort. Er det ved å stå imot alle andre og komme med et forslag som er lite målrettet med tanke på målgruppen som i dag er utsatt for drukningsulykker, at regjeringen mener at den handlekraftige siden av sitt arbeid er framtredende?

om et vestpåbud for barn, leverte vi det. Og det er altså slik at barn er mer sårbare, og at ikke alle barn kan ta vare på seg selv. Dette forbudet vil innebære at alle barn sikres. Da er klokken 22. Presidenten gjør oppmerksom på at den reglementsmessige tiden for dagens møte er omme og foreslår at Stortinget fortsetter møtet til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. om en ikke er enig i den politiske vurderingen som er gjort i denne saken, har en jo lagt stor vekt på de lovtekniske vurderingene som departementet har gjort, og det forslaget som ser ut til å få flertall i dag, en jo lagt stor vekt på de lovtekniske vurderingene som departementet har gjort, og det forslaget som ser ut til å få flertall i dag, er i stor grad en blåkopi av regjeringens opprinnelige forslag i proposisjonen – med unntak av at en har tatt vekk aldersbegrensningen; det ville gjøre påbudet bredere og etter vår mening mer virkningsfullt. Men så har flere fra regjeringspartiene og SV proposisjonen. Da kan det være fristende å spørre statsråden om hvorfor lengdebegrensningen på åtte meter er satt, for en sånn forklaring tror jeg kanskje vil nå mer fram selv hos regjeringspartiene på Stortinget. Vi har forholdt oss til det vi oppfattet var bestillingen fra Stortinget, og det var ønsket om å regulere vestpåbud i åpen båt. i åpen båt. Åpen båt forbindes ofte med en 8-metersgrense. Det er også i andre sammenhenger slik at fartøyer er regulert basert på åtte meter. Derfor har vi fremmet dette forslaget. Men spørsmålet er i og for seg godt nok, for det hender jo at det forekommer ulykker, også drukningsulykker, fra båter av større størrelse. Men det er altså basert på en vurdering av hva som er en åpen båt, hvor de fleste ulykkene

Så hvorfor viser statsråden stadig til Stortinget i de sakene som er ubekvemme å ta stilling til, mens en altså har gjort en selvstendig vurdering når det gjelder tolkningen av det vedtaket som Stortinget gjorde 13. juni 2014, som foreslo å påby bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten?